Vararepresentanten Geir Arild Espnes innkalles for å møte i permisjonstiden. Geir Arild Espnes er til stede og vil ta sete. Representanten Jorunn Gleditsch Lossius vil fremsette to to representantforslag. Jeg vil på vegne av representantene Knut Arild Hareide, Geir Jørgen Bekkevold, Trude Brosvik og meg selv legge fram forslag om å sikre at forsøk på kjøp av seksuelle tjenester er straffbart. Jeg vil også på vegne av representantene Geir Jørgen Bekkevold, Knut Arild Hareide, Hans Fredrik Grøvan og meg selv legge fram forslag om at det skal være pålagt at nettbrett, pc-er og lignende enheter som er tilgjengelige for barn i barnehagen og i småskolen, skal benytte filtre som hindrer elever tilgang til alvorlig skadelig innhold på nett. Forslagene vil bli behandlet på reglementsmessig måte. Før sakene på dagens kart tas opp til behandling,

Venstre 10 minutter, Kristelig Folkeparti 10 minutter, Miljøpartiet De Grønne 5 minutter og Rødt 5 minutter. I tillegg får inntil seks medlemmer av regjeringen 5 minutter hver. Videre vil presidenten foreslå at det – innenfor den fordelte taletid – blir gitt anledning til replikkordskifte på inntil åtte replikker med svar etter innlegg fra partienes hovedtalere. Presidenten vil også foreslå at det blir gitt anledning til inntil tolv replikker med svar etter innlegg fra statsministeren og inntil åtte replikker med svar etter innlegg fra de øvrige medlemmer av regjeringen.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

Men støtten gjelder bare hvis regjeringen kommer tilbake til Stortinget med tiltak som virkelig følger opp de høye ambisjonene, og bare hvis inkluderingsdugnaden ikke blir en utrygghetsdugnad. For i andre høyrestyrte land har vi sett hvordan inkludering og fleksibilitet mest av alt har vært innpakning for en politikk som fører til mer midlertidighet, mer utrygghet og svakere rettigheter for arbeidsfolk. Det vil ikke få vår støtte.

som at høy organisasjonsgrad er en styrke for samfunnet og en konkurransefordel – fikk vi høre i går – som at hver elev skal møte en godt kvalifisert lærer, som at det skal være trygt å bli eldre, som at vi skal utvikle et bærekraftig velferdssamfunn. Men selv politiske honnørord blir hule når de ikke følges opp av politikk som leverer, kanskje snarere tvert imot. Det vi ser, er at forskjellene øker over tid, kreftene som trekker i den retningen, er sterke og mange, og de kommer innenfra og utenfra. Vi ser at arbeidslivet faktisk blir mer utrygt, og det blir mindre attraktivt å være organisert. Vi styrer mot en lærerkrise i norsk skole. Vi har fått en eldreminister som bruker mest tid på en administrasjonsreform knapt noen tror på. Vi ser at vår felles velferd nå skal utfordres av mer privatisering og kommersialisering. Vi ser at kutt i skattene fortsatt er universalnøkkelen. Vi ser at viktige norske fortrinn, som Vi ser at viktige norske fortrinn, som det nasjonale eierskapet, skal svekkes, eller at distriktspolitiske virkemidler fortsatt skal bygges ned. På flere områder tar regjeringen et nytt skritt til høyre. Jeløya-erklæringen viser fram klare, og på noen områder klarere, skiller mellom partiene i denne sal. Det nye, imidlertid, i denne perioden er likevel at regjeringen ikke kan Venstre har valgt å bli et parti i familie med Høyre og Fremskrittspartiet. Kristelig Folkeparti har valgt å holde seg i sentrum. De påpeker, med rette, at vi har fått en regjering uten referanse til vår nasjonale kulturarv. De velger seg innflytelse gjennom muligheter for flertall i Stortinget. Det gir resultater. Vi ser det allerede – som avklaringen i går av viktige flertall for å sikre bedre omsorg for folk med demens og at investeringstilskuddet skal gjelde også oppussing i eldreomsorgen, ikke bare nye bygg. I dag fremmes flere forslag som vil samle flertall, bl.a. for å sikre utvikling av gode boformer for våre eldre – enkeltforslag som samlet betyr en forskjell for mennesker. Arbeiderpartiet ser fire viktige områder hvor høyrepolitikken til denne regjeringen vil bli utfordret. For det første arbeidsliv: I Norge har vi en samfunnsmodell som har tjent oss godt, bygget på samarbeid i arbeidslivet, mange i arbeid og et velorganisert arbeidsliv. Nå er denne modellen under press. Andelen av oss som arbeider, faller. Andelen av oss som er organisert, faller nå under 50 pst. Sosial dumping, arbeidslivskriminalitet og utrygge vilkår i arbeidslivet øker i omfang. Regjeringens politikk vil Det er ikke lenge siden Venstres leder, Trine Skei Grande, sa at hun ble «kvalm av LO». Den holdningen til det organiserte arbeidslivet synes i denne plattformen. Det uorganiserte arbeidslivet skal «anerkjennes». Fagforeningsfradraget kuttes – i 2021 vil det være på samme nivå som i 2013. Hensynet til de arbeidstakerne som står sterkest på arbeidsmarkedet, settes foran hensynet til dem som står svakest, de som trenger lover, regler og beskyttelse og en sterk fagbevegelse aller mest. Det er feil politikk på et farlig tidspunkt. Vi vil styrke det organiserte arbeidslivet, for trygghet på jobb og trygghet for omstilling i et møte med mer digitalisering. For det andre forskjeller: Det er tradisjonelt små forskjeller mellom folk i Norge. Det er rettferdig, det bygger tillit, og det letter omstilling. Nå øker de økonomiske forskjellene i Norge, sterke krefter trekker som sagt i den retningen. Politikken må kjempe imot og ikke, som regjeringen, bidra til den utviklingen. Også i neste periode skal formuesskatten, som i all hovedsak betales av de rikeste i Norge, settes ytterligere ned. Det vil øke forskjellene. Eiendomsskatten skal kuttes. Resultatet vil bli kutt i velferden i kommunene. Det øker forskjellene. Igjen er tonen en kullsviertro på at skatteletter skal gi mirakuløs effekt på økonomisk vekst. Det er høyrepolitikk på sitt mest gjenkjennelige. Det er høyrepolitikk som vil øke forskjellene. Vi vil trygge velferden som et spleiselag. Det er både rettferdig, moderne og effektivt. For det tredje velferden: I Norge har vi gått sammen om å gi folk trygghet og like muligheter. Det virker. Det er ikke privatisering av velferden som har gitt vanlige folk et skikkelig sikkerhetsnett og et velferdssamfunn som gir muligheter for de aller fleste. Regjeringen vil legge til rette for at private og kommersielle interesser skal inn på såkalte like vilkår med fellesskapet. Det er oppskriften på privatisering. Nå står vi overfor store velferdsoppgaver – vi får dobbelt så mange eldre på én generasjon, vi skal bekjempe frafallet i skolen, som er altfor høyt, sørge for kompetanse gjennom hele livet, gi gode og trygge helsetjenester til alle i hele landet, og mye mer. Det er utfordringer som vi møter best ved å satse på den offentlige velferden. Det har vist seg rettferdig, moderne og effektivt. Vår jobb er å sikre at den er trygt finansiert og godt bemannet av kompetente og trygge folk. Vi skal gi de ansatte tid, kompetanse og tillit til å gjøre jobben sin. Regjeringens privatisering tapper felleskapet for ressurser og kompetanse, slik vi ser med fritt behandlingsvalg i sykehusene. Regjeringens privatisering skaper samrøre og dobbeltroller, slik vi har fått avslørt i barnevernet. Regjeringens privatisering uthuler de ansattes rettigheter, kutter i deres pensjoner og hindrer innsyn i feil og mangler, slik vi i fjor fikk dokumentert bl.a. ved et sykehjem i Moss. Det er umoderne og gammeldags. Vi skal gjøre alt som står i vår makt for å hindre at høyrepartienes privatiseringslinje får flertall i denne sal i disse fire årene. For det fjerde arbeidsplasser: Det aller viktigste kjennetegnet ved vår samfunnsmodell er at vi har mange i arbeid. Vi har klart å skape arbeidsplasser over hele landet, ikke minst ved å bygge på norske fortrinn som oljen, gassen, vannkraften og fisken i et tett samspill mellom det offentlige og det private. Arbeiderpartiet vil satse mer på denne oppskriften, som har tjent Norge godt. Det er Norges mulighet også i møte med store teknologiske omstillinger. Regjeringen legger ikke opp til det. Regjeringen går inn for en «reduksjon i statlige eierandeler». Regjeringen vil også satse på «de brede landsdekkende ordningene» i næringspolitikken. De ordningene som målrettet er til for å skape arbeidsplasser i hele landet – i innlandet knyttet til skogen, langs kysten og i Nord-Norge knyttet til havet – kuttes ytterligere. Også her tenker vi annerledes. Norge kan bedre. Det som gir oss muligheter i vårt land, er at vi er frie mennesker støttet av sterke fellesskap, fellesskap, at det er mer enn honnørord og fine formuleringer, at det er en rød tråd i praktisk politikk. Slik er ikke den blå-blå-blå regjeringens politikk. Men så har heller ikke denne regjeringen flertall i denne sal, i Norges storting. Arbeiderpartiet vil derfor arbeide sammen med partiene på Stortinget for å danne flertall i saker og flertall for en annen retning for vårt samfunn i årene som kommer. Jeg tar opp de forslagene vi har fremmet.

Når Arbeiderpartiet f.eks. er imot aktivitetsplikt for sosialhjelpsmottakere, noe som har gitt en kraftig reduksjon i antall unge sosialhjelpsmottakere, når en er imot å fase ut maskinskatten, som selv fagbevegelsen mener er til hinder for at det skapes flere jobber, når en er imot en veireform som ligger an til å spare skattebetalerne for 30 mrd. kr – ja, da er en også i praksis imot et bærekraftig velferdssamfunn. Spørsmålet til Gahr Støre er derfor: Vil Arbeiderpartiet støtte regjeringen i en politikk for et mer bærekraftig velferdssamfunn, eller vil Arbeiderpartiet styre unna reformer som landet vårt trenger? Honnørordet kan vi være enig i, men oppskriften på et bærekraftig velferdssamfunn i Norge er at folk jobber, at de er kvalifisert for jobb, at de møter den gode læreren, ikke en vikar som kommer inn uten kvalifikasjoner, og at spleiselaget vi har, virkelig satser på kompetansen til folk og tryggheten til dem som er på jobb. Jeg tror det er en oppskrift som mange land ser til når de ser til den nordiske modellen, særlig i møte med omstilling og bruk av ny teknologi. Det er bra med en aktivitetsplikt. Den hadde kommunene allerede mulighet til å gi. Men vi skal også ha en aktivitetsrett – vi skal sørge for at det blir lagt til rette for at de som får denne plikten, også får en mulighet til å ta sine evner og forutsetninger i bruk. Det er tilretteleggingen og oppfølgingen for å skaffe denne bærekraften, få opp andelen av oss som jobber, slik at vi får et inntektsgrunnlag til fellesskapet, som skiller. Jeg tror vi kommer til å se i denne salen at oppskriften for å nå et honnørord – bærekraftig velferdssamfunn, som Arbeiderpartiet alltid har slåss for – kommer til å skille, og jeg tror regjeringen vil oppleve at det vil være flertall for en annen kurs enn det den peker ut. Jeg er ganske trygg på at det vil være flertall i denne sal for hovedmålene regjeringen nå drar opp. Jeg håper også Arbeiderpartiet vil Men da jeg leste representanten Gahr Støres kommentar til regjeringserklæringen i går, ble jeg litt i tvil. Der sier han ifølge NTB: «Realiteten er økte forskjeller, lærerkrise i skolen, et mer brutalt arbeidsliv uten kompetanseløft, økte skattekutt og null leveranse på hvordan løftene skal finansieres.» Så vidt jeg husker, og så vidt jeg vet, er Norge fortsatt det landet i verden som det er best å bo i. Det er landet som skårer høyest på de fleste indikatorer. indikatorer. Det er landet som mange på f.eks. den liberale siden i USA viser til når man skal vise et samfunn som fungerer. Da er spørsmålet mitt: Er representanten Gahr Støre av den oppfatning at denne regjeringen foretar et kraftig brudd med den nordiske velferdsmodellen som han selv er så opptatt av? Det er et ganske stort felleseie i Norge. Det skal vi anerkjenne, og det er en styrke for jeg mener kursretningen er feil – troen på at vi nå skal sidestille private leverandører i løsningen av sentrale velferdsoppgaver, og troen på skattekuttene, som andre land har praktisert, og som gir økte forskjeller. Økte forskjeller er et komplisert fenomen. Det kommer krefter innenfra og utenfra, og det går over tid. Politikken må virke mot det, ikke med det.

Det er fordi vi ikke har investert i å gjøre det. Det er fellesskapets ansvar, og det er fellesskapets mulighet. Jeg vet ikke om det er gripende eller grinende godt, men det er sikkert riktige sitater. Det viser bare én ting: at Arbeiderpartiet, som før har vært tilhenger av en blandingsøkonomi, der private barnehager og private veientreprenører står for en viktig del der man har private inne i mange viktige sektorer, nå mener at dette er fyord – det er altså ikke honnørord lenger. At det offentlige skal overta alle oppgaver, høres ut som den nye løsningen for Arbeiderpartiet. Da lurer jeg på: Har Arbeiderpartiet gått vekk fra den modellen som har vært det viktige fundamentet for utviklingen av velferdssamfunnet i Norge, nemlig at en har et samspill mellom private og offentlige aktører? Nå høres det ut som om alt som er privat, er et skjellsord, og det synes jeg kler representanten Gahr Støre ganske dårlig. Noen av de stolteste øyeblikkene vi i Arbeiderpartiet har, er når Høyre omtaler hva som var Arbeiderpartiet alle de flotte kvalitetene vi hadde før, alle oppskriftene vi hadde på å skape det gode samfunnet de nå sitter og styrer og tar ansvaret for. Vi fikk til full barnehagedekning gjennom et samarbeid mellom det private og det offentlige. Vi har utviklet dette samfunnet gjennom en blandingsøkonomi hvor private leverer løsninger kreativt, deltar i økonomien og kan tjene gode penger på det, men hvor kjernen i løsningen av oppgavene som sikrer at vi har like rettigheter og små forskjeller, og at de som trenger å bli sett, blir sett, er et offentlig ansvar. ansvar. Når vi får en politikk som sidestiller private kommersielle aktører med det offentlige ansvaret på noen områder, bryter man ned den modellen Arbeiderpartiet var stolt av, som liberale i USA ser til, og som andre kommer for å hente leksjoner fra. Man kan ikke kopiere en samfunnsmodell, men man kan hente lærdommer. De lærdommene man kan hente fra Norge nå, advarer vi mot. Vi skal være konstruktive i Stortinget, det er Arbeiderpartiet alltid, men det som er konstruktivt nå, er å samle et flertall for en annen politikk og en annen retning. Jeg registrerer at Arbeiderpartiet gjør seg til en varm forsvarer av den usosiale eiendomsskatten og er

gått veldig sterkt ut: Hvis eiendomsskatten blir redusert, må man enten kvitte seg med lærere eller stenge sykehjem. Det som er interessant, er at i den perioden Porsgrunn Arbeiderparti jevnt og trutt har økt eiendomsskatten, har man samtidig funnet rom for å bevilge nesten 50 mill. kr til et kommunalt eiendomsselskap, og man har bygget et rideanlegg til nesten 40 mill. kr. Det vil si at hele den årlige inntekten fra eiendomsskatten er disponert til den type Synes representanten Gahr Støre at dette er en riktig prioritering av innbyggernes penger, eller burde kanskje mer blitt brukt på eldreomsorg og skole i den kommunen, som i mange andre kommuner? Den svært dyktige ordføreren i Porsgrunn, Robin Martin Kåss, har sørget for at det er bygget nye sykehjem i kommunen hans – offentlige sykehjem. Jeg har vært med på å feire og markere de sykehjemmene – veldig flott politikk! Her gjelder som ellers på skatt: så lite som mulig, så mye som nødvendig for å løse oppgavene. Det vi har sett disse fire årene, er at eiendomsskatten har gått opp i kommune etter kommune – også i Høyre- og i Fremskrittsparti-styrte – for de som sitter tett på behovene til folk, ser at det må til for å levere barnehagetjenester, eldreomsorg, løse de kjerneoppgavene. Det skyldes bl.a. den politikken som ble ført fra flertallet i denne sal i forrige periode. Hvis oljepengebruken – det ble det ikke snakket om i regjeringserklæringen i går – skal holdes på det nivået som stortingsflertallet og regjeringen sa på slutten av forrige periode, og ikke være et frislepp som i forrige periode, vil det bli et valg mellom skattekutt og velferdskutt i denne perioden. Hvis skattene skal ned, på både statlig og kommunalt nivå, løser vi oppgavene dårligere enn det vi har gjort til nå. Det sier ingenting når Gahr Støre sier at dette er

På den sosiale siden vil vi bl.a. ta krafttak for å redusere barnefattigdom og fattigdom, skape et inkluderende arbeidsliv for alle, også for funksjonshemmede og for dem med hull i cv-en. Også etniske minoriteter skal løftes opp og fram, og det er et hovedpoeng at staten skal gå foran og vise vei. Dette kaller altså Gahr Støre blå-blå-blå og grå. Det lever vi liberalere godt med. For oss er det viktige at regjeringen skal løse framtidens utfordringer og ta tak i mulighetene, og at politikken faktisk dreies Gahr Støre tenkt å være konstruktiv for å bidra til å løse framtidens utfordringer, eller skal han i fortsettelsen også være mest opptatt av å sette merkelapper på andre? Konstruktiv! For øvrig brukte jeg ikke ordet «grå», men det hørte jeg representanten Raja bruke. Regjeringen er blå-blå-blå. Det er symptomatisk at han må bruke et innlegg på å si hva Venstre har fått igjennom her. Nå forstår jeg at avviklingen av pelsdyrnæringen er Venstres gjennomslag i denne regjeringen og ikke nødvendigvis regjeringens politikk.

Hvis man skal skaffe et konkurransefortrinn, kan man ikke ødelegge de virkemidlene som virkelig bidrar til det. Slike møter kommer vi til å få i denne salen for å virkeliggjøre honnørord som kan samle oss, men i en politisk retning som får flertall her. Jeg er langt mer optimistisk med hensyn til det med Kristelig Folkeparti i sentrum, nå som Venstre har valgt sine partnere.

eller me kan la etikken styre teknologien. Kva vil Arbeidarpartiet? Vil dei vere med på at etikken styrer teknologien? Det gjør vi med politikken, og i politikken mener vi at vi skal legge vekt på både etikk, moral og mulighetene som teknologien gir. Bioteknologien stiller oss overfor noen ganske vanskelige utfordringer, men den stiller oss også overfor noen fantastiske muligheter. I dag tidlig hørte vi hvordan norske og svenske leger er i ferd med å løse kreftgåten på nye områder fordi vi har et sterkt forskningsmiljø, veldig mye av det offentlig finansiert ved våre universitetssykehus, bl.a. Jeg nærmer meg disse bioteknologiske mulighetene med det etiske og moralske ansvaret vi har som politikere i denne salen. Jeg synes ikke det er veldig klare spor i regjeringserklæringen av dette. Den meldingen som vi fikk på tampen av forrige periode, overlater også veldig mye til debatter her i Stortinget. Men det ansvaret har vi klart å ta tidligere, og det mener jeg vi også må kunne klare å ta nå. nå. Da skal det selvfølgelig være et samfunn som setter menneskeverdet i sentrum, som viser at vi er mangfoldige, og som har respekt for at det er forskjeller mellom mennesker. Men teknologien gir oss også store muligheter til å løse problemer, helbrede sykdommer og gi folk muligheter de ikke hadde før. Dermed er replikkordskiftet omme. For andre gang etter annen verdenskrig har en Høyre-ledet regjering blitt gjenvalgt. Det er

Målet til regjeringen er å skape et bærekraftig velferdssamfunn. I god konservativ tradisjon betyr det å levere samfunnet videre i bedre eller like god stand som da vi overtok det. Når verden endrer seg, betyr det at vi må forandre for å bevare. Vi må modernisere velferden, gjøre oss i stand til å møte teknologiske og demografiske endringer og sikre at Norge er bærekraftig, både økonomisk, miljømessig og sosialt.

myndiggjøring av folk og effektivisering, men utfordrer også eksisterende arbeidsplasser og den enkeltes kompetanse. Vi må sikre gode velferdsordninger. Det er gledelig at flere lever lenger. Samtidig er bærekraften i velferdsordningene avhengig av at flere da er yrkesaktive lenger. Vi må redusere fattigdom. For mange rammes av fattigdom og utenforskap, uten mulighet til å skape seg sitt eget gode liv.

Faktisk er vi i dag regnet som verdens beste land å bo i. Det kan være verdt å huske på når vi i dag får høre opposisjonens innlegg om alt som er galt i Norge. Høyre ønsker at Norge også i framtiden skal være verdens beste land å bo og leve i. Det aller viktigste vi kan gjøre for å bidra til det, er å skape flere jobber og å kvalifisere folk til disse jobbene, jobber som må være lønnsomme, produktive og grønne. Det sikrer økonomisk bærekraft, at flere inkluderes, og at vi når våre klimamål.

Langtidsplanen for Forsvaret og enigheten rundt landmakten i november la et viktig grunnlag for et tryggere Norge, med en fornyet verneplikt, mer trening og bedre utstyr. Og før sommeren samlet de samme partiene seg om en ny nasjonal transportplan, som skal knytte landet sammen, redusere antall ulykker og dødsfall og ikke minst styrke veksten i norsk næringsliv. Dette er bare noen eksempler på det gode samarbeidet som Høyre legger til grunn for arbeidet i Stortinget de neste fire årene. Vi er glade for at Venstre har valgt å gå inn i regjering,

Samtidig er trusselbildet i endring. Senest i går påpekte lederen for PST at terrortrusselen mot Norge er høyst reell. Samtidig trakk hun fram at arbeidet mot terrorisme gir effekt, og at en rekke av de personene PST har vært bekymret for, sitter fengslet og soner dommer. I mange land ser vi et mer polarisert politisk landskap og at partier vegrer seg for å ta ansvar. Det vi nå gjør, er å finne felles løsninger som er bra for Norge og bra for folk. Jeg håper at dette stortinget kan arbeide konstruktivt for å skape et mer bærekraftig velferdssamfunn, at en kan finne løsninger for å skape flere jobber og kvalifisere folk for disse jobbene, at en leter etter nye, kostnadseffektive grep for å kutte i klimagassutslipp, og at en sier ja til å samarbeide på tvers av partilinjer. Jeg ser fram til en god debatt om regjeringserklæringen og et godt samarbeid med Stortinget i årene som kommer. Det blir replikkordskifte. Det var interessant å høyra på representanten Helleland. Han ramsa opp gode målformuleringar. Dei er

Det som derimot er tydeleg når det gjeld den politikken Høgre, Framstegspartiet og Venstre legg seg på, er at det er ein klar høgrepolitikk med meir privatisering, meir konkurranseutsetjing og ikkje minst oppstykking av den felles velferda vår. Me ser f.eks. at ein snakkar om

som legger grunnlaget for det bærekraftige velferdssamfunnet denne regjeringen så sterkt ønsker, og som jeg tror det egentlig er bred enighet om her på Stortinget. Jeg er spent på å se hvilke forslag og initiativer Arbeiderpartiet vil komme med for å svekke privat næringslivs muligheter framover. No ser me det igjen: Det er dei fine formuleringane om valfridom og moglegheiter, mens innhaldet i politikken, som er det denne debatten handlar om, handlar om, rett og slett bidreg til at det er lommeboka som styrer kva slags velferdstilbod ein får. Det står òg ein del fine ting om arbeidsliv i denne plattforma som regjeringa har lagt fram. Dei vil ha ein inkluderingsdugnad, og det høyrest jo veldig kjekt ut. Men det er nokre urovekkjande trekk i utviklinga i arbeidslivet i dag.

kriminalitet. Mitt spørsmål til representanten Helleland er i fyrste omgang om dette er noko han er einig i – er han einig med NHO-direktøren i at det er bekymringsfullt å sjå denne utviklinga med ein lågare organisasjonsgrad? Jeg har veldig stor sans for at vi har et trepartssamarbeid, og at vi har sterke fagforeninger. Men det er vel et litt drøyt stykke å gi Høyre og regjeringen ansvar for at organisasjonsgraden går ned. Jeg har sett debatter om LOs mangel på appell ute blant nye yrkesgrupper, jeg har sett at andre fagforeninger nå vokser, og da å skulle tillegge regjeringen et ansvar for å få opp organisasjonsgraden – og antagelig er Hadia Tajik mest opptatt av å få opp medlemstallet i LO – synes jeg blir litt feil. Men regjeringserklæringen er full av politikk, den er full av enkeltpunkter som vil bidra til å styrke sysselsettingen, som vil bidra til å styrke inkluderingen og integreringen. Så må gjerne representanten kalle det for honnørord, men det er jo flott med honnørord når det virkelig gir resultater. Og når vi nå ser en utvikling der veksten i Norge går opp, og der arbeidsledigheten har gått ned og flatet ut, er vi inne på et riktig spor. Det sporet har vi tenkt å fortsette på. på. Eg gav han ikkje ansvaret for nedgangen i organisasjonsgraden, eg beskreiv ei utvikling, og så spurde eg kva han har tenkt å gjera med det. No skal han få ei tredje moglegheit til å forsøkja å vera konkret i svaret på spørsmålet mitt. Det er interessant å sjå korleis han på den eine sida til ein viss grad erkjenner at det har vore ein nedgang i organisasjonsgraden, og at det har bekymringsfulle trekk, samtidig som dei i regjeringserklæringa skriv:

Det at enkelte arbeidstakere velger å være uorganisert, må naturligvis være den enkeltes valg. Det at LO og andre fagforeninger da ikke får den organiseringsgraden de ønsker, må være deres utfordring. LO, YS, Akademikerne og alle de store jobber hver dag for å få nye medlemmer.

til å ha trygge og gode jobber i et seriøst arbeidsliv. Vi lever i en urolig tid. Norge trenger et sterkt nasjonalt forsvar. Vi trenger en velfungerende landmakt, og vi er helt avhengige av NATO, som er vår grunnplanke i sikkerhetspolitikken. Statsminister Erna Solberg uttalte i 2015 at hun syntes det var noe tull med prosentmål – da handlet debatten om 2-prosentmålet når det gjelder forsvarsbudsjettet. Høyres landsmøte slo fast at man skal nå NATO-forpliktelsen på 2 pst. I forrige uke sendte Frank Bakke-Jensen et brev til Stortinget der han sa at andelen som går til forsvar, vil gå ned i årene som kommer, ikke opp. Er det en utvikling som Høyre på Stortinget støtter, eller mener Høyre på Stortinget fortsatt at det er klokt å nå 2-prosentmålet? Jeg brukte litt tid i hovedinnlegget mitt på å understreke hvor viktig forsvarspolitikken er, og hvor glad jeg er for at et bredt flertall på Stortinget står bak både landmaktutredningen og langtidsplanen for Forsvaret. Dessverre valgte Senterpartiet ikke å delta i disse forlikene, men velger å kjøre sin egen linje med sitt eget opplegg. Det Norge får skryt for, er jo den satsingen vi har for å bygge opp strategiske kapasiteter som kan ivareta vår spesielle rolle i nordområdene. Vi har et nytt F-35-program som er historisk stort. Vi vil tilføre Forsvaret 180 mrd. kr mer enn det som var planrammen i den rød-grønne regjeringens langtidsplan for Forsvaret. Så det er en enorm satsing nå på å gjenoppbygge et forsvar som hadde ligget mer eller mindre brakk, eller som var under nedbygging, under de rød-grønne. Vi ønsker å nå målene som er satt av NATO, men vi ønsker først og fremst å gjennomføre den langtidsplanen som det brede flertallet på Stortinget har stilt seg bak, og jeg har ikke sett noen som har kommet med forslag som skal bidra til å øke den voldsomt med nye kapasiteter. Senterpartiet kjører sitt opplegg, men resten av Stortinget står stort sett

Det er den motsatte retningen av å nå 2-prosentmålet som vi har forpliktet oss til. Synes Høyre på Stortinget at det er rett at andelen som går til forsvar, skal gå ned, når vi ser de enorme utfordringene vi har, ikke minst i landmakten vår, i Hæren og i Heimevernet? For det første har Norge oppfylt NATOs mål om investeringsandelen – det er også et av hovedmålene i Wales-vedtaket, nemlig hvor stor andel en bruker på investeringer i Forsvaret. Der oppfyller Norge målsettingene. Så er det fortsatt et stykke igjen til vi når 2-prosentmålet. Det er også fordi vi har en god utvikling i norsk økonomi, fordi BNI øker, osv. Målet vårt er å få gjennomført den langtidsplanen som et bredt flertall på Stortinget har stilt seg bak. Hvis det er et sterkt ønske i Stortinget, hvis det er situasjoner som tilsier at vi skal øke det ytterligere, vil selvsagt ikke Høyre stille seg i veien for å diskutere det, men hovedpoenget må være at vi for en gangs skyld klarer å oppfylle de planene Stortinget vedtar. Tidligere regjeringer har jo laget planer som har vært for knappe – og heller ikke klart å oppfylle dem. Der har representanten Slagsvold Vedum og hans parti et stort ansvar, for partiet satt åtte år i en rød-grønn regjering som ikke bidro i det hele tatt til å styrke forsvaret av Norge. Nå er det en kraftig økning, den kraftigste økningen vi har sett på mange, mange tiår. Det er vi stolte av, og vi skal slåss for våre

Ser ein på innovasjonstøtte og verkemiddel, er det framleis ei innretning mot ein petroavhengig økonomi. Resultatet av denne politikken ser vi: Det er fall i industrien på fastlandet, det er ei forverring av handelsbalansen – og ein styrer framleis i retning av ein petroavhengig økonomi. Så kva tid har Høgre tenkt

Dette er jo faktum. Det er eit fall i norsk industri. Frå 2015 til 2016 var det eit regelrett fall. Handelsbalansen er i forverring. Det er eit absolutt faktum. Det er også eit faktum at av den enkeltsatsinga regjeringa har hatt på forsking, er det petrorelatert forsking som har fått absolutt mest. Det er også eit faktum at når det gjeld verkemiddelsystemet for offshore, innovasjonssystemet, er det framleis petroavhengnad som er den store innretninga. Det som er av større satsing på andre ting, som skal peike i retning av ei grøn omstilling, er små satsingar. Den klare retninga denne regjeringa tar, er: Fortset som før, inga endring, sit stille i båten! Da er spørsmålet: Når har Høgre tenkt å ta desse faktuma inn over seg og endre strategi? I den politiske plattformen står det, i punkt

det er hovedinntektskilden til Norge i mange år framover. Vi har ikke tenkt å kaste vrak på den satsingen. Tvert imot har vi tenkt å fortsette utviklingen av våre fossile ressurser. Men vi klarer å ha to tanker i hodet samtidig. Vi klarer å satse på fornybar, vi klarer å satse på vind og hav, vi klarer å satse på en fossilfri bilpark. Det er mange ting som går i riktig retning. Denne regjeringserklæringen bidrar til å styrke det ytterligere.

østkanten. Gjennom innføringen av Kristelig Folkepartis modell for lærernorm på skolenivå vil nå alle elever i Oslo få lik tilgang til lærerressursene i den ordinære undervisningen, uansett hvor de bor. Er representanten Helleland tilfreds med at Osloskolen og resten av landet nå får tildelt de lærerressursene foreldrene bl.a. i Osloskolen lenge har bedt om?

men det er dessverre ikke slik at det vil skje over hele landet, for i mange deler av landet er lærerdekningen så god at de ikke vil få tilført ekstra ressurser. Kvaliteten, altså resultatmålingen, viser at det er enkelte av de skolene og enkelte av de fylkene som har den laveste lærertettheten, som gjør det best. Det er noen utfordringer med lærernormen, men vi skal følge det opp, og vi står ved de vedtakene vi har gjort. Vi skal følge opp dette og håper at vi kan få en god dialog videre med Kristelig Folkeparti om å få en best mulig lærertetthet i skolen, slik at alle elever har muligheten til å løfte seg, og at vi får en høyere kvalitet i utdanningen. Dermed er replikkordskiftet omme. Jeg vil starte med å ønske Venstre velkommen inn i regjeringssamarbeidet. Det var en klok og naturlig beslutning. Vi

til å realisere de ideene som skal betale for morgendagens velferdssamfunn. Både Høyre, Venstre og Fremskrittspartiet har sine uenigheter, men det vi har til felles, er mye sterkere enn det som skiller oss. Derfor har jeg troen på at vi vil få et godt og konstruktivt samarbeid fremover. For Fremskrittspartiet er et av de viktigste gjennomslagene i regjeringsutvidelsen at vi nå har fått en egen eldreminister, som også skal ivareta folkehelsen. Det har Fremskrittspartiet jobbet for lenge. Vi mener landets eldre, som har bidratt til det velferdsnivået vi nyter godt av i dag, fortjener en egen minister som har fokus på deres behov og sikrer våre eldre den tryggheten de fortjener. Siden regjeringsskiftet i 2013 er skatter og avgifter redusert med 24 mrd. kr, og vi skal fortsatt redusere skattenivået. En av prioriteringene våre blir å kutte i eiendomsskatten. Dette er en grunnleggende usosial og urettferdig beskatning av folks hjem. I den nye regjeringsplattformen er det enighet om å sette ned maksimal eiendomsskattesats på boliger og fritidsboliger, og det innføres et tak på verdsettelse av eiendommer. Målet er at alle skal få lavere eiendomsskatt i årene som kommer. Den såkalte maskinskatten, en eiendomsskatt som rammet produksjonsutstyr i bedriftene, ble fjernet i budsjettet for 2018, og allerede kan vi se en positiv effekt på investeringsviljen i distriktene. Fra og med 2019 kan kommuner som innfører eiendomsskatt, kun kreve inn én promille det første året – en halvering fra tidligere – og det gjøres også innstramninger i hvor mye kommunene kan øke skattesatsen med hvert år. På skattesiden vil jeg også gi en liten honnør til opposisjonspartiene. I sine alternative budsjett for 2018 beholder både Arbeiderpartiet og Senterpartiet mesteparten av skattelettelsene som er gitt siden 2013. Arbeiderpartiet vil nå bare øke skattene med 8 mrd. kr, mens Senterpartiet nøyer seg med 6 mrd. kr. Selv om de ikke sier det rett ut, er jo dette en klar erkjennelse av at det Høyre–Fremskrittsparti-regjeringen har gjort på skattesiden, har vært nødvendig og riktig. Samtidig viser det at vi allerede har satt varige spor, vi har beveget de andre partiene i vår retning. Ved å senke skattene til et mer riktig nivå stimulerer vi enkeltpersoner til økt arbeidsinnsats og bedrifter til økte investeringer i nye arbeidsplasser. En økonomi i vekst gir økte skatteinntekter til fellesskapet. Velferdssamfunnet vårt er helt avhengig av stabile og forutsigbare inntekter. Samtidig er det avhengig av at bruken av velferdstjenester ikke blir for stor. Det må være en balanse mellom det som kommer inn, og det som går ut. En streng og ansvarlig innvandringspolitikk skal videreføres og forsterkes, men også med økt fokus på integrering. Alle som får opphold i Norge, må gis mulighet til å benytte sin kompetanse, sine ressurser, til beste for seg selv og samfunnet. Vi må lykkes enda bedre med integreringen, og flere må inkluderes i arbeidslivet. Økonomisk vekst og en effektiv økonomi med høy ressursutnyttelse er svært viktig for å bevare bærekraften til det norske velferdssamfunnet. Derfor gleder det meg at Norge er på rett vei. De fleste indikatorer viser nå at norsk økonomi er i markant bedring. Arbeidsledigheten går ned, sysselsettingen øker, og konjunkturbarometeret viser at optimismen er tilbake i norsk industri. Oppgangen er mest markant på Sør- og Vestlandet, områdene som ble hardest rammet av oljeprisfallet. Politikken virker. Dette gir et godt utgangspunkt for regjeringssamarbeidet: et Norge i fremgang, et Norge med optimisme, og med dette utgangspunktet skal vi sammen – Venstre, Høyre og Fremskrittspartiet – hente frem det beste i oss, spille hverandre gode og gjøre Norge til et enda bedre land å bo i. Det blir replikkordskifte.

Vi har fremmet 22 forslag i Stortinget. Jeg vil nevne to av dem. Det ene er noe politiet og de skamløse jentene har etterlyst, nemlig et tydeligere lovverk: Arrangerte ekteskap der psykisk press er inne i bildet, må straffes. Det andre er et forbud mot søskenbarnekteskap for å bekjempe sosial kontroll. Jeg har opplevd at Høyre og Venstre er utydelige i disse spørsmålene. Derfor vil jeg spørre Fremskrittspartiet om de støtter forslaget om et nytt lovverk om arrangerte ekteskap, slik de skamløse jentene og politiet ønsker, og et forbud mot giftermål mellom søskenbarn. Det representanten viste til av forslag som er fremmet av Arbeiderpartiet, inneholder mye god Fremskrittsparti-politikk. Det er helt klart at vi er opptatt av de samme forholdene som påpekes fra Arbeiderpartiet. Vi mener at skal man bo i Norge og fungere i det norske samfunnet, må man følge de spillereglene som er etablert i Norge. Hvis man ikke aksepterer det, må det få noen konsekvenser. Så ja, i utgangpunktet er det riktig å stramme inn på både ekteskap mellom søskenbarn og andre forhold som vi ikke kan akseptere i vårt samfunn. Arbeiderpartiet ønsker en streng og rettferdig innvandringspolitikk. Når vi ønsker å forby søskenbarnekteskap, handler det selvfølgelig om de helsemessige konsekvensene dette har, men også om at norsk ungdom presses til å gifte seg med kusiner og fettere for at storfamilien skal få familiemedlemmer som bor i utlandet, til å komme til Norge. Det er uakseptabelt. En konsekvens av det vi foreslår, vil faktisk være en strengere familieinnvandringspolitikk, at det vil være forbudt gjennom ekteskapsloven, og dermed vil vilkårene for familiegjenforening bortfalle. Det er en riktig og nødvendig innstramming. Og bare for å få det helt klart for dette stortinget, for det er uklart hva regjeringen i stort, altså Venstre og Høyre, mener: Vil Fremskrittspartiet garantere at de ikke gir opp politiet og de skamløse jentene ved forhandlingsbordet med Venstre og Høyre – for å sikre et forbud mot søskenbarnekteskap? Hvis representanten leser regjeringserklæringen grundig, vil han se at det der er gjort noen innstramninger bl.a. når det gjelder familiegjenforening, fordi det er en økende utfordring. Det som har kommet av innvandrere de siste årene, har stort sett vært gjennom familiegjenforeninger. Så jeg vil returnere den oppfordringen til Arbeiderpartiet – om å støtte de forslagene som kommer fra regjeringen,

Kontroll ved grensene er avgjørende. I Sverige har sosialdemokratene strammet inn på innvandringspolitikken etter mange år med høyrestyre. Vi vet at det som skjer rundt oss nå, også vil kunne påvirke asylstrømmen til Norge. Vi må altså ikke skille oss ut. ut. Nå har vi kommet med et konkret forslag om å stramme inn på familieinnvandringspolitikken. Regjeringsplattformen er utydelig. Retorikken er tøff, men tiltakene er utydelige. Som en journalist i Minerva skriver: Flyktningpolitikken blir liberalisert med ny regjering. Kan Fremskrittspartiets parlamentariske leder garantere at det ikke blir liberalisering på innvandringsfeltet med Venstre i regjering?

Så jeg tror ikke representanten har noen grunn til å frykte at det blir en mer liberal innvandringspolitikk. Snarere tvert om. Men det er også viktig at vi samtidig må ha fokus på integrering, og så må vi sørge for at de som får oppholdstillatelse i Norge, inkluderes i bl.a. arbeidslivet og i det norske samfunnet. Da må det også være klare og tydelige spilleregler for hva vi kan akseptere i vårt samfunn,

for dem som har mest fra før, har det blitt betydelige avgiftsøkninger for folk flest: nærmere 7 mrd. kr totalt i løpet av den perioden Fremskrittspartiet har sittet i regjering og hatt finansministeren. I Jeløya-plattformen signaliserer en ytterligere økte avgifter, knyttet til både reiseliv, kollektivtransport, kultur og drivstoff. Derfor vil jeg spørre representanten for partiet for avgiftsøkninger for folk flest om hvor mye avgiftene skal øke videre i denne perioden, og hvem som må forberede seg på avgiftsøkning. Det er heldigvis ikke riktig, det som representanten Gjelsvik fremhever fra regjeringsplattformen – snarere tvert om. Der står det ganske tydelig at i den grad det er snakk om avgiftsøkninger på enkeltområder, skal det veksles mot tilsvarende avgifts- eller skattelettelser for dem som berøres. Det er den politikken vi har ført i fire år. Det er totalt gitt skatte- og avgiftslettelser på 24 Ja, noen avgifter har økt, noen avgifter har kommet til, spesielt på den grønne siden, men samtidig har vi klart å veksle det mot skattelettelser og andre avgiftslettelser for dem som har blitt berørt. Så jeg mener at vi har klart å balansere dette på en god måte, og vi har brukt avgiftene på en positiv måte, også til å påvirke folks adferd. Spesielt ser vi det når det gjelder transportsektoren og bilistene, hvor gulrotprinsippet, ved å redusere bilavgiftene og legge om engangsavgiften, har ført til at flere og flere nå velger miljøvennlige biler med lave utslipp. En har balansert det på den måten at en har økt de samlede avgiftene i den perioden som Fremskrittspartiet har sittet i regjering og hatt finansministeren, med nærmere 7 mrd. kr netto. Representanten Limi har

er mitt spørsmål: Når kan en forvente en større forutsigbarhet fra Fremskrittspartiets side når det gjelder hvilke avgifter som skal økes framover, sånn at også næringslivet og forbrukerne kan få vite det og ikke får det som en overraskelse en sen novemberkveld før jul? Fremskrittspartiet er ganske tydelig på at vi ikke ønsker avgiftsøkninger, snarere tvert om. Målsettingen i regjeringsplattformen er at skattenivået fortsatt skal ned. ned. Det er ingen føringer på at man skal øke avgiftene, med unntak av det som står eksplisitt om CO 2 -avgiften, men det skal kompenseres for dem som berøres. Så det er balansert. Det er riktig at det har kommet inn avgifter og avgiftsøkninger i de budsjettforlikene vi har inngått i Stortinget. men det skal kompenseres for dem som berøres. Så det er balansert. Det er riktig at det har kommet inn avgifter og avgiftsøkninger i de budsjettforlikene vi har inngått i Stortinget. Samtidig har vi prøvd å veksle det mot tilsvarende reduksjoner i inntektsskatten. Så jeg mener fortsatt at det er en god balanse, og all informasjon jeg har, tilsier at velgerne er veldig fornøyd med den måten Fremskrittspartiet har håndtert dette på i regjering så langt. Det er veldig populært å kalle en spade for en spade Den største trusselen mot velferden og mot det vi skal ha sammen, er rike selskaper og folk som snylter på vanlige arbeidsfolks ærlig betalte inntekter og arbeid. De gir blaffen i fellesskapet, og Fremskrittspartiet gir dem dessverre støtte. Mens vanlige folk har fått 10 kr dagen i skattelette, har de rikeste fått 3 000–4 000 kr – partiet for de 1 600 rikeste i landet, kan man kanskje kalle det. Grådigheten er grenseløs. Det utfoldes mye skaperkraft i å snyte – i arbeidslivet, økonomisk kriminalitet, skatteflukt. Fremskrittspartiet vil ikke trekke oljefondet ut av skatteparadis. Men da er spørsmålet: Erkjenner Fremskrittspartiet at økonomisk kriminalitet, skatteplanlegging, arbeidslivskriminalitet og skatteflukt er den største trusselen mot fellesskapet og velferden? Jeg er enig med representanten Karin Andersen i at internasjonal skatteplanlegging og skatteflukt er kjempeutfordring. Derfor har også regjeringen gjort veldig mye innsats på å få til internasjonale regler, for dette er ikke en utfordring vi klarer å løse i Norge. Vi er nødt til å ha internasjonale spilleregler, for veldig ofte snakker vi om globale selskaper. Og det er vi på. For øvrig vil jeg nok si at den grådigheten som det refereres til, er nok ganske dessverre. Vi må ikke komme dit hen at vi mistenker alle som tjener penger, og som driver selskaper og investerer og også skaper arbeidsplasser, for å være grådige. Det er veldig mange seriøse aktører der ute, aktører som vi er helt avhengig av. Derfor er det så viktig at vi tar hensyn til det som er deres behov også, gjennom å redusere skattenivået, gjennom å forenkle skatteinnretninger, som også gjør det mindre lukrativt å drive skatteplanlegging. Så dette har en sammenheng. Jeg synes egentlig ikke jeg fikk noe konkret svar. Når regjeringen og Fremskrittspartiet skal si at det er noen trusler mot velferden, starter man alltid med å skulle fordele mellom syke og arbeidsløse eller mellom fattige og uføre. Da er det der fordelingskampen skal stå. Men fordelingskampen må altså stå mellom fattig og rik hvis det skal være rettferdig, og det trengs nå et krafttak, det trengs en nådeløs kamp mot skatteparadis, mot skatteplanlegging, mot skattekriminalitet – både globalt og i Norge. Da må man f.eks. begynne med å trekke oljefondet ut av skatteparadisene, som er grunnlaget for at denne internasjonale økonomien kan fortsette. Jeg har ikke hørt et eneste tiltak fra regjeringen nå som er konkret på dette området. Og jeg fikk heller ikke svar på om Fremskrittspartiet erkjenner at det ikke er arbeidsledige og uføre som er den største trusselen mot velferden vår i framtida, og at de utgiftene ikke øker, men at det er denne type internasjonal og nasjonal kriminalitet som truer oss

arbeidslivet. Det er den største utfordringen vi har. Vi må inkludere flere, slik at vi får flere til å bidra nettopp til å opprettholde det velferdssamfunnet som vi har etablert i Norge. Den utfordringen ligger der, og den må vi gjøre noe med. Derfor er det så viktig at vi ikke bare klarer å inkludere ikke bare klarer å inkludere de som er uføre eller har en helsemessig utfordring, men at vi også klarer å inkludere de som vi gir opphold, altså flyktninger som får opphold i Norge, slik at alle kan bidra og bruke sin kompetanse på ulike nivåer i det norske samfunnet. Det viktigste vi kan gjøre for å redusere ulikhet i samfunnet, er gode. Vi vet at utenforskap er et økende problem i det norske samfunn, og jeg tror mange hadde sluppet å havne utenfor dersom vi hadde satset sterkere på familiene. Kristelig Folkeparti er garantisten for sterke, gode og fleksible familieordninger, en fleksibilitet som også gir barnefamiliene valgfrihet. Kontantstøtten er jo en slik ordning som gir barnefamilier valgfrihet. Dette er noe som også Fremskrittspartiet har støttet, dette har også vært Fremskrittspartiets politikk. Men i Dagbladet 24. januar sier Fremskrittspartiets representant Roy Steffensen at kontantstøtten er inne i sin siste periode, for den har vi ikke råd til lenger. Er det slik at Fremskrittspartiet er for valgfrihet, bare ikke for barnefamiliene? Nei, det er det heldigvis ikke. Jeg vet ikke hvor flink representanten Steffensen er til å spå om fremtiden, men enn så lenge har vi kontantstøtten. Det er helt riktig at Fremskrittspartiet har vært veldig for kontantstøtte fordi fordi det på en måte har vært en del av det vi ønsker skal sikre barnefamiliene valgfrihet. Men så ser vi også, dessverre, etter hvert som samfunnet har endret seg, noen uheldige sider ved kontantstøtten, ikke minst når det gjelder integrering. Her tror jeg at man må se kontantstøtten opp mot alle de andre tiltakene vi gjør for å sikre barnefamiliene, spesielt på barnehagesiden: full barnehagedekning, gratis kjernetid, lavere egenandel for foreldre som har middels eller lave inntekter. Alt dette spiller sammen. Det vi må sikre, er at vi ikke har ordninger som gir uheldige effekter. Kontantstøtten kan være negativ når det gjelder å integrere de som får opphold og kommer til Norge utenfra. Dermed er replikkordskiftet omme. La meg også få lov å begynne med å gratulere Venstre, Fremskrittspartiet og

i etterkrigstida, da Arbeiderpartiet hadde rent flertall. I dag ser vi ut til å ha fått den solbergske parlamentarisme. Begrepet er for så vidt ikke mitt eget – det var Harald Stanghelle som lanserte det allerede i mai i fjor – og den solbergske parlamentarisme gir seg uttrykk på særlig tre måter. Det første er at den i forrige periode kom til uttrykk ved en stilltiende aksept for at et regjeringsparti står for ett standpunkt i regjering, mens det samme partiet står for en helt annen oppfatning i Stortinget. I forrige periode gjaldt dette Fremskrittspartiet i en lang rekke saker, bl.a. trygdeoppgjør. I denne perioden startet Venstre sin gjerning i regjering med å stemme imot sin egen regjering i innvandringspolitikken. Statsministeren har bekreftet at vi kan komme til å se det i flere saker – at Venstre i Stortinget stemmer imot og dermed motarbeider sin egen regjering. En annen viktig del av den solbergske parlamentarismen synes å være at en over natta tar avgjørelser med store konsekvenser for mange mennesker, fordi det var så viktig for ett av partiene. Slik velger en regjering som påstår den er for næringsfrihet, å innføre forbud mot en hel næring – som statsministeren sa det på Dagsrevyen, fordi det var så viktig for Venstre.

til det partiet som anser saken som en seier for seg, mens ingen tar ansvar for helheten. Det kan virke som om det å ta ansvar for en helhet, som iallfall fram til 2013 var en regjerings viktigste oppgave, nå har blitt en slags pekelek der partiene er på flukt bort fra det samlede ansvaret en nødvendigvis må ha når en inngår et politisk kompromiss. Et siste element i den solbergske parlamentarismen er måten en ordlegger seg på når en skal unngå å ta ansvar for den retorikken som enkelte medlemmer av regjeringen har lagt seg til. Da sier en enten: Jeg ville ikke ha brukt det ordet. Eller en sier: Det er nå viktigere å diskutere saken enn alle ordene. På den måten kan f.eks. statsråd Listhaug få fortsette en retorikk som er både splittende og uklok, uten at noen andre i regjeringen tar ansvar for det. den måten kan f.eks. statsråd Listhaug få fortsette en retorikk som er både splittende og uklok, uten at noen andre i regjeringen tar ansvar for det. Denne solbergske parlamentarismen flytter grenser i norsk politikk. Som Harald Stanghelle sa det i sin artikkel i fjor vår: «Lojaliteten og forpliktelsene som regjeringsparti er devaluert.» Han spør videre i sin artikkel: «Hvilken betydning får det for statsministerens For min egen del konstaterer jeg kun at den solbergske parlamentarismen fremmer mangel på helhetlig styring. Og viktigst: Den gir dårlige løsninger på viktige saker som betyr mye for folk. Regjeringserklæringen er på mange måter en bekreftelse av at den blå-blå politikken fortsetter. Mange av reformene denne regjeringen satte i gang i forrige periode, var strukturendringer som handlet om å sentralisere. Men de samme reformene handlet også om makt og avmakt og om en type offentlig styring der systemet trumfer individet, der systemene blir viktigere enn menneskene. Jeg sa i trontaledebatten i fjor høst, og vil gjenta i dag, at en av de viktigste debattene Stortinget står overfor de neste fire årene, er hvilken offentlig sektor vi skal ha. Norge har svært mange ansatte i offentlig sektor som ønsker å gjøre men som i dag blir detaljstyrt og utsatt for en masse rapporteringsarbeid. Løsningen på det er ikke konkurranseutsetting og anbudsregimer. Løsningen er en fornying av offentlig sektor der de ansatte gis myndighet og tiltro til å gjøre en god jobb, og der de som bruker offentlige tjenester, føler at de blir både sett og hørt. Det Høyre og perioden, var nærmest å gå til et målrettet ideologisk angrep på offentlig sektor, både ved en gjennomgående sentralisering på mange områder og ved å oppmuntre til enda flere tellekanter, rapportering, enda flere direktorater, enda flere råd og utvalg. Med det bakteppet er det som står i regjeringserklæringen om å «gjennomføre tiltak for å sikre like konkurransevilkår mellom offentlig og privat sektor», et illevarslende signal. Det høres så tilforlatelig ut, men det er et illevarslende signal. Det er nemlig til forveksling likt det som ESA og regjeringens eget Hjelmeng-utvalg ønsker. Med EØS som brekkstang skal altså regjeringen prøve å sørge for at det offentlige tjenestetilbudet blir svekket. Det kan bety at kommunale aktiviteter som ikke er lovpålagt, skal konkurrere med private – kulturskoler, lokaler til idrettstiltak, kino, svømmebasseng i kommunal regi, for å Da må de i tilfelle skilles ut som egne rettssubjekter, få skatteplikt, krav om markedsmessig avkastning og en hel masse byråkrati og kostnader. For mange av de mindre kommunene vil dette sjølsagt være en umulighet, så i tillegg til å bety konkurranseutsetting og privatisering vil det også bety at mye kultur og fritidsaktiviteter i offentlig regi kan bli kraftig sentralisert. Senterpartiet skal kjempe for at vi fortsatt kan ha et velferdssamfunn der kommuner og fylker får rom og mulighet til å tilby aktivitet og tiltak til sine innbyggere uten at det på forhånd kreves den type anbud og konkurranseutsetting. I framleggelsen av regjeringserklæringen prøvde statsministeren å nøytralisere diskusjonen om sentralisering. Jeg tror kanskje det er det som er Høyres strategi for tida. Hun presterte å omtale hele Nord-Norge som et distrikt da hun pekte på Distriktspolitikken er nok litt mer finmasket enn som så, også i Nord-Norge, men det er riktig at det ligger mange og store muligheter for verdiskaping i hver eneste region i Norge. Private står på for aktivitet og verdiskaping hver eneste dag, men skal det virkeliggjøres, må også privat og offentlig sektor henge godt sammen, og offentlig sektor må fungere like godt over hele Norge, i både små og store kommuner. For noen dager siden fikk jeg en henvendelse fra en fortvilet bedrift som utfører analyser av vann-, mat- og miljøprøver. Den typen prøver er ferskvare, og analysene må starte raskt. Men endringene i Posten Norge fører nå til at de ikke lenger kan motta prøvene raskt nok – et tydelig eksempel på at den måten som regjeringen nå ødelegger Postens samfunnsoppdrag på, har direkte og negative konsekvenser for privat verdiskaping i Det må i det hele tatt balanseres. Den private verdiskapingen er helt avhengig av en vel fungerende offentlig sektor. Noen prøver å snakke om distriktspolitikk som en særinteresse, men det er det jo ikke. Det handler om et balansert samfunn som gir rom for ulike valg, en større helhet som rommer et mangfold. Vi står overfor en svekket regjering. Tre partier som i forrige periode hadde flertall, skal nå samarbeide i mindretall. Flertallet er tapt i det valget vi har lagt bak oss. Det gir store muligheter for gjennomslag for de ulike partiene i saker i Stortinget. Senterpartiet skal fortsette å arbeide for at alle deler av dette landet blir sett og verdsatt. Vi skal arbeide for å redusere forskjellene mellom folk, både geografisk og sosialt. Vi skal arbeide for at systemene aldri blir så store at menneskene blir små og bortglemt. Vi skal ha tillit til dem som arbeider i offentlig sektor, ikke detaljstyre dem. Vi skal få opp respekten for naturressursene våre og for dem som produserer verdier basert på dem. Jeg føler meg trygg på at mange av statsrådene etter hvert vil klage over stortingsregjereri, og det må de jo få lov til. Statsministeren vil også ønske at kryssende flertall unngås. Men det er ikke slik den vanlige parlamentarismen fungerer. Der er det sakene som avgjør. Det er regjeringen som må innrette seg etter Stortinget og flertallets vedtak. Det er enhver mindretallsregjering sitt lodd, og de kan ikke gjøre sitt mindretall til Stortingets ansvar. Den nye sammensetningen av Stortinget kommer til å gi oss en spennende tid med mange muligheter på vegne av viktige saker. Én ting er sikkert: Senterpartiet skal stå klar til å gripe mulighetene. Med det tar jeg opp de forslag som Senterpartiet er en del av. Representanten Marit Arnstad har tatt opp de forslagene hun refererte til. Det blir replikkordskifte. replikkordskifte. Den utvidete regjeringen har lagt fram en regjeringsplattform, en erklæring som følger opp de siste fire årenes samarbeid på borgerlig side og peker mot en fortsatt utvikling i tråd med de siste årenes når det gjelder kommuneøkonomi, samferdsel og andre viktige områder. Arnstads kollega og partileder kaller dette å få fram det verste i hverandre. Det får stå for hans regning. Når det gjelder virkeligheten, vil jeg stille et par spørsmål: For kommunesektoren er resultatet for det siste året vi har endelig data fra, 2016, et par spørsmål: For kommunesektoren er resultatet for det siste året vi har endelig data fra, 2016, på 4 pst. som helhet. Sektorens inntekter økte med 55 mrd. kr fra 2013 til 2016, i det alt vesentlige fra økt inntektsskatt og statlige overføringer. Hvor mye høyere er dette resultatet enn da Senterpartiet hadde kommunalministeren? Dersom tallet ikke er tilgjengelig på stående fot: Har det gått i riktig retning, altså med bedre resultat, eller i gal retning med dårligere resultat? Det er klart at når en bruker så mye så mye oljepenger som denne regjeringen har gjort, drypper det litt på kommunesektoren også. Senterpartiet har egentlig ikke klagd på rammene til kommunesektoren de siste årene. Det vi først og fremst har påpekt, er at fordelingen av inntektene til kommunesektoren etter hvert har blitt veldig urettferdig. Svært mange distriktskommuner har fått veldig negative utslag av inntektsfordelingen, mens de store byene tar stadig mer av midlene. Blant annet i mitt eget fylke er det slik at nesten alle kommunene

slik jeg i hvert fall oppfatter det – i riktig retning for tiden framover også? Jeg må først få lov til å kommentere litt videre når det gjelder kommuneinntektene. Regjeringen har på en måte brutt opp og halvert basistilskuddet. Det advarte faktisk dagens statsminister mot for ti år siden – eller litt mer enn ti år fordi det ville være et grep som gikk ut over muligheten til å gi likeverdige tjenester til alle innbyggerne i en kommune, uavhengig av om den var liten eller stor. Det er nettopp det grepet som kanskje er det alvorligste en har tatt når det gjelder inntektsfordelingen til kommunene. Når det gjelder samferdselspolitikken, er vi i det store og hele fornøyd med at regjeringen følger opp den nasjonale transportplanen som vi vedtok i 2013, og at de viderefører satsingen i 2017. Det synes vi er bra. Det er sjølsagt synd at de i enkelte distrikt velger å nedprioritere veiprosjekt eller togprosjekt, bl.a. Trøndelags største kollektivtransportprosjekt, som plutselig ble begravd før budsjettet i høst. Da registrerer jeg altså at når det gjelder både samferdselssektoren og kommunesektoren går egentlig de økonomiske resultatene i riktig retning.

Noe av det er fornuftig, mye av det har også vært ufornuftig. Den måten en har valgt å sentralisere på, og også etter hvert brutt ned og fragmentert distriktspolitikken, er et av de store problemene til denne regjeringen. Det er ikke tvil om at de har brukt mye av pengene på dem som allerede har mye fra før. De har også valgt å satse lite på å få aktivitet over hele landet.

I mine første fire måneder på Stortinget har jeg lagt merke til alle forslagene fra Senterpartiet der man skal ha omkamp om mange reformer og vedtak som regjeringen har fått flertall for i Stortinget de siste fire årene. Venstre mener at vi må reformere for å effektivisere og forbedre. I så måte er jernbanereformen, veireformen med Nye Veier, reform for fritt behandlingsvalg, kommunereformen, regionreformen, nærpolitireformen, universitets- og høyskolestrukturreformen viktige reformer, og ikke minst en integreringsreform, som Jeløya-plattformen også staker ut. Mener representanten Marit Arnstad at vi ikke behøver Og er det noen glede å spore over at slike reformer over tid kan gi de nødvendige forbedringene som kan gi god velferd over hele landet, eller vil svaret på alle reformene fra Senterpartiet også framover være at dette er sentralisering – og dermed omkamp? En må etter Senterpartiets mening gjerne gjennomføre reformer, men reformene må jo gå i riktig retning, og sentralisering er ikke riktig retning. retning. Dessverre er det slik at svært mange av reformene som regjeringen har foreslått, og som Venstre har støttet, er rent sentraliserende reformer. 120 lensmannskontor er lagt ned de siste fire årene. Halvparten av landets skattekontor er lagt ned. Det er foretatt tvangssammenslåinger av kommuner uten at kommunene har blitt tilført noen nye oppgaver. Og jernbanereformen

at Venstres standpunkt i den bestemte saken som det da ble referert til, var bestemt lenge før regjeringsdannelsen – og ikke minst behandlet i komiteen? Da er mitt spørsmål: Hadde Senterpartiet kommet til å snu i en slik situasjon? Jeg ser at den saken var avgitt før sjølve regjeringsplattformen var lagt fram, men jeg ser også at den praksisen med at en bryter ut når det gjelder noe som behandles i Stortinget, når en har kommet i regjering, i Stortinget, når en har kommet i regjering, er noe helt nytt. Statsministeren åpnet for at det kan være flere innstillinger der Venstre kommer til å stemme imot sin egen regjering. Det skal bli veldig interessant å se om det skjer, for det vil i alle fall da skje på godt og trygt grunnlag etter at Venstre har kommet inn i

Den samme damen sa følgende til Aftenposten i 2013: «Sp har arbeidet for å bruke avgiftspolitikken på kostholdsfeltet, enten med momsfritak på sunne varer , eller gjennom sukkeravgift.» Det samme sa Kjersti Toppe til VG i mars 2016. Så mitt spørsmål til Senterpartiet er: Når skal Kjersti Toppe få lov til å prege folkehelsepolitikken til Senterpartiet? Senterpartiet? Jeg synes Kjersti Toppe gjør en helt utmerket jobb med å prege Senterpartiets politikk både på helsefeltet og på folkehelsefeltet. Jeg må si jeg setter veldig stor pris på den måten hun markerer Senterpartiet på, på det feltet. Så er jeg for så vidt enig i prinsippet om at usunne ting eventuelt bør skattlegges høyere enn sunne ting, men da må vi være sikre på at det faktisk er de usunne tingene som blir skattlagt. skattlagt. Hvis representanten Bollestad viser til sukkeravgiften, er det slik at den er helt meningsløs. Nugatti, som jeg har kjempet for å holde unna min sønn i hele oppveksten, er ikke avgiftsbelagt etter sukkeravgiften, mens sukkerfri Dent er det. Altså: Hvis Kristelig Folkeparti vil ha en ordentlig debatt om folkehelse, må tiltakene være presise, ikke være preget av at det egentlig er tiltak for å få i hop budsjettbalansen en sen nattetime i Stortinget.

både når det gjelder usunne matvarer og forholdet til alkohol og tobakk, og når det gjelder omsetningen av en del av de varene. Jeg tror vi skal få mange muligheter til å sette oss ned og se på tiltak som faktisk virker, som er presise, som er målrettede, og som ikke bare er rent økonomiske, budsjettmessige tiltak. Replikkordskiftet er omme. Norge og

Vi bør alle bekymre oss for hvordan dette slår ut i mistillit til demokratiet, oppløsning av samfunn og framvekst av autoritære krefter. Norge er et av landene med minst forskjeller. Kloke politiske valg har bygd et trygt arbeidsliv, felles velferd og utdanning og et omfordelende skattesystem. Men også her ser vi at avstanden mellom dem som har mest, og dem som har minst, øker. ti prosent rikeste husholdningene i Norge eier over halvparten av all formue, samtidig har de som tjener minst, knapt opplevd lønnsøkning de siste årene. Antallet unger som vokser opp i fattigdom i Norge, har økt til 101 300. 8 000 mennesker i 20-årene har falt ut av arbeidslivet bare de siste månedene. månedene. I møte med dette varsler regjeringspartiene at de vil fortsette å føre akkurat den politikken som har ført til at forskjellene har økt i Europa og USA – skattekutt til de rikeste, kutt i velferd, åpning for utrygge, midlertidige jobber og privatisering av offentlige tjenester. Under overskriften «Bærekraftig velferdssamfunn» skyver regjeringen eldre og

men i plattformen finnes det ikke tiltak for fattigdomsbekjempelse, bare fattigdomslindring og mer behovsprøving. I stedet for å utjevne forskjellene og sørge for at de som har minst, får mer å leve av, vil regjeringen lindre situasjonen for dem som har det verst. Det er bra, men det løser ikke situasjonen. Og med mer behovsprøving risikerer regjeringen å låse folk fast i fattigdommen. Statsministeren snakket i går om det såkalte mulighetslandet, der barn som vokser opp i familier med lav inntekt, skal ha de samme mulighetene som andre. Problemet er bare at dette er ren ønsketenkning. Økonomiske forskjeller har alt å si for hvilke muligheter man får senere i livet. Sammenhengen mellom foreldrenes inntekt og egen inntekt som voksen er sterk. Kommer man fra en fattig familie, har man langt større sannsynlighet for selv å være fattig som voksen. voksen. For også i Norge faller den sosiale mobiliteten. For at alle skal ha like muligheter, må vi redusere de økonomiske forskjellene. Denne regjeringen går motsatt vei. Arbeidslivet er i endring – med automatisering og robotisering. Samtidig som regjeringspartiene er bekymret for at den økte produktiviteten kan gjøre at arbeidskraft frigjøres til andre formål, er det bare noen uker siden statsministeren sto på NHOs årskonferanse og vektla å uttrykke skepsis til kortere arbeidsdag. Det henger jo ikke sammen. At arbeidsplasser blir overflødige på grunn av teknologi, er ikke noe nytt. Det store spørsmålet er hvordan vi skal være best mulig forberedt på denne utviklingen og sørge for at flest mulig får glede av den. Det er ikke ved å gjøre som regjeringen vil, nemlig å kutte skatten til dem som har mest fra før, selge ut offentlig virksomhet, svekke arbeidsmiljøloven og kutte i velferd. Det er ved å sørge for at også de som eier teknologien, må betale skatt, at selskaper som eies av fellesskapet, også forvalter framtidens verdier, at folk i jobb har trygghet og mulighet til å endre og fornye kompetansen sin, og ved å holde forskjellene lave gjennom at alle har tilgang på gode, universelle velferdstjenester. Regjeringen skriver også: «En god folkehelse skapes ved å forebygge der en kan og reparere der en må.» Men det å finne spor av faktisk politikk for forebygging er ikke lett. Vi vet at barn og unge lærer bedre, får bedre helse og trives bedre med fysisk aktivitet og sunn mat. Men regjeringsplattformen nevner ikke skolemat eller fysisk aktivitet, og fraværet av den nylig vedtatte lærernormen lyser mot oss både i erklæringen og i statsministerens framlegg. Men regjeringsplattformen nevner ikke skolemat eller fysisk aktivitet, og fraværet av den nylig vedtatte lærernormen lyser mot oss både i erklæringen og i statsministerens framlegg. Mens stadig flere nå roper varsko om lærermangel og at elever faller fra, vil regjeringen innføre mer testing og mer papirarbeid i skolehverdagen. Regjeringens tiltak vil gjøre utfordringene større. Ett sted der det overordnede budskapet og handling står mer

nei, da mister vi også selve livsgrunnlaget vårt. Og hubroen, som statsministeren vår en gang gjorde narr av fordi hun mente den stoppet viktige utbyggingsprosjekter, eller øyenstikkeren, som ingen bryr seg om, har avgjørende roller. Naturen er et korthus der alle kortene er avhengige av hverandre. Jeg er optimist på vegne av verden og miljøet. Elferjer går nå langs kysten vår – kanskje etter hvert også med nye typer batterier, med økt kapasitet og levetid, utvikles, og solkraft utkonkurrerer fossil energi i pris og installasjon. Når jeg leser denne plattformen, ser jeg en regjering som ikke har ambisjoner om å gjøre Norge klart for å møte den nye virkeligheten. I møte med fallende global etterspørsel etter olje og gass er Til tross for dette smykker plattformen seg med formuleringer om klimarisiko. Blant annet står det at de vil stille krav til at selskapene synliggjør klimarisiko i sine utbyggingsplaner på norsk sokkel. Men hva det skal bety i praksis, er ikke godt å si når de avviser problemstillingen fullstendig i forbindelse med utbyggingen av Castberg-feltet i Barentshavet. Hvis det ikke er relevant for det feltet, hvor er det relevant da? Veksten skjer nå ikke innenfor fossil energi, men innenfor fornybar energi, teknologi og nullutslippsløsninger. Skal vi lykkes med å finansiere skole, barnehage og eldreomsorg i framtiden, må vi lykkes med omstillingen fra en oljeøkonomi til en klimaøkonomi. Vi i Norge må selv drive denne utviklingen framover og ikke til slutt bli tvunget til å ta de tøffe valgene. Norge trenger lederskap som får alle sammen igjennom den omstillingen vi står overfor, som fordeler godene, og som skaper grønn vekst, som jobber for de mange og ikke for de få. Regjeringen tegner fagre mål, men tiltakene går i motsatt retning. Denne regjeringen kommer til å føre en politikk for økte forskjeller og fortsatt oljeavhengighet, men det finnes heldigvis lyspunkter – denne regjeringen har ikke flertall i Stortinget.

12. desember i fjor sa representanten Kaski følgende om boligpriser: «det er ikke et mål for SV at prisene skal gå ned.» SV var mot å forenkle byggteknisk forskrift, som får ned byggekostnadene med opp til flere hundre tusen kroner. Som ellers er SVs svar på de fleste problemer at man skal ta mer av vanlige folks penger, og det er løsningen også på boligmarkedet. Spørsmålet mitt til SV er da: Hvordan kan SV forvente at flere unge skal komme seg inn på boligmarkedet, når det er høyere byggekostnader, høyere boligpriser og høyere skatt for folk flest? Det er på denne regjeringens vakt at man virkelig har sett den prisgaloppen som har vært i boligmarkedet gjennom de siste årene. Det har vært en ganske dramatisk utvikling, der prisene har gått raskt opp, og der en har tilrettelagt for en jojo-situasjon i boligmarkedet. Det er ikke gunstig for folk flest å oppleve de enorme svingningene som har vært i boligmarkedet. Vi ser store innslag av spekulasjon i boligmarkedet og ikke minst den enormt høye gjeldsgraden, som bør bekymre regjeringspartiene enormt. Det er en veldig stor andel av dem som eier bolig i dag, som sier at de ikke vil tåle en renteøkning, som vi tross alt må forberede oss på kommer. Hvis regjeringen hadde vært opptatt av å senke terskelen, slik at flere unge kunne komme seg inn uten å sette seg selv i dramatisk gjeld, og uten at boligmarkedet forsterker forskjellene i Norge, kunne det vært å tilrettelegge for at Husbanken også kan gi startlån til flere av dem som har betalingsevne, men som ikke klarer å få lån til å komme seg inn på boligmarkedet. Jeg er enig i at vi er nødt til å gjøre tiltak på både tilbuds- og etterspørselssiden nettopp for å ta vare på det selveierdemokratiet som vi har i Norge. Hele 80 pst. av oss eier en bolig som eies av dem som bor der selv. Forskjellen på Høyre og SV er at en aktiv boligpolitikk for SV er mer statlig styring og økt skatt for folk. En aktiv boligpolitikk for meg vil heller være å sørge for digitalisering og tiltak mot spekulasjon – som det også står om i regjeringserklæringen – og at vi fortsetter å forenkle regelverket. Jeg kunne ikke høre at Kaski egentlig svarte på spørsmålet om dette med økt boligskatt for folk flest. Problemet med det forslaget er at det ikke fungerer. SV tok over styringen av Oslo for noen år siden og økte boligskatten. Resultatet var at boligprisene økte med 20 pst. hvert år i to år. Spørsmålet mitt til Kaski er da: Hvor høy skal skatten være for folk som eier bolig i distriktet, for å få ned

spekulasjonen. Vi har et boligmarked der vi i stor grad har tilrettelagt for at det er de som eier flest og dyrest boliger, som har fått mest i skattelettelse. Vi må klare å sørge for mer stabilitet i boligmarkedet. Boligskatt er en del av det.

på leie-til-eie-prosjekter i årene som kommer. Men da er vi prisgitt at vi har lokale politikere som er opptatt av å ta dette tiltaket på alvor. Ser man til Høyre-styrte Drammen, gjør man det veldig godt der når det gjelder leie-til-eie-prosjekter, men ser man til Oslo, gjør man det ikke like godt der. Spørsmålet mitt til SV er da: Hva vil man gjøre for å bedre leie-til-eie-prosjekter? Tiden er ute.
får vi jo høre at vi er enige. Man sier at man skal ha tiltak som først og fremst rammer dem som driver med spekulasjon. Flott, sett i gang! Det vil vi også. Når vi foreslår endringer i boligskatten, dreier det seg om å ramme dem med de dyreste boligene og dem med flest boliger, ikke vanlige folk. Det er ikke vanlige folk som har den største byrden

Representanten kan gjerne bli med på en runde og en liten studietur for å se på det. Jeg er sikker på at vi kan få til et godt samarbeid om å få på plass leie-til-eie. Det er det stor og bred politisk enighet om, så her kan vi finne sammen. Representanten

i den svenske gjengkrigen, og det snakkes om å sette inn militæret mot egen befolkning. Politiet har mistet kontrollen i flere områder, og folk føler seg rett og slett utrygge. Bare i 2017 døde over 40 personer, og 135 personer ble skadet i over 300 skyteepisoder. Står SV fortsatt ved at Sveriges innvandringspolitikk er et forbilde, og bør Norge la seg inspirere av den? Jeg synes at Norges innvandringspolitikk i dag, at vi tar imot så få mennesker på flukt, er en skam. Vi burde ta imot flere som er på flukt. Det har Sverige gjort, og ja, det burde også vi se på. Det som Sverige ikke har lyktes med i så stor grad, er integreringspolitikken. Til det vil jeg si at vi i

Det handler om språkopplæring, om å få folk ut i arbeidslivet, om at boligpolitikken som vi diskuterte i sted, har vært vellykket. Jeg bor på Veitvet i Groruddalen, og der har man lyktes på mange områder. Men det jeg vil advare mot, er det som vi ser skje nå, med politireformen, at politiet fjernes fra gatene, der man trenger at de er til stede, og at de ikke kjenner lokalmiljøene så godt som de burde.

ser på nordisk forskning – det blir presentert tall i neste uke – vokser forskjellene fordi vi får flere eldre og mange flere innvandrere, og dermed er det færre som har inntektsgivende arbeid. Det skaper forskjeller, men det skaper også en skattebyrde, som SV legger opp til, hvis en vil skattlegge de stadig færre som er i jobb. Det er en utfordring for fellesskapet. Når det kommer til klima og energi, kan SV være en medspiller. Gahr Støre nevnte i sitt innlegg «klima», «energi» og men det skaper også en skattebyrde, som SV legger opp til, hvis en vil skattlegge de stadig færre som er i jobb. Det er en utfordring for fellesskapet. Når det kommer til klima og energi, kan SV være en medspiller. Gahr Støre nevnte i sitt innlegg «klima», «energi» og «miljø» null ganger på ti minutter. Det er vel ikke noe alternativ for SV da å skape
Ja, man kan regne med SV i klima- og miljøpolitikken på Stortinget. Vi kommer til å jobbe hardt hver eneste dag for å fremme forslag som kutter utslipp, drive dem gjennom og skaffe flertall for dem i Stortinget. Det er lagt fram en regjeringsplattform hvor en ikke engang klarer å si hvor mye Det er vanskelig å finne de konkrete tiltakene som vil redusere utslippene. Men – for all del – det har vi vært vant til de siste fire årene. Vi har blitt godt vant til å legge fram forslag og få gjennomslag for dem, for en mer ambisiøs miljøpolitikk. Det er opposisjonen i Stortinget som de siste fire årene har drevet igjennom den ambisiøse som har blitt ført – ikke regjeringen. Det kommer vi til å fortsette å gjøre. For å gjenta meg selv: Regjeringsplattformen slår fast at vi skal fortsette som før når det kommer til olje- og gassindustrien. Vi kommer til å fortsette å låse norsk økonomi og norsk arbeidskraft fast i en næring som ikke har framtiden foran seg. Da er det fortsatt oppgaver for SV i Stortinget. Jeg håper at SV blir med på de store oppgavene. Karbonfangst er én av dem, og der må vi få til få til innovasjon og utvikling som fører til at vi får brukt hele den norske sokkelen, som er en stor mulighet for et karbondeponi. Danmark, vårt naboland, er et eksempel: De har etablert en klimalov og satt seg ambisiøse klimamål, men de har færre enn 10 000 elbiler. Elbilpolitikken ligger fast fram til 2020. Norge når målsettingen om å fase ut fossile drivstoff og ta i bruk nye, fornybare drivstoff, særlig i persontransporten. Hva ser SV for seg nå som kortsiktige mål for å trumfe dette – for å bruke et annet bilde på det – når SV har så store ambisjoner? Hvilke mål vil SV bidra til, med tanke på å senke utslippene
en ambisiøs plan, med en lang rekke konkrete tiltak. Få av dem – om noen – finner vi igjen i denne regjeringsplattformen, så dem må vi fremme i Stortinget og håper selvfølgelig på støtte fra Venstre for det, for å få kuttet utslipp. At representanten Kjenseth trekker fram Danmark og deres elbilpolitikk, er interessant. Hva er forskjellen mellom Norge og Danmark? Jo, det er at Norge i utgangspunktet har hatt et avgiftssystem for biler som i stor grad tilrettelegger for at man kan gi goder til elbilene, og at elbilene kan unntas avgifter, mens de som går på bensin og diesel, fortsatt har avgifter. Det har ikke Danmark kunnet gjøre, og derfor har de heller ikke kunnet ha en elbilsatsing. Når Danmark i tillegg legger avgifter på elbilene, som Høyre–Fremskrittsparti-regjeringen foreslo i statsbudsjettet i fjor høst, blir konsekvensen at Danmarks elbilsatsing tryner fullstendig. I stad var det et

regjering. Man startet nærmest et kappløp om å være strengest mulig og hardest mulig. Sågar har man fremmet et forslag hvor man tror at det å forby søskenbarnekteskap vil forby tvangsekteskap, som om tvangsekteskap ikke kan skje med tremenning eller firmenning eller utenfor familiesfæren. Man varsler også om at man vil stramme inn på henteekteskapene og bli enda strengere.

SV kommer fortsatt til å mene at vi må ha en rausere, mer liberal og mer human innvandringspolitikk enn den som føres med dagens regjering. Men det er interessant å spenne spørsmålet tilbake til Venstre, som akkurat har gått inn i regjering med Høyre og Fremskrittspartiet. Jeg ser at man har lagt til et nytt ord – rettssikkerhet – i regjeringsplattformen. Det blir interessant å se hva det vil av reell politisk endring. Venstre har vært kritisk til politikken som har vært ført på dette området av Høyre og Fremskrittspartiet. Det blir interessant å se om de får til en faktisk endring. Hvis jeg var representanten Raja, ville jeg vært mer opptatt av den politikken som skal føres på dette feltet av regjeringen som de akkurat har gått inn i, enn av det interne forholdet mellom SV og Arbeiderpartiet i Stortinget. I regjeringserklæringen står det ikke mye om bioteknologiloven, men dette er

For oss handler utfordringen om jakten på egenskaper og tilstander som ikke kan behandles. Det å søke etter trisomier og funksjonsnedsettelser sender et veldig tydelig signal, og det bryter også med idealet om et samfunn der det er plass til alle. og SV står ofte sammen i kampen for likestilling og inkludering. Hvordan forholder egentlig SV seg til at teknologien muliggjør sortering og ekskludering på en måte som vi aldri tidligere har kunnet forestille oss?

siden kan gi dilemmaer knyttet til sorteringssamfunn og en del etiske og moralske spørsmål. Jeg tror vi kommer til å ha og videreføre den restriktive linjen vi har hatt, der SV og Kristelig Folkeparti har stått sammen i en del av disse spørsmålene. Vi går inn i denne prosessen og diskusjonen med mye seriøsitet, for dette er krevende og

ei ytterlegare forsterking av ei allereie svært systematisk og omfattande satsing på teknologiutvikling og forsking er på plass, og slik sikrar me arbeidsplassar gjennom auka konkurransekraft for næringslivet vårt på marknader som for lengst er drivne av grøne verdiar ei rusreform der rusmisbrukarar primært får tilbod om hjelp, ikkje straff inkluderingsdugnad for å få seg arbeid og få fleire integrerte i det norske samfunnet ei grunnhaldning som i innleiingskapitlet til erklæringa slår fast at «innvandring er en kilde til nye impulser og kulturell utveksling. Variasjon bidrar til nytenkning og kreativitet.» For sosialliberale Venstre er fridom ein grunnleggjande verdi, men skal ein vera fri, må ein òg vera fri frå naud, fattigdom og ulikskap. ulikskap. Noko av det mest hjarteskjerande i det norske velferdssamfunnet anno 2018 er vissa om at 80 000–90 000 barn veks opp i fattigdom. Difor er det utruleg godt å kunna slå fast at den målretta satsinga på å kjempa mot barnefattigdom, m.a. gjennom å innføra gratis kjernetid i barnehagen for alle tre-, fire- og femåringar frå låginntektsfamiliar, no vert utvida til òg å gjelda skulefritidsordninga. For ein sosialliberalar og verdsborgar gjer det òg godt å For ein sosialliberalar og verdsborgar gjer det òg godt å kunna framheva at Noreg skal ta eit endå større ansvar for folk i andre land som er i naud og treng hjelp, både gjennom bistandspolitikken og flyktningpolitikken. I regjeringserklæringa har Venstre, Høgre og Framstegspartiet samla seg om eit felles overordna prosjekt, berekraftig velferd, som for Venstre ikkje minst handlar om fridomen til dei som kjem etter oss. Me har òg samla oss om seks hovudutfordringar som viser noko av krafta i det samarbeidet som ikkje berre tre, men fire parti på borgarleg, ikkje-sosialistisk side, har utvikla dei siste fire åra: omstilla norsk økonomi for å skapa vekst, nye arbeidsplassar og å sikra fleire bein å stå på oppfylla klimaforpliktingane til Noreg skapa eit inkluderande arbeidsliv sikra gode og berekraftige velferdsordningar redusera fattigdom og utanforskap gjennomføra eit integreringsløft Om eg supplerer lista med kultur- og mediepolitikken og alt i erklæringa som er god distriktspolitikk, samferdsle, næringspolitikk, landbrukspolitikk og viljen til å styrkja kommunane og dei nye regionane, er det lett for Venstre å starta det blå-grøne regjeringssamarbeidet med entusiasme og stoltheit. Det gjer me fullt klar over at det framleis er ei mindretalsregjering. Den store makta ligg – som seg hør og bør – i Stortinget. Heldigvis har Venstre og Kristeleg Folkeparti utvikla eit tett og tillitsbasert samarbeid dei siste åra – eit samarbeid Venstre skal gjera det me kan for å ta

Framstegspartiet. I tillegg til politikken me saman har meisla ut i regjeringserklæringa, er forklaringa på det mange i Venstre sa og oppriktig trudde var usannsynleg, men no er gjort mogleg, ein kombinasjon av reell vilje hjå Framstegspartiet til å koma Venstre i møte, og tre ualminneleg flinke partileiarar med stor gjensidig tillit utvikla over tid. Og utan forkleining for Trine og Siv, er det liten tvil om at statsministeren må ta ein betydeleg del av æra for at Venstre og Framstegspartiet – mot alle odds – har funne saman. Måten ho har leia samarbeidet, sonderingane og forhandlingane på, er ikkje berre politisk leiarskap av ypparste klasse, men òg leiarskap på høgt nivå. Regjeringserklæringa er utvilsamt eit godt utgangspunkt. Jobben med å gjennomføra ho startar no – ein jobb eg og Venstre gler oss til å ta fatt på, og me skal gjera det me kan for at me saman lukkast. Det blir replikkordskifte.

Da trakk representanten Breivik fram i Nationen at samarbeidet med Fremskrittspartiet var en mulig forklaring på dette. Men nå ble det som det ble, og den gamle Breivik er ikke helt som den nye, og jeg trenger å bli kjent med det nye Venstre. Jeg lurer på hvilket Venstre jeg vil møte i Stortinget framover – jeg lurer på om hele Venstre er i regjering hele Det så ikke slik ut da det første Stortings-Venstre gjorde etter at Venstre kom i regjering, var å stemme imot regjeringen. Representanten vil møta det same Venstre som ho alltid har møtt. Så er det sjølvsagt forskjell på å vera i posisjon og i opposisjon. I posisjon er det me som skal forvalta posisjonen si rolle og har eit ansvar for å vareta politikken til regjeringa, men sjølvsagt utan å gje slepp på Venstres politikk, Venstres program og Venstres grunnhaldningar. Det beste beviset på

eg sa, ein rausare, grønare og meir sosialliberal politikk. Jeg har likevel den tvilen, men jeg håper at Venstre framover vil få gjennomslag i spørsmål om bistand og klima, og det skal jeg heie på. Men hva skjer hvis de ikke gjør det? Har representanten Breivik fått det samme hvite flagget som Fremskrittspartiet fikk? Vil Venstre likevel stå sammen med regjeringen når de er uenig, eller vil de søke flertall i Stortinget imot den? Har Venstre avklart om reglene gjelder for dem som for Fremskrittspartiet – de reglene som ga Siv Jensen som partileder lov til å gå ut og oppfordre til boikott av politikken om å ta imot flere flyktninger, som regjeringen hadde lagt til grunn? Spørsmålet mitt er: Hvor frie er Venstre? Framtida vil visa korleis Venstre varetek samarbeidet, men eg vil minna representanten utfordrar Noregs eldste parti, partiet som grunnla parlamentarismen, og som kanskje har lengst røynsle med å vareta prinsippa i parlamentarismen. Så eg trur nok me skal klara å forvalta den rolla me no er sette i, på ein høvisk måte, som òg representanten Christensen truleg kan verta fornøgd

I Politisk kvarter i går gikk Venstre-lederen langt i å antyde at det var Kristelig Folkepartis ansvar at Venstre nå måtte gå i regjering med Fremskrittspartiet. Hvordan ser Venstres parlamentariske leder på det? Lat det heller ikkje vera nokon tvil i denne salen om at – som eg sa i hovudinnlegget mitt – det er ikkje kvar dag Venstre går i regjering med Framstegspartiet. Me har hatt ganske grundige, til dels til dels tøffe prosessar i haust om me skulle ta steget og gå inn i forhandlingar. Me hadde ei veldig grundig behandling av dette i partiorgana før jul, både i landsstyret og i gruppa, der eit fleirtal gav partileiinga både tillit og beskjed om å gå i forhandlingar. Og når forhandlingsresultatet fyrst var klart no på nyåret, etter to intense, eigentleg kjekke veker på eit fantastisk hotell ute på Jeløya,

Venstres leder gikk så langt i Politisk kvarter i går i å si at det i realiteten var Kristelig Folkepartis ansvar at Venstre måtte gå i regjering med Fremskrittspartiet. Og det er det jeg spør om: Hva mener Venstres parlamentariske leder om en slik analyse? No vil eg nok tru at eg og min parlamentarisk leiar-kollega Arnstad nok lyttar med litt ulike øyre òg når me høyrer på Politisk kvarter. Det viktigaste for Venstre, og som er det beste svaret Venstre kan gje til både Venstres veljarar, tillitsvalde og representantar rundt omkring i kommunestyra i landet, er jo den politikken som Venstre skal bidra til at denne regjeringa fører. Og med det utgangspunktet som me no har lagt gjennom forhandlingane og regjeringserklæringa, føler eg meg veldig trygg på at me har svært gode føresetnader for å visa både veljarar og folk der ute at å delta i denne regjeringa er svært bra, ikkje berre for dei som har røysta Venstre, men for samfunnsutviklinga, for kongeriket. Jeg har forståelse for den typen resonnement. Kan jeg da konkludere med at Venstres parlamentariske leder definitivt vil avvise at det på noen måte er Kristelig Folkepartis ansvar at Venstre var nødt til å gå i regjering med Fremskrittspartiet? Venstres parlamentariske leiar kan ikkje gå god for korleis Senterpartiets parlamentariske leiar konkluderer.

gi seg i så viktige saker». Den 18. januar sa Venstres nye statssekretær i Klima- og miljødepartementet følgende om den planlagte bruken av Førdefjorden som søppelplass: «Miljøverknadane av gruveverksemda blei svært grundig vurdert etter forureiningslova og vurdert som miljømessig akseptable da løyvet blei gitt.» Hvorfor mener Venstre det nå er miljømessig greit å bruke Førdefjorden som avfallsplass for gruveindustrien, slik statssekretæren sier? Fyrst takk for gratulasjonane, og gratulerer tilbake. Det er ikkje tvil om at det er ein viktig siger for dei som er opptekne av biologisk mangfald. Fjorddeponi er Venstre sjølvsagt like mykje imot i dag som me alltid har vore. Så må ein jo erkjenna at i regjeringsforhandlingar er det nokre saker som er verre å vinna enn andre. Me er framleis for forbod mot fjorddeponi, representanten Haltbrekken heilt sikkert er klar over etter å ha lese regjeringserklæringa, har me fått gjennomslag for at regjeringa no skal greia ut eit varig forbod mot framtidige fjorddeponi. Me har ei viss forståing for, når me har sete i forhandlingar, at det er verre å trekkja tilbake tillatingar som alt er gjevne, sjølv om me sjølvsagt òg har gjort forsøk på det.
Det er fortsatt slik i Førdefjorden, og også i Repparfjorden, at alle tillatelser til drift ikke er gitt. Det er bl.a. ikke gitt driftskonsesjon, og det er en tillatelse som høyst sannsynlig vil måtte bli behandlet av regjeringen. Da vil jeg spørre representanten Breivik om det er slik at vi kan forvente en like intens for bevaring av Førdefjorden og Repparfjorden, og at de dermed vil være med på å si nei til den driftskonsesjonssøknaden som vil komme. Som eg sa i mitt fyrste svar: Venstre er like mykje imot fjorddeponering i dag som me alltid har vore. Så aksepterer me at me dessverre ikkje har fått gjort noko med dei to deponia som stortingsfleirtalet, mot Venstres røyster, gav løyve til.

for det har vore suksessoppskrifta for Noreg. Kvifor er det då så viktig for regjeringa å ta vekk eller redusere skatt, t.d. eigedomsskatten på hus og endåtil hytter, samtidig som ein aukar avgifter som ikkje har den utjamnande funksjonen i seg? Og skal utjamninga berre gjelde dei som har vanleg Eg finn måla gode, men meiner løysinga til regjeringa bommar på å nå desse måla. Trur Venstre verkeleg at mindre skatt frå dei som har størst moglegheit til å bidra, skapar eit samfunn med små skilnader? Nei, tvert imot. Og som eg vil anta at representanten Brosvik er godt klar over, som sjølv har vore med og bidrege til å få fleirtal for dei siste budsjetta, kjem Venstre til å halda fram med den skattepolitikken me har stått saman om dei fire føregåande åra, og som òg denne regjeringa no tuftar sin skattepolitikk på, nemleg å gje mest skattelette til dei som treng det mest. Eg minner representanten om at me i fellesskap har bidrege til at folk med mellombels store inntekter og lågare i gjennomsnitt har fått ei skattelette dei siste fire åra på rundt 8 000 kr – kombinert med alt det me har gjort for

Målt ut frå forventa levealder, levestandard og utdanningsnivå er Noreg klodens beste land å bu i. Dei fleste har eit trygt økonomisk tilvære, oljerikdomen har gitt oss moglegheit til å byggje ut eit velferdstilbod som er unikt i verdssamanheng, og auka levestandard har gitt folk forbetra livskvalitet. Men menneske har behov som strekkjer seg utover det materielle. Blant folk flest er det ein lengsel etter noko meir ein lengsel etter noko meir enn auka levestandard. Den lengselen må òg politikken svare på. Han må anerkjenne verdien av fellesskap, tid med familie og vener, kultur, frivillig arbeid og trusbasert fellesskap. Me treng eit heilskapleg menneskesyn. Kristeleg Folkeparti trur ikkje livskvaliteten til menneske nødvendigvis veks proporsjonalt med veksten i levestandard. Meir pengar og materiell velstand er ikkje svar på alle menneskelege behov. Norske barn er f.eks. Europas rikaste, men kjem langt ned på lista over kva for europeiske barn som er dei mest lukkelege. SSBs levekårsundersøking blant personar med innvandrarbakgrunn frå 2017 viste f.eks. at somaliske innvandrarar er meir tilfredse enn andre innvandrarar, trass i låg tilknyting til arbeidslivet, dårleg økonomi og at dei bur trongast. Faktisk var dei lukkelegare enn gjennomsnittet i Noreg.

For meg viser dette at fellesverdiane det norske samfunnet er bygde på, er under press. Noreg er i ferd med å gleppe noko på vegen mot overflodssamfunnet. Derfor må ein debatt om ei regjeringserklæring handle om korleis me grip fatt i dei store utfordringane og spørsmåla for vår tid. Eg vil peike på eitt område der politisk handling førte til svært gode resultat. der politisk handling førte til svært gode resultat. Da røykjelova blei innført av Dagfinn Høybråten i si tid, var det ein tredjedel som røykte dagleg. I dag er det talet 11 pst. Da røykjelova blei innført, var talet på unge mellom 16 og 24 år som røykte dagleg, 22 pst. – i dag er talet 4 pst. Derfor trur eg me treng fleire «røykjelovar» eller politiske løysingar som verkeleg løyser dei utfordringane me står overfor i vårt overflodssamfunn – løysingar som sikrar at overgrep mot barn blir avdekte og talet redusert, løysingar for unge som slit med psykiske utfordringar, løysingar på korleis me målretta kan nå ut med fattigdomssatsing både heime og ute, løysingar for korleis me hjelper dei elevane som ikkje har fått tatt ut sitt potensial i møte med den norske skulen. Eg kunne nemnt mange og vil bruke denne debatten til å peike på Kristeleg Folkepartis løysingar for vårt samfunn. I førre veke talte Angela Merkel under World Economic Forum i Davos. Merkel åtvara mot «nasjonal egoisme». Kloden sine to store utfordringar er den internasjonale fattigdomskløfta og dei menneskeskapte klimaendringane. Desse to hovudutfordringane er sjølvsagt to internasjonale utfordringar som må løftast fram som satsingsområde for Noreg. Det blir enklare no når regjeringa har ein eigen statsråd for nettopp desse to områda. Norsk utviklingspolitikk er eit uttrykk for at Noreg ikkje er seg sjølv nok. Me tar internasjonalt ansvar. Som eit av verdas rikaste land har me betre moglegheiter til å bidra enn nær alle andre land i verda. Derfor må Noreg ta ein leiarposisjon i kampen mot fattigdom. Me i Noreg må aldri bli oss sjølve nok. Me har eit globalt ansvar. Kristeleg Folkeparti er eit kristendemokratisk sentrumsparti som vil leggje til rette for ein politikk som inkluderer alle menneske, og gir dei som har nokre ekstra behov, moglegheit til å vere ein aktiv del av samfunnet. For nokre år tilbake inviterte Kristeleg Folkeparti Marte Goksøyr til Stortinget. Noreg fekk stifte kjennskap med ei usedvanleg sterk, reflektert og talefør dame med Downs syndrom – ei ung kvinne med tydelege meiningar og med mot til å utfordre makteliten på deira eigen heimebane. Kristeleg Folkeparti fekk passet sitt grundig påskrive etter Martes besøk på Stortinget. Me hadde utnytta eit sårbart menneske ved å invitere Marte til Stortinget. Men Marte har vist seg å vere alt anna enn ei som kan utnyttast. Ho har sett ein agenda. Marte har vist oss at sorteringssamfunnet ikkje kan debatterast utan at dei menneska som det vedkjem, òg blir høyrde. Me ønskjer eit samfunn med plass til alle, som anerkjenner verdien av mangfaldet, som respekterer det absolutte likeverdet til alle menneske, sjølv om me er forskjellige både utanpå og Det var bodskapen frå møtet med Marte. Det er bodskapen frå Kristeleg Folkeparti inn i debatten om sorteringssamfunnet. For Kristeleg Folkeparti er ikkje dette berre eit spørsmål om kva som er rett å gjere, det handlar òg om kva samfunn me ønskjer å ha. For eit samfunn er det avgjerande å ha nokre fellesverdiar som bind og vekst til framveksten av sentrale verdiar som likeverd, menneskeverd, frivilligheit og nestekjærleik? Her har kristendomen hatt ei heilt avgjerande betyding. Den arven burde ikkje gøymast bort, men heller løftast fram med stoltheit. Dei som meiner at kunnskap om kulturarven vår er unødvendig, og med alle middel forsøkjer å viske ut kristendomen si rolle i skulen og i samfunnet, er historielause. Eit velstandssamfunn som ikkje kjenner røtene og verdifundamenta sine, blir som avskorne blomstrar. Eg trur dei fleste her i landet ønskjer å nyte godt av dei gode fruktene vår kristne og humanistiske arv har gitt oss. Men altfor mange trur dessverre det er mogleg å hauste dei gode fruktene utan å ta vare på røtene. Regjeringserklæringa føyer seg inn i av dei som ikkje ser behovet for å løfte våre røter, den kristne og humanistiske arven. Når statsministeren i Vårt Land forklarer dette med at tilliten til enkeltmennesket kan erstatte den kristne kulturarven, blir det ei mangelfull forklaring. Fridomen til individet er ein viktig verdi, men er jo berre ein del av den kristne er eit opposisjonsparti. Me er tilbake til det som har vore regelen meir enn unntaket i norsk politikk, der mindretalsregjeringar må hente skiftande støtte i Stortinget. I tida framover kjem Kristeleg Folkeparti til å rekkje ut ei hand til alle parti som ønskjer konstruktivt samarbeid. Me har vist det denne hausten: For oss er det ikkje fargen på partilogoen som er det avgjerande, men kva politikk me får gjennomslag for. Me har denne hausten bl.a. sikra gjennomslag for ei lærarnorm som sikrar fleire lærarressursar til den enkelte elev. Dette vil gjere norsk skule enda betre og ikkje minst bety mykje for dei mest sårbare elevane. Kristeleg Folkeparti lova dette i valkampen. Me lova lærarane, elevane og foreldra det, og dei har jo nettopp peika på at dette er det dei ønskjer seg mest for norsk skule. Me har forbetra pleiepengeordninga. Nokre sjuke barn treng kontinuerleg pleie, og Kristeleg Folkeparti meiner det er bra at foreldre kan ha moglegheit til å gi barna omsorg dersom dei sjølve ønskjer det. Me har sikra auka permisjon for tvillingforeldre, slik at både mor og far kan vere heime med barna dei første fire månadane. Kristeleg Folkeparti seier nei til tvillingabort, og me følgjer opp våre for foreldre med store omsorgsoppgåver å kunne ta seg av barna sine. Me har fått ei fleksibel kontantstøtte. No kan ein kombinere barnehage og kontantstøtte samtidig. Me har fått til meir fysisk aktivitet i skulen. Kristeleg Folkeparti var med på å sikre éin time fysisk aktivitet i skulen kvar dag. Det vil auke lærelysta. Kristeleg Folkeparti skal bruke sin posisjon i Stortinget med ansvar og klokskap. Me kjem til å stemme for den politikken me er for, og mot den politikken me er mot, innanfor ein ansvarleg heilskap. Med det tar eg opp Kristeleg Folkepartis forslag. Representanten Knut Arild Hareide har tatt opp det forslaget han refererte til. Det blir replikkordskifte. I mitt fylke, Aust-Agder, har Kristelig Folkeparti og Arbeiderpartiet samarbeidet godt både i de to største byene, Arendal og replikkordskifte. I mitt fylke, Aust-Agder, har Kristelig Folkeparti og Arbeiderpartiet samarbeidet godt både i de to største byene, Arendal og Grimstad, og i fylkeskommunen. Selv har jeg hatt gleden av å samarbeide med Kristelig Folkeparti i fylkeskommunen i ti år, noe som har gitt oss muligheten til sammen å satse på bl.a. flere læreplasser og psykisk helse for ungdom i videregående opplæring. Det tror jeg har vært bra både for oss som politiske partier og for I fjor høst var Kristelig Folkeparti sammen med Arbeiderpartiet og resten av opposisjonen med på å sikre flertall for mer fysisk aktivitet i skolen, økt fedrekvote, lønnsslippen tilbake i postkassen for pensjonistene og at hjelpemidler fortsatt skal være et statlig ansvar. Det var etter mitt syn kloke vedtak, som var bra også for innbyggerne, og det lover godt for resten av stortingsperioden når representanten Hareide nå sier han vil rekke ut en hånd til alle partier. Kan vi forvente at Kristelig Folkeparti vil samarbeide med Arbeiderpartiet og resten av opposisjonen i saker der vi har sammenfallende politiske synspunkter, uten at dette for Kristelig Folkepartis del vil bli begrenset av politiske føringer fra regjeringspartiene? Me ønskjer å samarbeide med alle parti som bidrar til den politikken som Kristeleg Folkeparti står for. Det har eg sagt tydeleg til både regjeringspartia og dei andre opposisjonspartia på Stortinget. Så er det slik at når me skal finne løysingar i Stortinget, sa eg òg at me må gjere det

men me må sjå den heilskapen som dei ulike vedtaka skaper i Stortinget. Det er Kristeleg Folkepartis ansvar – og det er ansvaret til alle parti her på Stortinget. Neste… En av de sakene der det burde være mulig for Kristelig Folkeparti og Arbeiderpartiet å samarbeide, nettopp fordi det ikke koster penger, og at man dermed kan ivareta den ansvarlige helheten, gjelder spørsmålet om tilbakevirkende kraft for kompetansekravet til lærerne. I februar 2016 kom nåværende parlamentarisk nestleder i Kristelig Folkeparti med en bønn på ikke å avskilte erfarne lærere. For som han sa: «Vi har ikke råd til å avskilte dyktige og erfarne lærere ved å gi nye kompetansekrav i skolen tilbakevirkende kraft.» Selv om det tok litt tid, er bønnen nå hørt, i alle fall av Arbeiderpartiet. I en tid da vi skal innføre en lærernorm, risikerer vi at lærermangelen blir enda større dersom vi skal avskilte lærere med lang erfaring. Men som kjent: De blå gir, og de blå tar. Kristelig Folkeparti ser i statsbudsjettet for 2018 ut til å ha gitt sin støtte til regjeringens politikk om at kompetansekravene skal ha tilbakevirkende kraft. Spørsmålet mitt blir derfor: Ser representanten Hareide likevel noen mulighet til å bidra til at vi på et tidspunkt kan få et stortingsflertall som sier nei til å avskilte erfarne lærere? Presidenten vil minne om at representantene bør anmode om replikk før man tar ordet – men iveren er prisverdig.

Men når regjeringa meiner at dei skal greie å få gjennomført ein lærarnorm med desse kompetansekrava, har me sagt at ja, den moglegheita ønskjer me å gi. Men me treng jo fleire lærarar, me treng lærarar som sit med den riktige kompetansen, og derfor har me vore med på det me meiner er ein veldig god heilskap, når me har sikra ein lærarnorm som skal innførast, og da kan me akseptere dei krava, sjølv om me i utgangspunktet har vore ueinige i dei. dei. Skolen er et av de viktigste verktøyene vi har for sosial utjevning og like muligheter for alle. Et annet verktøy i så måte er hvordan vi innretter skattepolitikken. I forrige periode opplevde vi at de rikeste i Norge fikk 160 ganger mer i skattekutt enn folk flest. Det bidrar til større forskjeller, ikke til et samfunn der alle skal med. Hvordan vil Kristelig Folkeparti og representanten Hareide stille seg til nye forslag fra regjeringen som bidrar til at disse forskjellene får fortsette å øke?

står overfor, at dette ikkje er tida for dei store skattelettane. Når me veit kva oppgåver me har innanfor vårt velferdssamfunn, meiner eg at den tida i realiteten er forbi, i alle fall den nærmaste tida, og at det er andre oppgåver som bør prioriterast. Det viste òg det siste statsbudsjettet, der det var marginalt med skattelettar. Det meiner eg òg er riktig for tida framover, da det blir knappare.

Men da har jeg lyst til å utfordre ham i replikkordskiftet på om han kan si noe om hva han tenker rundt det at de eldre nå får en eldre- og folkehelseminister, og at denne regjeringen prioriterer eldreomsorgen så høyt. Det synest eg var ei god utfordring. Da regjeringa blei utnemnd, var ein av dei tinga eg løfta fram, at me hadde fått både ein eigen eldreminister og ein eigen utviklingsminister. Det synest eg er veldig bra, det gir eit godt signal til eldre. Men det handlar òg om at eldre i dag ikkje berre har det handlar òg om at eldre i dag ikkje berre har omsorgsbehov; dei er òg ein veldig ressurs. Kristeleg Folkeparti har ønskt ein eigen eldreminister, og me ser veldig konstruktivt og positivt på at me har fått ein eldreminister – og ein folkehelseminister. Så er spørsmålet om folkehelseministeren tar utfordringa Kristeleg Folkeparti har gitt på det området eg nemnde i mitt innlegg som gjaldt røykjelova, og som har gitt betydeleg politisk suksess. suksess. Da spørs det om den nye statsråden, Åse Michaelsen, no tar utfordringa og gjer røykjelova enda betre på det me har peika på, på leikeplassar og på utandørs restaurantar. Eg trur at tida er moden, når me har sett dei politiske resultata som røykjelova har

Det står respekt av dei grensepålar Kristeleg Folkeparti sette ned gjennom valkampen i forhold til Framstegspartiet, og det står òg respekt av at partiet står ved lovnaden om ikkje å gå i regjering med Framstegspartiet. Så eg vil gratulere Kristeleg Folkepartis leiar med eit klokt val. Spørsmålet er: Meiner leiaren i Kristeleg Folkeparti at Venstre med si deltaking i regjeringa har ført til mindre eller større politisk avstand til Kristeleg Folkeparti? Og korleis vurderer Kristeleg Folkepartis leiar dei langsiktige verknadene av dette vegvalet til Venstre? Eg trur ikkje eg skal konkludere på kva Venstres deltaking i regjeringa vil ha å seie for samarbeidet mellom Kristeleg Folkeparti og Venstre. Politikken avgjer det. det. Me har samarbeidd veldig godt med Venstre i løpet av dei fire åra som har gått, i førre stortingsperiode. Og eg sa frå talarstolen for nokre minuttar sidan at me ønskjer eit konstruktivt og godt samarbeid med alle parti, og me håper å vidareføre det konstruktive og gode samarbeidet me har hatt med Venstre dei siste fire åra. Men det er jo politikken som avgjer det. Eg trur det er bra at me ikkje lagar dette om til spel og strategi, men at det er den reelle politikken som avgjer dette. Og da er løysinga Kristeleg Folkepartis politikk for familiar, for menneskeverdet og for eit samfunn som løftar dei som treng det mest.

stuss. For er referanser til kristen kulturarv viktigst, eller er det det at det nå vokser opp over 100 000 unger i fattige familier, at det gjennomgående i regjeringserklæringen snakkes om å behovsprøve universelle ordninger, at Bufdirs rapport om regjeringens såkalte fattigdomsinnsats møtes med ordet «pinlig» av UNICEF? Jeg vet at representanten Hareide, som meg og SV, er opptatt av

Me er opptatt av å ha universelle velferdsgode, for eg trur det har ei betydning at det er nokre gode me alle er med på å bidra til, og der me alle får ein del tilbake. Det er med på å skape ein legitimitet. Behovsprøvde ordningar har ikkje den same legitimiteten.

Jeg gjetter at Kristelig Folkeparti er meget tilfreds med dette, men det er bare ett viktig skritt på veien. Det andre er selvsagt den gode teksten og de punktene som er løftet fram, om å nå FNs bærekraftsmål, at hjelp skal komme til de menneskene med størst behov og til glemte konflikter og katastrofer. Å bidra til næringsutvikling sør for Sahara er framhevet, og innsatsen for global helse, som vaksinasjon, barnehelse og reproduktiv helse, er nevnt at skal styrkes. Jeg vet at Kristelig Folkepartis hjerte banker for dette, og vi i Venstre deler ambisjonen om at Norge skal være ledende for internasjonale menneskerettigheter og fremme det, herunder religionsfrihet for de forfulgte. Hvordan tenker Kristelig Folkeparti å bidra til at også denne delen av Jeløya-plattformen blir oppfylt, og kan vi vente oss en støttende venn her på Stortinget for å løfte hele utviklingsfeltet i denne stortingsperioden? Ja, nettopp å løfte fram fattigdomsperspektivet og gjere noko med det som er ei av verdas to store utfordringar no. Det er den fattigdomskløfta me har, og det er klima. Eg har med tilfredsheit sett at me har fått ein eigen utviklingsminister, og eg trur Nikolai Astrup er rett mann på rett plass. Men det som representanten Abid Raja ikkje nemnde, som også er ein veldig bra del

verkeleg går til verdas fattige.

de ideelle aktørene fra barnevern, barnehager, rusomsorg. De dundrer inn med store økonomiske muskler i ryggen, og de presser ut Frelsesarmeen, Bymisjonen, Blå Kors og andre viktige ideelle aktører. 59 pst. av Kristelig Folkepartis velgere ønsker at private tilbud innen velferden kun skal drives av ideelle og ikke av kommersielle. Vil Kristelig Folkeparti på Stortinget være med og drive ut pengevekslerne – om ikke ut av tempelet, så iallfall ut av velferdstjenestene våre? Eg valde sjølv å ikkje sitere skrifta i dag, og eg var ikkje heilt førebudd på at den som skulle gjere det, var partileiaren i Raudt. Men eg synest det er gode ord å ta med seg, og posisjonen til dei ideelle er viktig å vareta. Så meiner eg at den debatten me har hatt,

løysingar og løfta dei ideelle. Dei er ein veldig viktig del av både vår historie og vår kulturarv og bør varetakast. Ikkje minst sikrar dei betre kvalitet på tenestene til innbyggjarane våre, og det er det avgjerande spørsmålet. Replikkordskiftet er avslutta. På vegne av Miljøpartiet De Grønne vil jeg gratulere Høyre, Fremskrittspartiet og

mener at Norge hadde trengt en regjeringserklæring som var mer innovativ, mer solidarisk og mer konservativ. Jeg vil gjerne introdusere et perspektiv fra Groruddalen, som jeg kommer fra. Det er mye å like i Groruddalen: nærheten til marka, menneskene som bor der, mangfoldet og samholdet. Man skulle nesten tro at Groruddalen ville være seg selv nok og glemme verden rundt. Men selv i Groruddalen ser vi at fuglene forsvinner fra fuglebrettet. Selv i Groruddalen merker vi at rørene i bakken ikke lenger klarer å holde regnvannet unna. Selv i Groruddalen merker vi giften som siver ut i bekkene fra gamle fyllinger og i luften, som siver ned i lungene, og støyen som siver konstant overalt. Selv i Groruddalen føler de unge seg mer og mer fremmedgjort i et samfunn som krever at de skal prestere, produsere og konsumere mer og mer og mer. Vi ser at det er måten samfunnet er bygget opp på, som ikke er holdbar – det er ikke bærekraftig. Og allerede nå merker vi konsekvensene. Det jeg er stolt av ved Groruddalen, er at vi ser hver og en av oss som en del av verden. Det jeg er stolt av, er at mange av oss forsøker å gjøre noe – fotballtrenere, foreldre, klimaaktivister og kulturspredere som gir av seg selv for å skape et bedre samfunn. Folk bryr seg om sine barns framtid og om framtiden til samfunnet de er en del av. Og så undrer jeg meg når jeg leser regjeringserklæringen: Hvorfor klarer ikke vi i Norge å omsette vår uendelige omsorg for våre barn og barnebarn til en politikk som tar vare på de samme barnas framtidige livsgrunnlag? Regjeringserklæringen hadde vært en bedre erklæring i en verden der den politiske himmelen var skyfri, og der vi ikke hadde livstruende hastverk i miljøpolitikken og tusenvis av mennesker faller utenfor i samfunnet. Regjeringserklæringen har en lang rekke gode forslag og en enda lengre rekke med gode intensjoner, men den er preget av en forestilling om at etter fire år med blått styre er Norge og verden nesten perfekt. Men vi lever i en avgjørende tid. Livet på jorda dør rundt oss. Hvert år teller. Under den røde regjeringen sto miljøpolitikken så å si på stedet hvil i åtte år, og de blå-blå har videreført den samme politikken. Det har vært grønne lyspunkter hos begge, absolutt, men ikke nok til å snu trenden. Mange av verdens land satser nå fornybart og bærekraftig, og vår nøling kan gjøre at norsk næringsliv går glipp av store muligheter. Mens det grønne toget går for fullt i land som Sverige og Tyskland, klamrer vi i Norge oss til den gamle parafinlyktestolpen på perrongen. I det norske næringslivet er vi klare til å satse, og med sterke fagforeninger har vi det vi trenger for en menneskevennlig overgang. Grønn næringsutvikling er smart, men da må det være en del av et ekte grønt skifte. Grønt skifte er en kostnadseffektiv forsikring for å ta vare på framtiden. Beregninger viser at 1–2 pst. av hvert lands BNP er forsikringspremien som trengs for å unngå de største klimaendringene. Det er midt mellom det vi i dag bruker på bistand, og det NATO vil at vi skal bruke på en god investering når risikoen er overveldende for at dersom vi ikke gjør noe, kan ødeleggelsene koste opp mot 20 pst. av verdens samlede BNP. En slik forsikring ville vært det konservative valget. Vi må forandre måten vi gjør ting på, for å bevare livsgrunnlaget vårt for framtiden. Det er fullt mulig, men det vil kreve en regjeringserklæring der vi slutter å åpne enda flere fossile felt på norsk flytter de store subsidiene fra olje og gass over til fornybare næringer, gjennomfører et grønt skatteskifte som faktisk virker, verner resten av den urørte naturen i Norge og starter restaureringen av tapte naturrikdommer, undersøker løsninger som forbereder oss på at roboter og algoritmer tar over mange av dagens jobber, slik som borgerlønnsordningen, dele mer på arbeidet, at vi tør å ta tak i samfunnets skyhøye konsum av den type matvarer, klær og forbruksprodukter som klima, miljø og ikke minst liv rundt om i verden. Det krever at vi finner tilbake til de grunnleggende menneskelige verdiene, der vi prioriterer mer tid til hverandre framfor mer stress og forbruksjag. Regjeringserklæringen viker unna – den våger ikke å satse. Den griper ikke mulighetene, og da setter den ikke Norge i stand til å møte utfordringene i vår tid. Det er alvorlig, og derfor – selv om vi kan samarbeide om mye og skal samarbeide om mye i tiden

Ikke minst gjelder det i klima- og miljøpolitikken, der jeg håper vi kan fortsette samarbeidet fra forrige periode for å føre en mer offensiv miljøpolitikk enn det høyrepartiene har vært villige til å gjennomføre. Ett av områdene som vi er bekymret for, er fangst og lagring av CO2. Da Siv Jensen la fram statsbudsjettet i oktober, var det foreslått et kutt på 90 pst. til nettopp fangst og lagring av CO2. I regjeringserklæringen har de fått inn svekkede formuleringer i forhold til det de hadde for fire år Man skulle ikke tro det var mulig, men med Venstres inntog i regjeringen har altså ambisjonene gått ned i forhold til det de var for fire år siden. Mitt spørsmål til Miljøpartiet De Grønne er om de deler denne bekymringen, og om de vil være med og ta initiativer for å sikre at Norge fortsatt skal satse på denne avgjørende miljøteknologien. Jeg takker for spørsmålet. Vi er nå i den interessante situasjonen at det later til at regjeringen har gitt opp lederposisjonen sin når det gjelder CCS, overlatt den bl.a. til Miljøpartiet De Grønne. Vi sier i vårt vedtatte stortingsprogram at vi skal gjennomføre samtlige av de tre fullskalaprosjektene som ligger på bordet, og vi ønsker også mer satsing på forskning for å gjøre denne teknologien billigere i bruk. Så vi deler absolutt den bekymringen, ikke minst for Oslo, hvis klimamål er helt avhengig av at man får gjennomført et fullskalaanlegg på
jo nå fått en klimaminister fra Venstre, og vi får bare ønske ham lykke til med jobben, men vi er bekymret for gjennomføringen. Sannheten er jo at alle de viktigste klimadepartementene ledes av Fremskrittspartiet: Finansdepartementet, Samferdselsdepartementet og Olje- og energidepartementet. I tillegg har vi faktisk fått et svekket miljødepartement. For fire år siden ble

Nå gjenstår det selvfølgelig å se hva de leverer i praksis, men særlig dette grepet med at statsråd Elvestuen mister råderetten over det som kalles «høstbart vilt», og som skal forvaltes av landbruksministeren, synes vi er bekymringsverdig. Jakt og fiske er åpenbart en viktig del av vår samhandling med naturen, men nå går man fra å se på elgen som et levende vesen i norsk natur til å se på den som en vandrende

sånn som regjeringen legger opp til. I Oslo har Miljøpartiet De Grønne gjort klima og miljø om til en av de mest betente og negative sakene vi har sett på lenge, og med veldig høyt konfliktnivå. Så spørsmålet mitt er: Hvilken av disse to tilnærmingene tror Miljøpartiet De Grønne er best for miljø- og klimapolitikken over tid? Jeg takker for spørsmålet fra representanten Westgaard-Halle, og berømmer Vestfold for mange flotte grønne tiltak. i utgangspunktet tre typer virkemidler man har å velge i når man skal gjennomføre miljøpolitikk. Det er de blå virkemidlene, som å påvirke konkurransesituasjonen, slik man f.eks. gjør i Oslo ved å heve bompengeprisene og gjøre det mindre konkurransedyktig å kjøre bil. Det er de røde virkemidlene, å regulere hva som er lov og ikke lov. For eksempel har man innført dager med dieselforbud. Og så er det de grønne virkemidlene, å innføre alternativer, som vi forsøker å gjøre med å så er det de grønne virkemidlene, å innføre alternativer, som vi forsøker å gjøre med å utvide kollektivtilbudet. Jeg vil si at noe av det vi har forsøkt å få til i Oslo med bl.a. reduksjon i prisen på kollektivtransport, har blitt gjort vanskeligere ettersom regjeringen har satt opp momsen på kollektivtilbudet – ikke bare én gang,

Når det å skulle være miljøvennlig blir så dyrt at en grønn hverdag blir en uoverkommelig utgift for enkelte familier og enslige, taper vi kampen for klimaet. Spørsmålet mitt er da: Vil Miljøpartiet De Grønne endre tilnærming og sikre at økt fokus på klima ikke er synonymt med økte forskjeller? Vi er helt enig i at økt fokus på klima og økt fokus på forskjeller må gå hånd i hånd. Det er to typer solidaritet. Så må vi selvfølgelig si at det er en utfordring når Miljøpartiet De Grønne kun har gjennomslag lokalt og ikke i veldig mye av den nasjonale politikken med fattigdomsbekjempelse, hvor vi har en rekke tiltak som ville gjort hverdagen betydelig lettere for de aller fattigste, spesielt for dem som ikke har råd til egen

Samtidig sier de i sitt program: «De Grønne vil videreutvikle et effektivt transportsystem som en forutsetning for et moderne samfunn, et effektivt næringsliv». Da er mitt spørsmål: Hvordan mener representanten Haug at man skal videreutvikle næringslivet i dette landet uten en stor satsing på veibygging?

der vi ikke gjør oss helt avhengige av næringer som er i ferd med å avvikle seg selv. Vi mener at ett av de viktigste grepene vi kan gjøre, er å flytte investeringer og subsidier fra fossile næringer over til fornybare næringer, der det potensielt kan være mange arbeidsplasser i framtiden, også på forskjellige lokale steder rundt

Vi mener at vi heller må satse på fornybare arbeidsplasser, som har framtiden foran seg, enn de arbeidsplassene som vi tror kommer til å forsvinne på

Byrådet i Oslo svarte at de ikke hadde tenkt på den konsekvensen. Har Miljøpartiet De Grønne sentralt tenkt at dette kan være en utfordring for en gruppe som utgjør en ganske stor del av befolkningen, og som i utgangspunktet både har mistet relasjoner til folk og er mer ensomme enn gjennomsnittsbefolkningen? Jeg takker for spørsmålet fra Bollestad og stiller meg noe undrende til svaret hun fikk fra byrådet. Vi deler selvfølgelig bekymringen over at det er mange eldre som er ensomme, og det er viktig at disse har gode måter å komme seg rundt på for å møte andre mennesker. Men byrådet har jo satt i gang en forsøksordning med en maxitaxi-tjeneste som kjører rundt og henter eldre, både de som bor hjemme, og de som bor på sykehjem rundt omkring i byen. Dette er en forsøksordning som har vært testet ut i enkelte bydeler. Det er rosa taxier som kommer til å bli ganske synlige i bymiljøet etter hvert som denne ordningen rulles ut. Det er en veldig populær ordning og et alternativ som gjør at mange eldre, som kanskje ikke har råd til å eie egen bil, faktisk kan få økt mobilitet og komme seg rundt og besøke venner og kjære, men også andre ting rundt omkring i byen.
Det er flott at det finnes offentlige tjenester for dem som ikke er i stand til å kjøre selv, men det er utrolig mange eldre som verken er på sykehjem eller institusjon, men som har et behov for en frihet til å komme seg rundt. Det er en del av deres hverdag, og en trenger å ha møtepunkter som er uavhengige av når taxien går. Så jeg spør igjen: Kristelig Folkeparti er veldig for å få flest mulig over på kollektiv, men det er noen grupper vi må ha i mente når vi tar parkeringsplasser, og det er dem som trenger dem aller mest. Har ikke Miljøpartiet De Grønne tenkt på at det finnes noen sårbare grupper som vi bør ivareta, når man kommer med slike forslag? Vi er helt enig i at det er sårbare grupper grupper som har ekstra behov for å komme seg rundt på forskjellige måter, deriblant ved bruk av bil, og noe av tanken bak disse trafikkregulerende tiltakene som er gjennomført i Oslo, er nettopp å legge til rette for at de som har et særlig behov for bruk av bilen, skal ha lettere for å komme seg rundt. Når det er færre bilister på veiene som kunne ha valgt alternative transportformer, vil det bli færre køer og mindre trafikk til de andre trafikantene.

Erna Solberg sa at regjeringen ønsker å levere samfunnet videre til våre barn i like god stand som vi mottok det fra våre forfedre. Det er godt sagt, men det er jo ikke dit vi er på vei. Generasjonen som vokser opp i dag, risikerer å bli den første på over 100 år som får det mer utrygt enn foreldrene sine, mye på grunn av økende forskjeller. Men regjeringen velger å lukke øyne og ører og late som om alt er ok. I plattformen skriver de at de vil jobbe for å ta vare på et samfunn med små forskjeller. Er Norge virkelig et land med små forskjeller? I går var den såkalte kaksedagen, den dagen i året hvor topplederne har tjent inn det som er en vanlig årslønn. Samtidig opplevde folk flest reallønnsnedgang i fjor – reallønnsnedgang. Jeg sier det to ganger, for det er så lenge siden det skjedde sist at vi nesten har glemt at ordet og fenomenet finnes. De rikeste blir altså rikere, mens vanlige familier får mindre å rutte med. Er det dette regjeringen vil jobbe for å ta vare på, som de skriver i plattformen sin?

mye, arbeidsmiljølovendringer som gir mer makt til sjefene, og en privatiseringspolitikk som gir stadig mer makt til velferdsprofitører som presser ut ideelle og svekker mangfoldet. Plattformen regjeringen har lagt fram, viser at Norge nå styres av tre privatiseringspartier. Nesten uansett hvilke utfordringer samfunnet møter, er svaret å la de kommersielle overta.

men også fordi skatteviljen blant folk flest synker når de ser at skattepengene går til privat berikelse i stedet for til felles velferd. Denne regjeringen vil ikke gjøre velferdsstaten mer bærekraftig, snarere tvert imot. Det åpner for at Nav skal bruke bemanningsbyråer men bemanningsbyråene er ingen redning for velferdsstaten, de er en trussel. De undergraver retten til fast jobb, som er bærebjelken i den norske modellen. Å styrke løsarbeiderbyråene er å sage av grenen vi sitter på. Jeg savner også en regjering som tar sosial dumping og arbeidslivskriminalitet på alvor. I stedet anerkjenner regjeringen den som velger ikke å organisere seg. Også her må stortingsflertallet ta ansvar. Jeg inviterer derfor resten av opposisjonen til å støtte forslaget vi har levert inn, som lyder: «Stortinget ber regjeringen fremme sak til Stortinget med forslag som bidrar til at organisasjonsgraden kan økes, som en anerkjennelse av betydningen av at mange arbeidstakere velger å være fagorganisert.» Også NHO ønsker et mer organisert Også NHO ønsker et mer organisert arbeidsliv, så her bør det være mulig faktisk å få enstemmighet i stortingssalen om Rødts forslag i dag. Vil representanten ta opp sitt forslag? Absolutt. Representanten Bjørnar Moxnes har teke opp det forslaget han refererte til. Det vert replikkordskifte. Bemanningsbransjen er

For mange er bransjen en døråpner inn i arbeidslivet. Bemanningsbransjen får både høyt utdannede, lavt utdannede og dem uten utdannelse inn i arbeidslivet. De skiller ikke mellom noen. Det forundrer meg at Rødt ikke ser at bemanningsbransjen også kan gi folk en sjanse til å skaffe seg en fast jobb. Noen trenger hjelp inn i arbeidslivet. Mitt spørsmål er dermed: Hva slags alternativer ser Rødt mellom de to ytterpunktene totalt forbud og fullt
Jeg var på en byggeplass på Storo for to uker siden og møtte dem som er ansatt gjennom bemanningsbyråene. De fortalte meg at de får tilbud om femdagerskontrakter. Så kommer helgen, og så får de beskjed på SMS om de har jobb eller ikke neste uke. Hvis sjefen liker deg, får du jobb, er du mislikt, får du ikke jobb. Dette er et løsarbeiderregime som vi kvittet oss med, trodde vi, for 50–60 år siden. Alternativet til løsarbeiderregimet er naturligvis at entreprenørene ansetter folk til prosjektene sine – som de gjorde fram til år 2000 – når det er behov for arbeidskraft, at folk har et stillingsvern som de ikke har hvis de jobber i et bemanningsbyrå – de mister jobben på dagen og får ikke ny jobb med mindre sjefen aller nådigst gir dem ny jobb. De er altså prisgitt arbeidsgivers velvilje. Sånn skal vi ikke ha det. Vi skal la arbeidsfolk ha en viss verdighet – også på jobben.

om organisert arbeidsliv bare blir ord, fordi de er for en politikk som i praksis bereder grunnen for bemanningsbyråer, som altså utraderer fagbevegelsen. Og det er ikke rart, for blir du organisert i et bemanningsbyrå, kan du risikere ikke å få mer arbeid fra sjefen, hvis ikke han setter pris på at de ansatte er organisert i en fagforening. Vi vil alle ha fleksibilitet, vi vil ha et organisert arbeidsliv, og vi vil ha opp organisasjonsgraden. Men bemanningsbyråene kan være med og sikre denne fleksibiliteten. Rødt mener at andre bedrifter kan overta jobben. I et marked faller de samme i det samme markedet. Når en bedrift får mer aktivitet, følger ofte de andre etter, og det kan skape mangel på kompetent arbeidskraft, også i Oslo. Hvordan vil Rødt at bedriftene skal løse den utfordringen?

ved at man leide fagfolk mellom de store produksjonsbedriftene hvis det var topper som skulle tas. Man sikret da at man leide inn folk fra bedrifter med tariffavtale, som har lærlinger, som satser på produktivitet og kompetanse for de ansatte. Jeg lurer på om Høyre har fått med seg hvor mange lærlinger det egentlig finnes i bemanningsbyråene. Tallet på det er – etter hva jeg vet – 1 minus 1. Det er ikke rart, for det er jo ikke noe kompetanseutvikling i et bemanningsbyrå. Det er femdagerskontrakter. Det undergraver muligheten for lærlinger, for yrkesfagenes framtid og for det seriøse arbeidslivet. Jeg vil starte med å rose for å være opptatt av å snakke om Forskjells-Norge. Han ga en god beskrivelse av hvordan regjeringen har økt og vil fortsette å øke forskjellene i Norge. Økende forskjeller er ikke bare urettferdig. Det er en trussel mot stabiliteten og tryggheten i det norske samfunnet. Makten til å motvirke en slik utvikling ligger imidlertid i denne sal. Stortingsflertallet kan selv sette ned foten og tvinge gjennom tiltak som sikrer mer rettferdige løsninger. Som største opposisjonsparti er det naturlig for Arbeiderpartiet å ta utgangspunkt i våre forslag og vår politikk. Mitt spørsmål til representanten Moxnes er: Hvilke tiltak for å redusere forskjellene i Norge ser representanten for seg at det kan bli flertall for i Stortinget? Takk for det spørsmålet. Jeg tenker vel at det i arbeidslivet er fullt mulig å få til viktige grep. Det viktigste er å sikre at flere organiserer seg. Det er jo der, i arbeidslivet, at fordelingen av verdier skjer, så hvis vi har sterke fagforeninger, sikrer vi mer rettferdig omfordeling. Det betyr at vi er nødt til å få med oss Kristelig Folkeparti på å bekjempe bemanningsuvesenet. Her er Arbeiderpartiet, Senterpartiet, SV, Rødt og Miljøpartiet De Grønne ganske enige, men vi må få med oss Kristelig Folkeparti. Det tror jeg er fullt mulig, for de ser også at dette ødelegger framtiden for norsk ungdom som ønsker en framtid innenfor yrkesfag, at over. Så må vi også få flertall for en mer rettferdig skattepolitikk. Det er en litt lengre vei å gå – tror jeg – å få Arbeiderpartiet med på en progressiv politikk på det området, men jeg tror det er fullt mulig når man ser at den sittende regjeringens politikk øker forskjellene. Og i en situasjon hvor reallønnen går ned for folk flest og de rike blir rikere, er det behov for kraftfulle

Men det holder ikke å bare snakke om forskjeller. Vi trenger handling. Regjeringspartiene har forstått at det er klokt å si «forskjeller» så ofte som mulig, men det er lang vei mellom det å si det og faktisk gjøre noe. Jeg vil derfor spørre representanten Moxnes om han selv, selv om Arbeiderpartiet og Rødt har litt ulike virkemidler, vil medvirke til at opposisjonen i fellesskap bidrar til å trekke politikken i en retning som vil gi mindre forskjeller og mer rettferdighet. Det er Rødt allerede godt i gang med, selv med vår enpersonsgruppe. Jeg tror det er fullt mulig å få et flertall på Stortinget til å etterleve det som jo er viljen i befolkningen. Et flertall blant folk flest ønsker et Norge som har mindre forskjeller. Det har vært et uttrykt ønske i mange tiår. Selv om vekslende regjeringer har ført en politikk som har økt forskjellene, tror jeg nå stadig flere ser at det trengs en kursendring for å få gjort noe før det er for sent. Jeg håper at vi både i arbeidslivspolitikken – bekjempelse av sosial dumping, bemanningsbyråer – i skattepolitikken og også i kampen mot at skattepengene våre forsvinner ut til privat profitt, kan få et flertall som sørger for at vi både utjevner forskjellene, får mer rettferdighet og sikrer at skattepengene våre går til velferd og ikke til å berike noen ytterst få milliardærer.

Integrering er også helt avgjørende. Å lære dem som skal være her, om det norske samfunnet og det norske språket, er en forutsetning for at de skal kunne ta del i fellesskapet. Rødt derimot ønsker å gå en helt annen vei. I arbeidsprogrammet deres står det at de ønsker å ta imot 20 000 kvoteflyktninger i året. Det står også at de vil fjerne en rekke krav som fremmer integrering, f.eks. krav om norsk og samfunnskunnskap og krav om selvforsørgelse for å få statsborgerskap. Mitt spørsmål blir da: Tror representanten Moxnes at 20 000 kvoteflyktninger i året som møter færre krav enn i dag, vil styrke eller svekke velferdssamfunnets bærekraft i årene som

krig og terror, samtidig som de er imot enhver form for regulering av arbeidsinnvandringen fra EØS-området, selv om det er en drivende faktor, ifølge forskning og erfaring fra fagforeningene, bak press på lønninger og vilkår i Norge. Der er det åpenbart et ønske fra Fremskrittspartiet om fri flyt over Svinesund, men man setter altså ned bommen for flyktninger fra krig og terror. Vi er omvendt: Vi er for en rausere flyktningpolitikk, men vi er også for en regulering av innvandringen fra EØS-området for å sikre at vi ikke opplever sosial dumping og mer kriminalitet i arbeidslivet.

Dette fører til alt fra dårligere helse og mindre sosial deltakelse til at barna deltar mindre i barnehage, SFO og fritidsaktiviteter. Styrken i Jeløya-plattformen ligger i at man ikke tror at det er ett enkelt tiltak som vil løse de omfattende utfordringene. Tiltakene som ligger i plattformen, spenner fra å gi folk verktøy til å kunne skape sin egen arbeidsplass til å gi flere adgang til barnehage og SFO, uavhengig av hvilken adresse man bor på.

at da vi innførte SFO uten egenbetaling, gikk deltakelsen opp fra under 40 pst. til over 90 pst. Nå henter vi inn eiendomsskatt fra dem som har de største boligene her i byen, og bruker de pengene til å finansiere billigere SFO og billigere barnehage for dem som bor i de østlige bydelene og i Oslo sør. Vi ønsker også at dette etter hvert skal gjelde for hele byen og hele landet, og derfor er vi skeptiske til de svære skattekuttene som undergraver muligheten for bl.a. å utvide universelle ordninger for hele befolkningen, helt uavhengig av hvor man måtte bo. Replikkordskiftet er avslutta. For fire år siden gikk Fremskrittspartiet inn i regjering med et mål om å skape en enklere hverdag for folk og

for Fremskrittspartiet fordi vi fortsetter i regjeringen og skal videreføre og forsterke den politikken vi har ført de siste årene, for Norge fordi vi får en forsterket ikke-sosialistisk regjering for å løse de store utfordringene Norge står overfor. I denne plattformen har vi pekt på noen hovedutfordringer som vi må gjøre noe med. Det første og viktigste er at vi må skape flere jobber. Vi har tatt fatt på et nytt år med optimisme. Ledigheten går Men vi må fortsette å omstille norsk økonomi for å skape nye, lønnsomme arbeidsplasser og for å sikre at vi har flere ben å stå på i fremtiden. Derfor er jeg glad for at vi har en plattform som har ambisjoner på vegne av norske elever, norske arbeidsplasser, forskning og nyskaping. Regjeringen er opptatt av helheten i det vi gjør. Ved å satse på kunnskap legger vi grunnlaget for fremtidens næringsliv. Når vi investerer i trygge barnehager, gode lærere og motiverte fagarbeidere, får vi igjen for det i fremtiden. Vi skal fortsette å bygge ut bedre veier, kollektivtilbudet og jernbanen. Det gir en enklere reisehverdag for oss alle og et bedre miljø, enten man leverer varer til kunden, pendler til jobb eller henter i barnehagen Det skal lønne seg å skape arbeidsplasser og å jobbe i Norge. Det er ingen som er uenig i at alle skal betale skatt for å finansiere vår velferd. Men trygge og gode arbeidsplasser som skaper overskudd over tid, er en bærebjelke for det norske velferdssamfunnet. Derfor kan aldri velferd settes opp mot verdiskaping – det ene forutsetter det andre. Nettopp derfor må våre bedrifter settes i stand til å skape mer, ikke skatte mer. Vi har vært heldige i Norge, men ingenting har kommet gratis. Det er et resultat av innsatsen til hardtarbeidende mennesker over hele landet. Mange mennesker ønsker å bidra, men møter stengte dører. Derfor vil vi ta initiativ til en inkluderingsdugnad. Vi skal sammen sørge for raskere og bedre helsehjelp, og vi skal sikre opplæring for voksne som mangler grunnleggende ferdigheter. Vi må samarbeide tettere med næringslivet, slik at de som har hatt det vanskelig en periode, blir gitt sjanser, tillit og ansvar og blir gode skattebetalere. Skal vi bevare bærekraften i det norske velferdssamfunnet,

Gjennom fire år har regjeringen investert mer av våre felles sparepenger i varige verdier for landet: i infrastruktur, sykehus, sykehjem, skoler. Det skal vi fortsette med, men skal vi ha råd til å bygge ut velferden, også for kommende generasjoner, er det ikke uvesentlig hvordan disse pengene brukes. Den enkelte skal føle seg trygg i og utenfor sitt eget hjem. Derfor må kriminalitet bekjempes, og trusselen fra terror må tas på alvor. Folk skal ha trygghet for å få hjelp i akutte situasjoner. Folk som blir sykmeldt i lang tid, risikerer å falle ut av arbeidslivet. Å vente på behandling skaper utrygghet. Derfor skal vi fortsette å redusere helsekøene. Mennesker som har levd et langt liv, skal ha en trygg og meningsfull hverdag, til tross for at alderdom gjør at livet forandres. Vi blir flere eldre, og det vil stille krav til kapasitet og Gjennom et godt sosialt sikkerhetsnett skal alle sikres likeverdige muligheter. Kampen mot barnefattigdom er ikke over. Å sikre alle barn gode oppvekstvilkår er avgjørende for at de skal bli til selvstendige og trygge voksne. Utfordringene som Norge står overfor, er store, og vårt utgangspunkt for å løse dem er det beste. Men det kommer til å kreve noe av oss. For å trygge velferden må vi gjennomføre reformer, også når disse er krevende på kort sikt. Vi må få mer ut av skattebetalernes penger. De skal ikke sløses med, men investeres i velferd og vekst. Vi må tørre å tenke nytt. Vi må omstille, fornye og stille krav – til offentlig sektor, til næringslivet og til enkeltmennesker. Jeg ser frem til et konstruktivt samarbeid med Stortinget for å sikre at Norge fortsatt skal være et av verdens beste land å bo i – ikke bare for vår generasjon, men også for kommende generasjoner.

Men i en god del selskaper flytter man overskuddet rundt omkring, det havner i skatteparadiser og blir ikke beskattet. I regjeringserklæringen står det at man skal «forebygge overskuddsflytting». Jeg vil be statsråden redegjøre for hvilke konkrete nye tiltak hun tenker å sette i verk for å hindre at overskudd flyttes til andre land enn Norge for beskatning.

Da må dette regelverket implementeres i flere land, og derfor er det viktig at ikke bare Norge alene har på plass godt regelverk, men at flere land slutter seg til det. Analysen til statsråden er bra, men det kom ingen nye tiltak, så spørsmålet er jo fortsatt relevant: Hvordan skal man forebygge mer? Jeg hadde trodd at statsråden hadde kommet til å kvittere ut det som et enstemmig storting vedtok før jul, at det skulle settes ned et offentlig utvalg

dag, er regjeringens erklæring, de ambisjonene denne regjeringen har på ulike politikkområder for de neste fire årene. Jeg kan forsikre representanten Aasrud om at vi kommer til å følge opp alle de ambisjonene som ligger i erklæringen, også på dette området. Det har vært gjort mye, og vi kommer til å gjøre mer, også internasjonalt, for å legge til rette for at selskaper blir riktig beskattet og i de landene de skal beskattes.

bekrefte det forsvarsminister Bakke-Jensen sa – eller skrev i brev – sist uke, at andelen som skal gå til forsvar kommer til å gå ned kommende år, ikke gå opp? Det som er aller viktigst for det norske forsvaret og vår forsvarsevne fremover, er at vi styrker Forsvarets økonomi. Det har denne regjeringen gjort, og det kommer også den utvidete regjeringen til å fortsette med gjennom å følge opp langtidsplanen for Forsvaret og andre ambisjoner og vedtak som et bredt flertall i Stortinget har stilt seg bak. Jeg tror kanskje jeg ville gått litt stille i dørene hvis jeg var representanten Slagsvold Vedum. Han satt selv i en regjering som aldri prioriterte Forsvaret, og som bidro til en kraftig nedbygging av Forsvaret gjennom mange år. Den utviklingen har nå snudd. Det er fordi noen av oss erkjenner behovet for å styrke Forsvaret. Da handler det ikke bare om å da handler det om faktisk å vurdere den reelle veksten i budsjettene fra det ene året til det andre – som gir Forsvaret evne til å investere, som gir Forsvaret evne til å ruste bemanningen sin, og som gir Forsvaret forsterket kampkraft i forhold til hva man hadde da Trygve Slagsvold Vedum var statsråd. Jeg tror statsråd Siv Jensen bør komme seg litt ut av Oslo-gryta og møte dem som jobber i Hæren, dem som jobber i Heimevernet, og se hvordan situasjonen faktisk er

de kommende år. Jeg tipper at det ikke er forsvarsministeren som er begeistret for det, det er finansministeren som tydeligvis har strammet skruen. Kan finansminister Siv Jensen berolige oss forsvarsvenner her i Stortinget om at Frank Bakke-Jensen kommer til å få større bevilgninger, slik at ikke andelen som går til forsvar, kommer til å gå ned kommende år, men gå opp i samsvar med det som var Fremskrittspartiets landsmøtevedtak. Jeg kan forsikre representanten Slagsvold Vedum om at Fremskrittspartiets ambisjoner når det gjelder å nå 2- prosentmålet, ligger fast. Regjeringen har også klart og tydelig gitt uttrykk for det, også i internasjonale fora, at ambisjonen om å nå 2- prosentmålet er der. Jeg er enig i at det mange steder i det ganske land er betydelige utfordringer på forsvarssiden. Det skyldes jo mange år med manglende investeringer, mange år med manglende prioriteringer av det norske forsvar. Det var Senterpartiet hærfører for, for å si det litt forsiktig, gjennom åtte år i regjering. Nå har den utviklingen snudd. Nå har den utviklingen snudd. Nå styrker vi Forsvarets budsjetter hvert eneste år. Det tar tid å snu en nedbygging som varte i åtte år, men vi er jammen i god gang. Det handler om å trygge forsvarsevnen vår. Det gjør vi bare gjennom å ha en forutsigbar opptrapping av investeringene til Forsvaret. Det har denne

101 300 unger som vokser opp i fattige familier på denne regjeringen og Spørsmålet blir da om regjeringen har tenkt å legge fram flere tiltak enn det vi klarer å finne i regjeringserklæringen, for faktisk å sikre at vi endrer situasjonen til disse familiene. Røde Kors har bl.a. kritisert regjeringens satsing på barnefattigdom for først og fremst å handle om å lindre familienes situasjon, ikke endre den – ikke sørge for at disse familiene får mer å rutte med. Jeg er glad for

når regjeringen har som ambisjon å iverksette en inkluderingsdugnad som skal legge til rette for at flere kommer i arbeid, og ikke minst legge til rette for et integreringsløft som bidrar til at flere lærer seg det norske språket og kan delta i det norske samfunnet. Dette er helt avgjørende forutsetninger. Så var de fire samarbeidspartiene gjennom hele forrige periode enige om å gjøre grep som gjorde det mulig for barn i lavinntektsfamilier å kunne delta i barnehage til en lav kostnad eller gratis. Dette er tiltak som vi nå har sagt at vi skal forsterke i plattformen og utvide til å gjelde flere områder – viktige målrettede tiltak. De siste månedene har mediebildet vært preget av saken «grenseoverskridende atferd av seksuell karakter i sosiale sammenhenger». Omfanget av dette problemet har vist seg å være svært stort, og det er dessverre en kjensgjerning at alkoholinntak er en utløsende faktor når slike situasjoner oppstår. I en undersøkelse som Folkehelseinstituttet gjennomførte i 2016 om alkoholbruk i arbeidslivet, oppga 29 pst. av de spurte at de i løpet av det siste året hadde opplevd kollegaer som plagsomme på grunn av beruselse, og 7 pst. svarte at de hadde opplevd uønsket seksuell oppmerksomhet fra berusede kollegaer. I den politiske plattformen til den nye, utvidede, regjeringen blir det fastslått at den vil utvide tidsrammen for salg av alkohol både i dagligvarebutikker og i vinmonopolutsalg til kl. 21 seks dager i uken. Sett i lys av den oppmerksomheten som alkoholrelatert, grenseoverskridende atferd har fått de siste månedene, og forskning som viser omfanget av dette problemet, opplever ikke statsråden at timingen er usedvanlig dårlig når regjeringen nå ønsker å gjennomføre en liberalisering av bestemmelsene for

Så er det fortsatt slik – også i denne regjeringens plattform – at vi legger til grunn den alkoholpolitikken som har vært ført i samforståelse med Kristelig Folkeparti i de siste fire årene. Den er ikke endret som følge av endringene i regjeringens

at klimarisikoutvalget har avgitt sin rapport. Kan finansministeren bekrefte at oljeskatteregimet kommer til vurdering i denne regjeringsperioden? Det statsråd Skei Grande har sagt – og som for så vidt også klima- og miljøministeren har sagt – er at vi skal avvente klimarisikoutvalgets vurderinger for så å se på hvordan vi skal følge det opp på egnet måte. Det er dette det har vært gitt uttrykk for. Det står ingenting i regjeringens plattform om skatteregimet for norsk sokkel. Det som derimot er viktig, er at vi klarer å legge til rette for forutsigbarhet for alle næringer som skal operere i Norge. Det å være langsiktig og forutsigbar betyr noe for om man tør å gjøre investeringer, eller om man sender den investeringen et annet sted. Vi kommer til å fortsette å være en betydelig produsent av olje og gass i mange tiår fremover. Det kommer til å være en næring som sysselsetter mange, også i de kommende tiårene, men det kommer til å være en næring som gir mindre til det norske samfunnet enn det vi har vent oss til. Derfor er vi så opptatt av å legge til rette for omstilling, få flere ben å stå på, sikre at det er interessant og lønnsomt å investere i annen type næringsvirksomhet i Norge i årene som

Samtidig vokser 100 000 barn opp i fattigdom. På den andre siden får vi altså flere milliardærer hvert eneste år. De 10 pst. lavest lønte har knapt hatt reallønnsvekst de siste ti årene, mens lederlønninger og aksjeutbytter skyter i været. Mener regjeringen virkelig at Norge er et land med små forskjeller? Ja, det mener regjeringen. Jeg tror Bjørnar Moxnes må heve blikket litt når han skal sammenligne små forskjeller i Norge med de utviklingstrekk vi ser i mange andre deler av verden. En av årsakene til at vi er et land med små forskjeller, er at vi har skattefinansierte velferdsordninger, at vi har et samfunn hvor vi mener at alle skal bidra gjennom skatteseddelen for å få rettigheter og ytelser og bli tatt hånd om i ulike situasjoner i livet. Det er en styrke for Norge, og det er, tror jeg, et system som de aller fleste av oss er enig i. Så det er ingen grunn til, mener jeg, å skape et inntrykk av at Norge er et land med store og økende forskjeller. Nei, vi er et land med små forskjeller, men vi skal hele tiden være opptatt av å ta vare på det gjennom å sikre at vi har gode velferdsordninger, gjennom å sikre at vi har et godt sikkerhetsnett som ivaretar alle mennesker som kommer i ulike vanskeligheter gjennom livet. Replikkordskiftet er avslutta. Me har fått ei utvida regjering, og då er det på sin plass å gratulera. Eg ønskjer nye og tidlegare statsrådar lykke til. gode velferdsordninger, gjennom å sikre at vi har et godt sikkerhetsnett som ivaretar alle mennesker som kommer i ulike vanskeligheter gjennom livet. Replikkordskiftet er avslutta. Me har fått ei utvida regjering, og då er det på sin plass å gratulera. Eg ønskjer nye og tidlegare statsrådar lykke til. Dei har eit viktig arbeid for landet framfor seg. Så må eg innrømma at eg vart litt glad då eg kunne lesa i Jeløya-plattforma at den første store utfordringa som regjeringa omtalar, er å få fleire i arbeid. Det vert varsla at og eg ser fram til at desse formuleringane vert fylte med konkrete tiltak og forslag om korleis ein skal oppnå desse måla. Det har veldig mykje å seia om tiltaka berre går ut på å stilla krav til folk om at dei må ut i jobb, eller om dei klarer å kombinera det å stilla krav, ha forventningar, med det å stilla opp, slik som Arbeidarpartiet ønskjer. På same måten har det noko å seia for Noreg om valfridom for eldre betyr ei betre finansiering og bygging av sjukeheimar og rehabilitering av dei som me har, slik som Arbeidarpartiet vil, eller om det betyr meir privatisering, slik at lommeboka styrer tilbodet. Me har private investorar som byggjer luksusbustader med regjeringas velsigning, slik som de tre høgrepartia sin eldreminister vil. For Arbeidarpartiet vil fridom og moglegheiter for alle vera viktigast, ikkje berre valfridom for dei få. Så når det gjeld nettopp den konkrete politikken, hadde eg forventa meir. Plattforma er full av ord som vurdera og utgreia og generelle målformuleringar, mens tiltaka er det færre av. Der ein derimot er konkret, er det veldig tydeleg at det er klassisk høgrepolitikk som gjeld. Ikkje minst gjeld det på arbeidslivsområdet.

Så eg meiner at regjeringa burde hatt kraftfulle forslag for at fleire organiserer seg, slik som me f.eks. har gjennom forslag som styrkjer arbeidsmiljøloven på område som har betydning for det organiserte arbeidslivets musklar. I staden gjer regjeringa to ting. For det første vil dei ha eit reelt kutt i fagforeiningsfrådraget når dei slår fast at dei skal halda det same nivået som i 2013. Det er eit betydeleg realkutt som vert større kvart einaste år. Eg trur at dette er den einaste staden i plattforma der regjeringa er heilt konkret på noko som skal verta kutta. Det andre kutta. Det andre dei gjer, er at dei «anerkjenner at mange arbeidstakere velger å være uorganisert.» Det er ei ganske spesiell utsegn, for merk at då regjeringa vart utfordra av Kristeleg Folkeparti på om dei ønskte å anerkjenna vår kristne og humanistiske kulturarv, då syntest regjeringa sin representant at nei, det kunne dei ikkje, for det ville vera «problematisk», ifølgje dei. Med andre ord: Det er problematisk. Men at arbeidstakarar ikkje organiserer seg, det er altså ikkje berre uproblematisk, det er noko som skal verta anerkjent. Så me ser at Venstre i regjering ikkje trekkjer politikken nærmare sentrum, tvert imot går ein nærmare høgre. No er det tre høgreparti i regjering, ikkje berre to. Det skal framleis vera ei generell opning for mellombels tilsette. Det er ei regjeringsplattform som ikkje nemner orda «sosial dumping». Det er ingen konkrete forslag mot den stadig meir omfattande bruken av innleige, som me ser i fleire bransjar. Det er ganske alvorleg, vil eg seia, at regjeringa ikkje ser korleis store delar av I fjor vart det gjennomført ein storaksjon på Vestlandet og i Trøndelag mot arbeidslivskriminalitet på byggjeplassar til privatbustader. Det enda med at berre i Rogaland vart nesten 10 pst. av dei som vart kontrollerte, viste bort frå byggjeplassane. Det var avvik på HMS-kort hos 45 pst. Det vitnar om at det er ein stor jobb å gjera, og det er lite i regjeringsplattforma som tyder på at regjeringa har vilje til å ta denne jobben. Her kjem regjeringa til å møta ein tydeleg opposisjon, som vil kjempa for trygge, faste jobbar, eit godt arbeidsmiljø og eit organisert arbeidsliv. Me har fleire forslag til behandling alt no, og me håper på å få fleirtal for for dei. Lakmustesten på et godt og bærekraftig velferdssamfunn er evnen vår til å ta vare på de mest sårbare blant oss. Et samfunn er aldri bedre enn hvordan vi behandler dem som trenger oss aller mest. Et godt samfunn Derfor ønsker regjeringen å spre makt og gi enkeltmennesker, familier og lokalsamfunn muligheten til å styre mest mulig av sin egen hverdag og til å være med og forme sin egen framtid. Muligheter for alle og friheten til å leve sitt eget liv sikres bare gjennom et rettferdig og bærekraftig velferdssamfunn, hvor evner og innsats teller mer enn bakgrunn og opprinnelse. Vi vil derfor styrke likestillingen i samfunnet. Norge skal være et land hvor alle har mulighet til å lykkes – uansett kjønn, uansett bakgrunn. Barna våre er det kjæreste vi har. Trygghet og tilhørighet er grunnlaget for en god oppvekst. Trygghet og tilhørighet tilhørighet skapes gjennom å være en del av fellesskapet vårt. For mange rammes likevel av fattigdom, av vold, av utenforskap – uten mulighet til å skape seg sitt eget, gode liv. Det påvirker helsen, utdanningsmulighetene og det sosiale livet. Barn som vokser opp i lavinntektsfamilier, skal ha de samme mulighetene og den samme friheten til å skape sin egen framtid som alle andre barn. De barna skal også bo trygt. De skal kunne etablere gode vennskap i oppveksten. De skal kunne ha håp, og de skal kunne føle seg verdifulle i samfunnet – på lik linje med alle andre barn.

Flere må stå lenger i arbeid, og flere må inkluderes i arbeidslivet. Det er viktig for den enkelte, det er viktig for den enkelte familie, men det er også viktig for samfunnet at flest mulig bidrar til fellesskapet. Det sosiale sikkerhetsnettet må styrkes, slik at færre faller utenfor og flere løftes opp. Velferdsordningene må moderniseres for å være bærekraftige. Hvorfor er det så viktig for denne regjeringen at vi moderniserer velferdsordningene våre? Jo, det er fordi de skal treffe bedre, det er fordi de skal nå frem til dem som trenger dem aller mest. Det er dem sikkerhetsnettet skal være der for. Derfor må tilbudene forbedres gjennom nye og bedre måter å jobbe på, vi må styrke kompetanse, og vi må også sikre valgfrihet for brukerne i større grad. Barn er sårbare og har et særlig behov for beskyttelse, for omsorg og ikke minst for kjærlighet. Barnas rett til trygghet og sikkerhet skal alltid prioriteres først. Barna har rett til å bli hørt, og derfor er regjeringen opptatt av at barnevernet og andre som jobber med barn, i større grad må involvere barnet i viktige avgjørelser som angår livet deres, og at deres stemme skal høres. Vi vil derfor styrke tidlig innsats og forebyggende tiltak – alle som jobber inn mot barnefamilier, må koordinere innsatsen og legge til rette for at vi får et mangfold av kvalitet og for å møte det enkelte barn og den enkelte families behov. Det viktigste for oss som er opptatt av et godt barnevern, er selvsagt at kvaliteten er god, at rettssikkerheten til barna og familiene blir ivaretatt på en god måte. Vi skal jobbe for å ta vare på et samfunn med små forskjeller og med tillit mellom folk. Vi vil sikre at Norge fortsatt skal være et samfunn hvor alle kan lykkes, og hvor vi kan leve et selvvalgt og trygt liv.

Det førte til at Stortinget fremmet mange forslag. 14 ble vedtatt, og de skulle instruere regjeringa i å føre en bedre likestillingspolitikk. Når statsråden nå i innlegget sitt er opptatt av å modernisere velferdsstaten, modernisere politikken, lurer jeg på om vi kan vente en tydeligere og mer fra regjeringa, og ikke en likestillingspolitikk som trekker oss tilbake til det forrige århundre, slik vi så i forrige periode. Jeg kan forsikre representanten Henriksen om at likestilling er noe denne regjeringen absolutt vil prioritere. Derfor er jeg veldig glad for at vi også i Jeløya-plattformen er tydelig på at vi ønsker å tredele foreldrepermisjonen fordi vi mener det er

Jeg skal over til en annen ting, som er barnevernet. Statsråden var inne på at det var viktig at de mest sårbare av oss får rettssikkerhet, god behandling og gode tiltak. Vi ser at regjeringa ikke engang har kompensert det kommunale barnevernet for lønns- og prisveksten, og vi ser Aftenposten fortelle at det blir økt byråkrativekst under denne regjeringa. Mener statsråden at kommersielle tilbydere i barnevernet – som altså er for de mest sårbare barna blant oss, og som fellesskapet har et stort ansvar for å forvalte tiltak overfor – er de som bør prioriteres, og at de skal gi den beste faglige kvaliteten og økt rettssikkerhet? Betyr det samtidig at de ideelle, som denne regjeringa faser ut, ikke leverer god kvalitet eller rettssikkerhet?

har. Derfor ønsker vi å få på plass systemer der man kan skreddersy en løsning som er rett for det enkelte barn. Da er ikke vi så opptatt av hvem som gir det tilbudet. Men det jeg kommer til å jobbe mye med, er at vi har systemer som sikrer åpenhet, som sikrer at det ikke er noen mulighet for at noen skal kunne bestille oppdrag til seg selv – det er helt uakseptabelt – men systemer som gjør at hovedprinsippet i barnevernet ligger til grunn, nemlig at barnets beste skal være det førende for alt. Mangfold høres ut som et honnørord som regjeringa bruker i tide og utide. Når det gjelder sårbare barn, lurer jeg på om regjeringa og staten har problemer, innenfor det regjeringa og staten har problemer, innenfor det offentlige rammeverk, med å gi tilstrekkelig rettssikkerhet og skreddersydde tiltak til barn, siden de må bruke fellesskapets penger og la private og kommersielle aktører hente penger ut av fellesskapet for å drive den type virksomhet. Hvorfor kan ikke staten og regjeringa selv sørge for at det offentlige faktisk leverer de tjenestene som barnet skal ha? Jeg mener at det statsråden her har sagt, kan minne om en liten fallitterklæring for hvordan denne regjeringa styrer offentlige tjenester. Jeg trodde at også Arbeiderpartiet ønsket et mangfold av tjenester, særlig når vi ser tilbake på hva som skjedde under

hva de private skal kunne gjøre, hva de har lov til å gjøre – og tydeliggjøre rollefordelingen mellom det offentlige og private. Men jeg håper at også Arbeiderpartiet er mer opptatt av hvordan vi gir tilbudet til det enkelte barn – at det er bra – framfor å være mest opptatt av hvem som tilbyr

det. Nå er vi inne i et historisk øyeblikk, der vi kan behandle det og bekjempe det som et samfunnsproblem gjennom politikk. Men i den 84 sider lange regjeringsplattformen nevnes seksuell trakassering tre ganger, og i statsrådens innlegg i dag ingen. En generell beskrivelse, en referanse til en utredning som allerede foregår, og et punkt om å forebygge det i skolen er det eneste nye her. Derfor vil jeg spørre statsråden om hun er Derfor vil jeg spørre statsråden om hun er fornøyd med de tre setningene om seksuell trakassering, og hvordan regjeringen egentlig skal forebygge seksuell trakassering i skolen. Vil regjeringen f.eks. støtte SVs forslag om opplæring i grensesetting og respekt, som nå er til behandling i Stortinget? Jeg er veldig glad for spørsmålet fra representanten Øvstegård. er også glad for at statsministeren da hun la frem regjeringserklæringen i går, spesielt nevnte at arbeidet mot seksuell trakassering skal styrkes, og at regjeringen er opptatt av å styrke likestillingsarbeidet. Jeg kom nå nettopp fra et møte i Barne- og likestillingsdepartementet, der jeg hadde invitert over 60 ulike aktører som gikk opp på talerstolen og fortalte hvilke tiltak regjeringen bør ta initiativ til

konkrete politiske tiltak. Jeg er helt enig med statsråden i at dette ikke kan gjøres over natten. Det er snakk om holdningsendringer, det er snakk om strukturer. Derfor har også SV levert tolv forslag med konkrete tiltak mot seksuell trakassering, bl.a. å forebygge det i skolen, noe også regjeringen nevner i sin Derfor vil jeg gjerne spørre statsråden en gang til om det er aktuelt å samarbeide konstruktivt i respekt for det alvoret denne kampanjen handler om, og å kunne se på om en kan komme fram til enighet om de konkrete tiltakene som SV nå leverer. På det spørsmålet vil jeg svare ja. Nå kjenner jeg til at partilederne hadde et møte i Stortinget om denne saken i går, og som en oppfølging av det og som et ønske om å finne frem til løsninger på tvers av alle partier sendte jeg i går en invitasjon til alle partiene på Stortinget. Jeg håper representanten Øvstegård vil komme på et møte der vi kan finne frem til enighet om veien videre. Jeg er glad for alle forslagene jeg fikk fra de over 60 aktørene som var på møte i Barne- og likestillingsdepartementet i dag tidlig, og jeg håper sammen kan se på hvilke tiltak vi nå kan jobbe videre med knyttet til forebygging, håndtering og oppfølging. Det handler om f.eks. å få på plass i Elevundersøkelsen spørsmål om hvor utbredt seksuell trakassering er. Det handler om å øke kunnskapen hos elevene, men også om kompetansen hos dem som jobber i skoleverket og helsetjenesten. Det handler om å sørge for gode varslingsrutiner, veiledning og håndheving, og det handler om å løfte

Jeg er veldig glad for at vi har fått gjennomslag her på Stortinget for at regjeringen må legge fram en forpliktende og helhetlig opptrappingsplan for å redusere forekomsten av vold og overgrep, spesielt mot barn og unge. Jeg er veldig glad for at Kristelig Folkeparti fikk flertall på Stortinget for det. Barne- og likestillingsdepartementet har jo ansvaret for å koordinere arbeidet for å bekjempe vold og overgrep mot barn og unge spesielt, og så er det Kunnskapsdepartementet og Justisdepartementet som har ansvaret for sine felt. Men koordineringsansvaret ligger i Barne- og likestillingsdepartementet. Mitt spørsmål til den ferske barne- og likestillingsministeren er hvordan hun vil jobbe sammen med disse departementene for å gi et tryggere samfunn for flere barn. Først og fremst har jeg lyst til å takke representanten Bekkevold og Kristelig Folkeparti for at de sammen med Venstre og den tidligere regjeringen i de fire årene som vi har lagt bak oss, har vært med og styrket bevilgningene til forebygging og til å følge opp også det som ligger i handlingsplanen mot vold og overgrep mot barn. Så kan man

når vi ser disse grusomme statistikkene og hører at vi bare har sett toppen av et isfjell, skal det i hvert fall ikke mangle på vilje fra Stortingets side til å sette inn enda flere tiltak for å kunne hjelpe de barna som utsettes for dette, og ikke minst forebygge at det

Så er jeg glad for at det i hvert fall har skjedd mye på dette feltet siden jeg jobbet med det. Vi ser bare styrkingen av barnehusene, vi ser hvordan man tilrettelegger for avhør av barn og offer for vold og overgrep. Jeg mener vi fortsatt har en lang vei å gå i det forebyggende arbeidet, men også for å hjelpe dem som utsetter barna for dette. Vi må se på hvilken behandling og hvilke tiltak som gjør at barn ikke skal utsettes for dette. Og så må vi også spre kunnskap i storsamfunnet, slik at folk melder fra når det er mistanke om at slike ting foregår. Replikkordskiftet er

som fungerer når en skal utvikle landet, og det er en grunnstein for å ha konkurransedyktig næringsliv. Det å kunne høste av naturressurser, av folks kunnskap, for så å transportere produktene til markedet, er viktig – ikke minst for et land som Norge. Vi har snudd rød-grønt forfall i de fire årene som gikk, til vekst i både investering og vedlikehold. Regjeringsplattformen legger opp til å En skal vedlikeholde det en har, for å vise at en tar vare på det og har en langsiktig tilnærming som holder kostnadsnivået nede. En skal bygge nytt for å sikre redusert reisetid, økt kapasitet og bedre miljø. Så er det også viktig i dette at vi ruster oss og kjemper kampen mot arbeidslivskriminalitet, og at en bidrar til å skape norske arbeidsplasser og styrker norske entreprenører. Det er veldig fint å kunne se tilbake på de siste årene, når 95–97 pst. av alle kontraktene i veisektoren, f.eks., har gått til nettopp norske entreprenører. I 2012 gikk bare drøyt halvparten til norske entreprenører. Og så er det viktig å ha en god balanse, sånn at en utvikler transportårer som fungerer helt fra produksjonssted til markedet. Vi har fått en mye bedre regional fordeling i bevilgningene de siste årene. Tidligere var det ofte Oslo og Akershus som stakk av med mye av satsingen, i et mindre budsjett. De siste årene – med den NTP-en som ligger til grunn – har det blitt en bedre regional fordeling. Oslo og Akershus får mer nå enn før, men den største veksten får en på Sørlandet, Vestlandet, Midt-Norge, altså der en har viktige industri- og næringsarbeidsplasser. I 2018 er det faktisk Vestlandet og Nord-Norge som, i kroner, får de største investeringsbevilgningene innen infrastruktur. Når noen gir inntrykk av at det er en distriktsfiendtlig plattform,

og det å finne løsninger på de kø- og miljøutfordringene en har, uten å prise opp reisen, men heller finne bedre og mer miljøvennlige alternativer, er vår tilnærming. Vi tar i bruk elbiler og mangfoldige løsninger, vi har en konkurranse om smartere transport. Alt dette handler om å ha en positiv tilnærming til folks reisehverdag og ikke bruke straff som fremste virkemiddel. virkemiddel. Vi er opptatt av at det skal bli billigere å kunne bruke veiene. Gjennom en reduksjon av bompenger har en gjort næringslivet litt mer konkurransedyktig, og vi legger vekt på at vi fortsatt skal arbeide for at bompengepolitikken gir mer penger til vei og mindre til drift og administrasjon. Det er også viktig at vi viderefører de reformene som flertallet var enig om i forrige stortingsperiode, for å sikre mer for pengene og en større helhet i den satsingen. Reformene, som de rød-grønne partiene var imot, kan vi nå begynne å høste fruktene av. Nye Veier gir store besparelser i utgifter og bedre infrastruktur. Jernbanereformen har fått en bedre organisering og sørger for – og evner – større vekst for jernbanen i årene framover. Det er viktig at vi nå de neste årene sørger for at Vegvesenet får større handlingsrom, mulighet til å involvere entreprenørene tidligere, og at vi i enda større grad tar i bruk standard og prefabrikerte enheter for å kunne bygge bedre og billigere. Men i dette er det også viktig at vi jobber opp mot fylkeskommunene for å styrke fylkesveiene, sørger for at en har en bedre kommuneøkonomi, som nå allerede er blant de beste på 20 år, men at en også har bedre virkemidler for å koordinere mellom regionalt og nasjonalt. Det å se eksportveiene i en større helhet er en viktig del av dette. Vi skal sørge for at den digitale infrastrukturen fungerer. Enkelte har bekymret seg for et digitalt klasseskille. Det er jeg helt enig i.

og dette vil bli styrket på ulike måter, som vi skal komme inn på i de årene vi har foran oss, med gode virkemidler og tiltak. Det vert replikkordskifte. 47 pst. av veinettet vårt består av fylkesveier. De fleste norske bedrifter og arbeidsplasser er

MEF, har vurdert de samfunnsøkonomiske gevinstene ved å trappe opp vedlikeholdet på veidekke og veifundament på nettopp fylkesveiene. Den rapporten viser at etterslepet øker med 2,4 mrd. kr hvert eneste år. Det er ikke samsvar mellom fylkeskommunens økonomiske handlingsrom og ansvaret for halvparten av veiene våre. Når MEF påpeker dette, avviser samferdselsministeren det som en bekymringsstrategi. Ifølge analysen vil det å øke vedlikeholdsinnsatsen gi en samfunnsøkonomisk nettonytte. Kan statsråden dele sine tanker med Stortinget om hvordan fylkeskommunen kan bli en bedre veieier? Nettopp økende forfall på infrastruktur var en viktig del av den valgkampen jeg drev i 2013, for å snu utviklingen. Vi hadde sett åtte år der forfallet økte, både på riksveier og fylkesveier.

men vi ser også at det er store forskjeller mellom fylkene i hvordan de gjør dette. Noen fylker har prioritert reduserte kollektivsatser i stedet for å asfaltere veiene sine. Det er en prioritering de gjør, og da kan de ikke skylde på regjeringen etterpå. Men vi skal bidra til at en kan gjøre et enda større løft på fylkesveiene framover, akkurat slik vi har gjort på riksveiene. Jeg kommer tilbake til Utenlandske selskaper har fått store hovedkontrakter for byggingen av Follobanen, et byggeprosjekt som har en kostnadsramme på 25 mrd. kr og er det største enkeltprosjektet i norsk samferdsel noensinne. Prosjektet er ikke en del av regnestykket når samferdselsministeren beregner prosentvis andel av våre byggeprosjekter som går til utenlandske entreprenører. Norsk Et italiensk selskap har sikret seg to store kontrakter på bygging av Follobanen. Nettopp det selskapet trues nå av konkurs. Hvordan mener statsråden de nær 100 norske underleverandørene som har penger utestående i det konkurstruede selskapet, kan følges opp best mulig? Hvilke konsekvenser får en eventuell konkurs? Og hvordan kan denne erfaringen opp mot andre store prosjekter som nå lyses ut, vurderes? Her har det skjedd mye siden det spørsmålet ble skrevet. I går terminerte Bane NOR kontrakten med Condotte. Det gjør at en har håndtert dette. Det betyr at Bane NOR vil overta byggherreansvaret overfor disse underentreprenørene, nettopp for å sikre at de får betalt, og nettopp for å sikre at det er framdrift i prosjektet.

av alle de store kontraktene de har, og alle kontraktene har gått nettopp til norske selskaper. 97 pst. i 2016 og 96 pst. i 2017 av Vegvesenets kontrakter gikk til norske aktører. Jeg mener vi de siste årene har sett en helt annen utvikling enn tidligere.

TØI konkluderte med at streknings-ATK ga en reduksjon på ca. 50 pst. av hardt skadde og drepte. En strekning som statsråden stoppet, var Kompveien i Akershus, som var omtalt som dødsmila. Der var det 13 personer som omkom i perioden 2000–2015. Etter at det ble montert streknings-ATK der, har det ikke vært dødsulykker på denne strekningen. Hva er begrunnelsen for at statsråden på nytt setter seg over faglige råd, statistikk og et flertall i Stortinget? Hvis vi skal ha en god debatt om regjeringens plattform, tror jeg det er viktig å forholde seg til det som står i regjeringsplattformen. Det står ikke at vi ikke skal ha streknings-ATK, men det står at man skal begrense bruken til der det er svært nyttig. Det har også vært tilnærmingen til Statens vegvesen i mange år. Det er ikke noe man bruker alle steder, men der Så minner jeg om at når det gjelder antallet ulykker, går det kraftig ned. Når representanten Juvik gir inntrykk av at vi ikke bryr oss, at det ikke skjer noe, så er faktum det motsatte. Innsatsen for bedre trafikksikkerhet er i førersetet i det vi holder på med. Det er mye av hovedgrunnen til at vi både bygger mer god vei og vedlikeholder mer av det som finnes. Det er derfor det er flere trafikkontroller mot tungbiler nå enn det noen gang var da representanten Juviks parti satt i regjering. Og det blir satt opp noen nye streknings-ATK-er, men det skal ikke være bare for å fylle statskassen.

i lange tunneler. Det er det som står, og når en skriver at det skal begrenses, må jo det bety at en endrer den praksisen. Det er ganske oppsiktsvekkende at det egentlig er det man sier. Dette er jo ikke noe nytt fra statsråden, for det var dette han ville også i forrige periode, men ble instruert

virkningsfullt – og det nevnte jeg nettopp – på svært ulykkesbelastede strekninger og i tunneler. Så her tror jeg vi er enige. Det å prøve å skape en motforestilling når motforestillingen ikke finnes, gir ingen mening. Vi har vært mer opptatt av at hvis en har en ulykkestrekning, er det bedre å utbedre veien enn bare å sette opp en fotoboks.

Nå ser vi i regjeringserklæringen at Venstre nok en gang har fått flertall for å øke denne avgiften. Kan statsråden si hvor høye drivstoffavgifter vi kan forvente i årene framover, med Fremskrittspartiet, Høyre og Venstre i

mer enn det de eventuelt ikke øker dieselavgiften med. Det er det som er poenget. Det jeg kan love, er at denne regjeringen kommer til å ha lavere bilavgifter enn det Senterpartiet har pleid å foreslå. I tillegg har vi hatt høyere veginvesteringer enn det rød-grønn side noen gang har hatt. Det er riktig at Fremskrittspartiets politikk alene ikke har fått flertall, da hadde vi vært vekk fra bompengene igjen, men vi har altså klart å redusere bompengenivået kraftig. De siste årene Senterpartiet styrte, utgjorde bompengefinansieringen over 40 pst. av alle veginvesteringer. Nå er vi på 30-tallet. Jeg spurte om drivstoffavgiftene, og grunnen til at jeg spurte om det, er at jeg tenker på dem som er nødt til å bruke bil, de som ikke har trikken utenfor stuedøren. Det er de som virkelig får den store avgiftsøkningen og må ta smellen for en regjering som er blitt ganske Oslo-dominert. Men bompenger, bompengerekorder, drivstoffavgifter – det er liksom ingen som vil ta det fullstendige ansvaret for den politikken som føres. Statsråden sier at nei, det er ikke vår politikk. Venstre har i hvert fall ikke tillit i nord, der har de ingen representanter, der er det ikke denne politikken vi ønsker. Dette er – med all respekt å melde – mye feil. For det første: Hvis en tenker på distriktene, er det Vestlandet og Nord-Norge som får de største investeringene i samferdselsbudsjettet i 2018. Det er stikk motsatt politikk av det Senterpartiet førte, som virkelig sentraliserte investeringene i infrastruktur – se på tallene. Når det gjelder avgiftsnivået på bil, har Senterpartiets alternative budsjetter hatt høyere avgiftsnivå på bil totalt sett enn det regjeringen har vedtatt. Så det å prøve å gi et motsatt inntrykk er bare tull. Det siste, dieselavgiften: Regjeringen varsler ikke økt dieselavgift i plattformen. Det en varsler, er en kamp for å redusere utslippene. utslippene. Hvis avgiftsøkning må til, står det at da skal hver krone i avgiftsøkning gå til å redusere årsavgiften. Dette er den første regjeringsplattformen som sier at de totale bilavgiftene ikke skal gå opp. En skal ikke kunne bruke bilen som en melkeku for å finansiere andre gode formål. Det er faktisk bra for bilistene, selv om Senterpartiet ikke har oppdaget det ennå. Bygging av firefelts motorveier er bra for bilistene, selv om Senterpartiet ikke har oppdaget det ennå. Bygging av firefelts motorveier er på mange måter hjørnesteinen i regjeringens samferdselspolitikk. Statsråden uttalte i fjor at han ble lykkelig av å få flere firefelts motorveier og 110 km/t. I den talen refererte han videre til at firefelts motorveier ikke akkurat skaper fred i Midtøsten, men fred i hjemmene ved at folk kommer tidligere hjem enn de ellers ville gjort. Det er hyggelig at statsråden blir lykkeligere av bredere veier, men forskningen viser at bredere veier ikke gir mindre kø, og dermed heller ikke mer lykke i hjemmet. Forskningslederen ved Transportøkonomisk institutt har uttalt at forskning siden 1960-tallet på dette feltet viser at bredere veier betyr at flere kjører bil heller enn kollektivt, og at det blir akkurat like mye kø som før veiene ble utvidet, også på litt lengre sikt. Er statsråden enig i at forskningen i all hovedsak viser at økt veikapasitet på allerede trafikkerte veier gir mer trafikk og like mye kø, og at økt veikapasitet rundt de store byene dermed bidrar til å bryte nullveksten vår, som Stortinget har vedtatt? Dette er forskning som har veldig mange forutsetninger. Min erfaring er Min erfaring er at når jeg de siste ti årene har kjørt til Holmestrand, hvor jeg har min svigerfamilie, sto jeg veldig mye i kø da det var to felt. Jeg har ikke ennå stått i kø når det har vært fire felt. Så den er ikke riktig, den forskningen som er. Så er det riktig at den forskningen ser på at hvis en kun gjør noe på vei og ikke gjør noe med noe som helst annet – ingenting med tog, ingenting med sykkelveier, ingenting med buss – vil en sannsynligvis få den effekten, for en gjør det mer attraktivt å opprette næringsliv og å flytte til en region. Da sprenger en igjen kapasiteten.

Men samtidig er det noe som skurrer, og da tenker jeg på taxfree-ordningen. Det aggressive og – som vi ofte opplever det som – påtrengende salget, ikke minst på Gardermoen, mener vi det bør være slutt på. Én løsning er å la Vinmonopolet ta over salget. Da eiermeldingen til Avinor ble behandlet i Stortinget i fjor, uttalte et flertall på at en ville vurdere å la Vinmonopolet ta over driften av taxfree-ordningen når gjeldende avtale utløper. Er statsråden enig med flertallet i at det er en god løsning å la Vinmonopolet overta taxfree-salget når dagens avtale utløper? Jeg er enig i at vi ikke skal ha et påtrengende taxfree-salg når folk ankommer flyplassene. Derfor har det under dagens regjering vært gjort endringer, spesielt det som en gjerne ser på Gardermoen, der den banen som en har for å gå fra gatene til ankomsthallen, er blitt mye bredere der det ikke er taxfree-salg. Vi har også vært mye mer opptatt av at en skal profilere Norge framfor å profilere sprit og tobakk når en kommer dit. Når det gjelder hvem som er best egnet til å selge dette, for det er egentlig det dette handler om: Uavhengig av om det blir Vinmonopolet, eller om det blir noen andre, tror jeg ikke en vil oppleve butikken som veldig annerledes. Spørsmålet er hvordan en kanaliserer pengene. pengene. Her mener jeg det er viktig at den jobben som nå gjøres for å se på hvilke muligheter som finnes, gjøres på en god måte. Jeg er opptatt av at taxfree er en del av det som finansierer det å ha et godt flyplasstilbud i distriktene. Det ønsker jeg å opprettholde, men samtidig å sørge for at en har butikker som ikke oppleves som påtrengende – ja, den visjonen deler jeg. Så får hvem som drifter det, være noe vi kommer tilbake til. Det har vi lovt.

Det var en svært viktig tillitserklæring fra velgerne etter fire år med felles ansvar for de fire borgerlige partiene. Disse partiene har nå i fellesskap vedtatt fem statsbudsjett, en lang rekke viktige reformer og samtidig håndtert en økonomisk krevende situasjon som de færreste visste om da valgkampen rullet i gang i 2013. Da oljeprisen ble halvert to ganger, viste det ikke-sosialistiske flertallet på Stortinget handlekraft gjennom kraftfulle tiltakspakker, en ansvarlig økonomisk politikk, investering i infrastruktur og i forskning, gjennom å senke skattene for næringslivet, slik at flere kunne trygge arbeidsplassene sine, og aller viktigst: Man sluttet ikke å gjennomføre nødvendige reformer selv om det var krevende tider. Nå er den ikke-sosialistiske regjeringen utvidet med partiet Venstre. Jeg tør påstå, i hvert fall personlig sett, at det gjør regjeringen enda bedre. Det var en del seirer i erklæringen som kom, som ikke ville kommet uten Venstre, men som jeg må si jeg er svært glad for. Jeg har i fire år fått lov til å jobbe med skolepolitikk i Stortinget, og etter valget ble jeg plassert i finanskomiteen. Da var det mange som sa til meg, inkludert min egen mor: Uff, skal du bare jobbe med tall og sånn nå. Det kan jo egentlig se litt sånn ut. Men sannheten er at det er feil. Å jobbe er også å sikre at kommende generasjoner har muligheten til å leve et trygt og godt liv, og et samfunn hvor man fortsatt har evne til å ta vare på hverandre. Det handler ikke om tall i et budsjett, men om mennesker som foreløpig er små barn. Å føre en politikk som gjør at en alenemor vet at arbeidsplassen hennes er trygg, og at boligutgiftene hennes ikke kommer til å gå kraftig opp innen et år, handler om velferd for henne og for familien hennes. Når en bedriftseier i en hjørnestensbedrift på Vestlandet på julebordet i år har kunnet si til sine ansatte at de nå har rom for å utvide og ansette flere og ikke si opp folk, er det viktig ikke bare for dem som jobber der, men for lokalmiljøet, selv om det kan se litt kjedelig ut i Gul bok. Det ikke-sosialistiske flertallet som har fortsatt å ta ansvar for Norge, har ikke minst gjort det ved å føre nettopp en ansvarlig økonomisk politikk som sikrer trygghet, forutsigbarhet og velferd. Å ta ansvar for helheten er noe av det viktigste vi gjør i politikken. Det mangler ikke på forslag til utgiftsøkninger eller nye, gode ideer, men av og til må de veies opp mot hverandre for nettopp å ta det ansvaret. nå går inn i regjering og tar det ansvaret sammen med Høyre og Fremskrittspartiet, er det en ganske sterk kontrast til en del partier i Europa, f.eks. i vårt naboland Danmark, hvor det største borgerlige partiet ikke vil sitte i regjering. Det er en ganske farlig utvikling hvis det blir et problem når noen tar ansvar for landet, når noen også sier at vi skal få til noe sammen og vi skal fremme politikk De aller fleste land i Europa ville misunnet Norge utgangspunktet vårt når vi nå skal se fremover og lage politikk for fremtiden. Allikevel har vi noen utfordringer, og hvis vi ikke anerkjenner dem, og hvis vi ikke lager politikk for å løse dem, stagnerer Norge, og velferdssamfunnet vårt forvitrer. Regjeringen har i sin plattform pekt på seks av Norges absolutt største utfordringer, og ikke minst handler det om å få flere mennesker inn i arbeidslivet. Det er viktig for inntektssiden på et budsjett, men det er også svært viktig for den enkelte som ønsker å bidra og oppleve den utrolig gode følelsen det er at noen sier tusen takk, det var veldig bra, etter å ha gjort en jobb på en arbeidsplass hvor en vet at en trengs. Det er ikke bare offentlig sektor som må omstille seg i Norge. Der gjør regjeringen allerede mye. Også vårt private næringsliv er nødt til å omstille seg. Teknologien gir nye, store muligheter, men også noen utfordringer, f.eks. at en del mennesker i vårt land som har en kompetanse de er stolt av, som har en arbeidskarriere som de er stolt av, kan oppleve at den kompetansen de har, blir mindre relevant eller for noen til og med oppleves som utdatert. Da er det helt avgjørende at vi har et samfunn som sier at ingen mennesker går ut på dato. Da må det være mulig for flere å bidra og jobbe i samfunnet vårt, og da må også flere heve kompetansen sin. Helt til slutt: Vi har opplevd mye forskjellig kritikk fra de forskjellige opposisjonspartiene, men også fra det samme opposisjonspartiet. Da regjeringserklæringen ble lagt frem, sa Arbeiderpartiet i media at det var en ullen og uklar plattform. Nå er den veldig høyrevridd, så vi er altså en veldig ullen og

svake, det er få konkrete tiltak for å redusere forskjellene mellom folk, men tiltakene for å privatisere er omfattende. Den norske modellen bygger på en velfungerende velferdsstat. Det er vanskelig å se at regjeringserklæringen har løsninger for de store utfordringene: at stadig færre er i arbeid, at stadig færre er organisert, at produktivitetsveksten er lav, at forskjellene mellom folk øker. Den norske erfaringen er at vår modell er avhengig av at mange, både bedrifter og personer, er organisert. Statsminister Solberg sier også det, men fremmer ingen forslag. Snarere tvert imot, fagforeningsfradraget fryses på 2013-nivå. Det bidrar ikke til organisasjonsgrad. Når Høyres parlamentariske leder sier at det er fagforeningens ansvar å øke organisasjonsgraden, viser det at vi tenker forskjellig om den norske modellen. Vi mener vi har et felles ansvar for nettopp det. Det er en kvalitet ved den norske økonomien at vi har små økonomiske forskjeller. Det øker omstillingsevnen, og det bidrar til produktivitet. Under Høyre og Fremskrittspartiets regjeringsperiode økte forskjellene i Norge. De rikeste har fått de store skattekuttene, vanlige folk og familier får småpenger og avgiftsøkninger, høyere barnehagepriser og må betale mer i bompenger. Regjeringsplattformen sier at regjeringen vil føre en ansvarlig økonomisk politikk der den offentlige pengebruken tilpasses situasjonen i økonomien innenfor handlingsregelens rammer. Det er bra at de tre partiene holder fast på handlingsregelen, det er en trygghet for norsk økonomi. Da statsministeren i går presenterte regjeringserklæringen, ble ikke oljepengebruken nevnt med ett ord, men vi har hørt finansministeren varsle at de siste fire års fest når det gjelder oljepengebruk, ikke skal fortsette. Skattene skal fortsatt ned, så hvordan skal regjeringen da kunne sikre velferden i tiden framover? framover? Vi ser at kvartalstallene for sysselsetting viser at en stadig mindre del av oss er i arbeid. Tiltakene for å øke andelen som er i arbeid, er ikke mange, men det er gode formuleringer og noen programerklæringer. Som representanten Asheim sa, så sier statsministeren at den viktigste oppgaven for Norge er å sørge for at ingen går ut på dato i arbeidslivet. Det blir ikke arbeid til alle uten et arbeidsliv for alle. Nettopp når det gjelder den konkrete politikken, hadde jeg forventet meg mer på dette området. Verdien av vår framtidige arbeidsinnsats utgjør den største delen av nasjonalformuen. Derfor må vi styrke arbeidslinjen. Vi må investere mer i kompetanseheving. Det skal lønne seg for alle å arbeide. Vi må ha et skattesystem som stimulerer til arbeid og innsats, og da hjelper det lite at det kun er de rikeste som får nytten av skattekuttene. I regjeringserklæringen varsles det mer privatisering, og i forrige uke kom en rapport fra det såkalte Hjelmeng-utvalget, som skulle svare ut ESAs påstand om at offentlige aktører nyter godt av ulike konkurransefordeler. Bakgrunnen er offentlige virksomheter som har skattefritak og et konkursforbud. Hvis vi svarer ut det flertallet i utvalget sier, vil det være at Norge går foran i hele EU for å tilrettelegge for økt privatisering, og vi vil gi konkurransemyndighetene uforsvarlig stor makt over hvordan vi organiserer vår offentlige sektor. Det må regjeringen si nei til. Så er det mye i denne rapporten som sørger for at vi får enda mer privatisering. Vi vet at i Sverige har selskapene i tjenestesektoren en avkastning på 7,4 pst., mens de kommersielle velferdsselskapene har en avkastning på 13,4 Vi må stå opp mot dette, for vi trenger ikke flere private selskaper som henter penger ut av det offentlige. Då er det ei glede for presidenten å ønskja statsråd Trine Skei Grande velkommen på Stortingets talarstol. Tusen takk, president. Trodde du ikke jeg grudde meg nok fra før? Det har vært litt uklart for mange om det er en ny regjering, men det vi kan slå fast i dag, er at det i hvert fall er en ny politikk. Det er en erklæring og en plattform som viser at vi kan bli både en grønnere regjering, en rausere regjering og ha mer sosialliberal politikk. Sammen med Høyre og Fremskrittspartiet har vi funnet svar på de viktigste utfordringene Norge nå står Det betyr at vi skal ta ansvar for alle som bor og lever i Norge, sånn at de får mulighet til å skape seg et godt liv, og for at alle barn skal få en trygg og god oppvekst. Det betyr at vi skal ta vare på miljøet og kutte klimagassutslipp i alle deler av samfunnet. Det betyr at folk skal få bestemme sjøl hvordan de skal leve sitt liv, uansett hvor i landet de bor, og uansett hvor de kommer fra. Det betyr at vi skal ta godt imot mennesker som er på flukt og kommer til Norge, og hjelpe dem til å skape en framtid her, med en jobb å gå til og med mulighet til å delta i fellesskapet. Sammen møter vi de store utfordringene som Norge nå står overfor. Vi trenger en grønn omstilling av norsk økonomi, som kan skape vekst og nye arbeidsplasser over hele landet. Vi skal oppfylle Norges klimaforpliktelser, og vi skal skape et nytt og inkluderende arbeidsliv der alle skal ha muligheter. alle skal ha muligheter. Vi skal sikre gode velferdsordninger for framtida. Vi skal hele tida kjempe mot fattigdom, spesielt blant barn, og innføre et integreringsløft som gjør at folk som kommer hit til landet, får mulighet til å komme i jobb og mulighet til å delta. Det er veldig lett å kjenne igjen sakene som Venstre gikk til valg på. Det er ingen tvil om at Norge og verden står men vi har også de aller beste mulighetene til å løse dem i Norge. Da trenger vi faktisk noen som tar ansvar, og som leder – politikere som vet hvor de vil, som vet hvordan det går an å komme dit, og som har vilje til å nå målene vi setter oss. Det vil denne regjeringa gjøre. Regjeringa må ta ansvar for framtidige generasjoner, ta vare på naturen, gi alle unger mulighet til å lykkes i livet og skape framtidas næringsliv og framtidas arbeidsplasser. Det er en oppgave Venstre går inn i med stor optimisme, men også med betydelig ydmykhet. For det er ikke enkelt. Det er et stort ansvar, men et ansvar vi er klar til å ta på oss. I erklæringsdebatten viser vi nå hvordan vi for framtida får endret de store grepene også innenfor miljø. Det er viktig at Lofoten, Vesterålen, Senja, Jan Mayen, iskanten, Skagerrak og Mørefeltene holdes fri for oljevirksomhet i denne perioden. Men det er også viktig at vi nå får til en flat CO 2 -avgift i alle sektorer, som trappes opp i løpet av perioden, noe som vil være et av de viktigste midlene for å nå klimamålene. I denne avtalen ligger det en bredde av tiltak som gjør at jeg tror vi når de ambisiøse målene vi har satt oss. Det var viktig for Venstre å avvikle en næring som fortsatt baserer seg på å holde små rovdyr i bur – pelsdyrnæringen. Men vi gjør det på en fair måte, og vi lager en fair avtale med klare mål, men også med muligheter for omstilling, sånn at folk får mulighet til å utvikle nye næringsgrunnlag. Det er feil når Arbeiderpartiets leder står her og sier at det ikke er gjort noe for å gi unger kvalifiserte lærere. Vi har tredoblet satsingen på over 1 mrd. kr de siste årene, men vi kommer til å passe på at det siste årene, men vi kommer til å passe på at det også er i fokus framover. Nå skal vi ha halvdagsplass på SFO til unger i lavinntektsfamilier, etter modell av det vi har gjort i barnehagen. Vi vil bedre sosiale rettigheter for gründere, vi forenkler i næringslivet, vi vil ha en inkluderingsdugnad for å få flere i jobb, og vi vil ta imot flere kvoteflyktninger utover fordoblingen i 2018. Det må bli lettere å få arbeidstillatelse for folk som bor i dette landet. Det tas også klare sosialliberale grep, som når vi deler foreldrepermisjonen i tre like deler, innfører dobbelt statsborgerskap og setter ned en personvernkommisjon. Summen av alt dette er vi forberedt på å ta ansvar for. Summen av alt dette er Venstre klar til å ta ansvar for. For tida kommer til å komme da vi trenger partier og politikere som tar ansvar, som ser at ikke alle problemer kan løses bare med større offentlige utgifter, men som arbeider for å sikre en bærekraftig velferdsstat for framtida. Vi trenger en regjering som er opptatt av at verdier må skapes, og at de må deles – en regjering som vet at staten er til for borgerne, og ikke omvendt, og som hele tida vil jobbe for at hver enkelt borger skal få større makt i sitt liv. For meg er det en grønnere, rausere og sosialliberal regjering som er på lag med framtida. Det vert replikkordskifte. I VG i forgårs uttalte statsråd Skei Grande at hun anser det som trist at idretten ikke åpner opp for å ta imot penger fra utenlandske spillselskap. En rapport utarbeidet av Rambøll på vegne av idretten slår fast at en liberalisering av pengespillpolitikken drastisk vil redusere inntektene til frivilligheten, kulturen og kulturlivet. To av tre partier i den nye regjeringen, blant dem statsrådens eget parti, går inn for en lisensordning i pengespillpolitikken. Samtidig står det å lese i Jeløya-plattformen at man vil videreføre enerettsmodellen, men også evaluere norsk spillpolitikk. Og skal man evaluere noe, er det som regel fordi man ikke liker dagens ordninger. Mitt spørsmål til statsråden er: Hvilken spillpolitikk vil kulturministeren legge opp til framover? Representanten fra Arbeiderpartiet kan ta det helt med ro. Enerettsmodellen står fast i Jeløya-erklæringen. Men jeg synes det er viktig å ha mest mulig fakta på bordet når det gjelder utenlandske spillselskap, og hvor mye av norske penger som går ut via disse selskapene. Jeg tror det er viktig å regulere spill. Det er viktig å sørge for at folk ikke blir spilleavhengig. Det er viktig å sørge for at vi har sikre midler for å følge opp dem som trenger det. Det har vanligvis i Norge ført til at vi regulerer markedet, som vi gjør innenfor alkohol og andre områder, som kan gi både gleder og store sorger. Jeg er opptatt av at dette er markeder som bør reguleres, og så er jeg redd for at vi mister for mye penger til frivilligheten med måten vi gjør det på i dag, men det skal vi se på. Enerettsmodellen kommer til å være fast i denne perioden, det har vi slått fast i erklæringen. Jeg er glad for at statsråden sier det. I fjor ble over 4 mrd. kr fordelt til gode formål innen idrett, kultur og frivillighet fra det spilloverskuddet som ble skapt.

Norge. Vi ønsker også å sørge for at frivilligheten får mest mulig penger.

Men jeg er også partileder i Venstre, så jeg har lov til å komme med hvilke verdimeldinger som er viktige for oss. Og for oss har matjorda og det å ta vare på matjord alltid vært viktig. Jeg kjenner ikke vedtaket som er gjort her, men jeg vet at det er gjort mange tiltak for å styrke matjorda, også noen tiltak som vi var sammen om i forrige periode. Dette enkelte vedtaket kan jeg ikke gå inn i, og heller ikke i innstillinga som jeg ikke kjenner.

dessverre ikke sånn i et demokrati, selv om det virker bekvemt her, at hvis et flertall er imot at noe skal diskuteres, får det ikke diskuteres. Dette er sendt på høring. Vi kommer til å gjennomføre den høringen. Så tar vi med oss det vedtaket som kommer, med hensyn til hva vi kan fremme og tro vi får flertall for i Stortinget. Men vi kan ikke stoppe den offentlige debatten, vi kan ikke nekte folk å ha meninger i et offentlig ordskifte. Det er lagt ned mye ressurser og mye arbeid bak den utredningen som kommer. Det er fair å la folk si sin mening, og så får det være opp til regjeringa å vurdere hva vi kan fremme og eventuelt få flertall for her. Så tror jeg det er viktig å ta med seg at den næringen vi her snakker om, er en næring i stor endring, som har store utfordringer akkurat nå, f.eks. knyttet til netthandel. Det er ikke sikkert at handlegatene våre ser likeens ut om ti–femten år som det de gjør i dag. Vi kan få helt andre handlerutiner, og det må også påvirke politikken vi har overfor den næringen – så jeg håper det også blir en del av den offentlige debatten. Gratulerer til den nye kulturministeren! Her kommer en replikk om det faktiske feltet hennes. Det er

Det er mange gode biblioteker, men det er også ganske store kvalitetsforskjeller. Har statsråden noen planer for å gjøre handling ut av ordene og sette i gang en opptrappingsplan for folkebibliotekene, nå som Venstre har makt til det? Og så må jeg nevne en sak til, nemlig åndsverkloven, som nå ligger på familie- og kulturkomiteens bord. Venstre har flere ganger stilt seg på side med kunstnerne og kulturarbeiderne og skriver om proposisjonen på sine egne nettsider at de advarer mot en uthuling av åndsverkloven. Vil statsråden og Venstre ta initiativ til endringer i lovforslaget for å forsvare norske kunstnere og kulturarbeideres rettigheter? Først: Tusen takk for hilsen – og så syns jeg faktisk det er stas at noen har forventninger til meg. Det er mye bedre enn det motsatte. gjelder bibliotek, har vi klare formuleringer i Jeløya-erklæringen. Jeg ser at noen tolker det som privatisering. Det er det ikke. Tankegangen er nettopp det som representanten viser til, at vi trenger å utvikle nye måter å jobbe på innenfor bibliotek. Jeg må si at jeg er veldig inspirert av Jeg må si at jeg er veldig inspirert av den siste bibliotekmeldinga. I denne byen f.eks. tenker man annerledes om bibliotek, både med hensyn til å utvikle egne barne- og ungdomsbibliotek, åpenhet, at vi har døgnåpne bibliotek, at vi har bibliotek på kjøpesenter, og at vi har mye mer åpenhet knyttet til det å formidle litteratur. Det tror jeg er bra, det er en bra tankegang. Bare se på tallene for Oslo over hvor mange som besøker biblioteket på julaften

de har tilsynelatende fått denne referansen ut av regjeringsplattformen for første gang. Nøytralitet er en illusjon og eksisterer vel neppe i noe samfunn som vi kjenner til i dag. Hva er begrunnelsen for at Venstre ønsker å klippe av røttene til vår kristne kulturarv i disse offisielle dokumentene, som betyr mye for landet og styringen av landet vårt?

i Norge og hvor viktig den er for norsk kulturarv. Det står ingen forslag her om å endre verken formålsparagrafer eller grunnlov. Grunnloven ville det også være litt underlig om en regjering hadde meninger om, da det er makt som ligger i denne sal. Det jeg syns er viktig, er at vi har en stat som er rettferdig, og som behandler alle likt, uansett tro, og som har respekt for ulike trosuttrykk. Men det er klart at i Norge har Den norske kirke hatt en spesiell rolle, og den er også framhevet i erklæringen. Replikkordskiftet er då omme. Enkelte talere har i dag vært opptatt av at regjeringen er mer utsatt enn tidligere med den sammensetning Stortinget har etter valget. Jeg mener personlig at det er

ta det med i betraktning når man omtaler det samfunnet vi har arbeidet frem, og i sine angrep på regjeringen generelt. Det hadde vært en styrke om også noen av opposisjonens talsmenn uttrykkelig hadde gitt mer utdypende respons til de prinsipper og varslede initiativer som er inntatt i plattformens kapittel 16 og 17, om utenriks- og

De viktigste organisasjonene for norsk utenrikspolitikk, EU gjennom EØS-avtalen, NATO, WTO og FN, er kommet under press. Det gjør det vanskeligere å bygge opp internasjonal enighet og samhandling for å møte globale problemer sammen. Det blir en viktigere del av norsk utenriks- og sikkerhetspolitikk å styrke de internasjonale organisasjoner og institusjoner som nettopp legger bånd på andre staters snevre mål om selvhevdelse. Vi ser eksempler på nasjonalistisk enegang og proteksjonistiske fristelser. De små nasjonene, blant dem Norge, er de største taperne hvis det internasjonale samarbeidet avløses av den sterkestes rett. Det er med stort alvor vi har fulgt Russlands brudd på folkeretten, militære oppbygging, truende uttalelser mot to av våre nordiske naboland og økt militære øvelsesaktiviteter av offensiv karakter, også rettet mot områder undergitt norsk suverenitet. Annekteringen av Krim og destabiliseringen av det østlige Ukraina har vist Russlands evne og vilje til å bruke militære midler for å oppnå strategiske mål og samtidig være villig til å bryte helt grunnleggende internasjonale rettsnormer. Det bidrar til en større usikkerhet i Norden og hos våre naboer rundt Østersjøen. Påvirkningskampanjer rettet mot bl.a. beslutningstakere og offentligheten i vestlige land er en stor bekymring og en stor latent trussel også mot vårt land. Det blir en viktigere del av sikkerhetspolitisk analyse å gjenkjenne og avsløre disse kampanjene som truer åpne demokratier og splitter internasjonalt samarbeid. Konflikter og sammenbrutte stater rett utenfor Europas grenser sender millioner av mennesker på flukt. Løsningen ligger ikke i en ukontrollert migrasjon til Europa, men stabilisering og utvikling i de enkelte land. Regjeringen har i erklæringen pekt på behovet for innsats i nærområdene utenfor Europa. Samtidig må Schengen-landene håndheve et felles regelverk og ytre grense. I regjeringsplattformen understrekes at internasjonalt samarbeid om velstandsutvikling står på et tryggere grunnlag når landene utvikler et eget næringsliv og gis markedsadgang til å selge sine varer uten å møte tollmurer. Utviklingspolitikken kan ikke innsnevres til hjelpeprogrammer, men er forståelse av hva som bidrar til et næringsliv på egne ben, landenes egen landenes egen infrastruktur og å levere produkter og tjenester det er reell etterspørsel etter. Regjeringen har også innsett at vi bidrar til et tryggere Norge når vi tar vare på verden. Med henvisningene til FNs 17 bærekraftsmål er det lagt et løp fremover mot 2030. Regjeringen vil ta medansvar for utvikling, fred og sikkerhet, menneskerettigheter og fattigdomsbekjempelse basert på en utviklingspolitisk og humanitær strategi. Samtidig er det også understreket de mulighetene dette arbeidet gir for norsk næringsliv og frivillige organisasjoner, og hvordan vi kan trekke på våre egne fortrinn innenfor teknologi, energi og nasjonale forskningsmiljøer. Til slutt en etterlysning: Det hadde vært en vinning for samholdet i de store spørsmål om et viktig parti som Arbeiderpartiet hadde gitt uttrykk for sin mening om de områder som er omtalt i plattformen, og som tradisjonelt har bygget brede flertall her i Stortinget. Det gjelder aktivt forsvar for EØS-avtalen, det gjelder støtte til NATO-engasjementet og hvilke farer vi ser ved fragmenteringen av samarbeidet i Europa. Men man kan undre seg over om denne tausheten også skyldes hensynet til fremtidige samarbeidspartnere som Arbeiderpartiet må ha med på laget for å gjenvinne regjeringsmakten.

legg ein plan for kva som skal koma i åra som ligg framfor oss, og for korleis me skal skapa endå betre rammevilkår for næringslivet og eit betre land å bu i for innbyggjarane våre. Me veit at i framtida må me jobba meir, me må jobba smartare, og me må få endå fleire i arbeid. Enkelte grupper står i dag heilt eller delvis utanfor arbeidslivet, og eg er difor glad for at regjeringa har varsla ein inkluderingsdugnad. Me må gjera det endå meir lønsamt å jobba, og me må òg kutta i inntektsskatten for alle, men særleg for dei med lågare og middels inntekter. For at me skal få fleire i arbeid, og at dei som jobbar, kan jobba litt meir, vil me i framtida både kunna kutta skattar og framleis ha eit trygt og godt velferdssamfunn som tek vare på dei som fell utanfor. Det må derimot alltid løna seg å jobba, og ein må få betalt for den vesle ekstrainnsatsen ein legg ned. Folk flest bør òg i større grad få bestemma over eiga inntekt, og me må gje enkeltmenneske og familiar moglegheit til å forma si eiga framtid. Folk kan ta avgjerder om sin eigen økonomi betre enn stortingspolitikarar og kommunepolitikarar kan. Skattelettar handlar òg om meir enn berre å la folk få bestemma over si eiga inntekt. Skattelettar er eit gode i seg sjølv, og det sørgjer for å flytta makt frå oss politikarar og byråkratar til dei me er her for å representera, nemleg

kor fort dei kan auka eigedomsskatten på hus og hytte. Me vart òg einige om å fjerna maskinskatten, samtidig som me gav ein god kompensasjon til dei kommunane dette gjaldt. Allereie no ser me effektane av dette skattekuttet. I førre veke varsla Ringeriks-Kraft at dei skal byggja og drifta Det blir anslått at det vil gje 150 nye årsverk på Ringerike. Dette viser at med skattekutt kan me trekkja til oss internasjonale aktørar og skapa endå fleire arbeidsplassar. Statkraft har òg varsla at dei er i forhandlingar med fleire selskap, så eg er trygg på at i framtida vil me sjå mange nyetableringar i Noreg som ein direkte konsekvens av at Stortinget fjerna maskinskatten. Men kampen mot eigedomsskatt er for oss i Framstegspartiet berre så vidt begynt. Eigedomsskatten er grunnleggjande usosial, og han råkar blindt utan omsyn til inntekt, gjeldsbelastning eller familieforhold. Særleg kan skatten vera ei ekstra økonomisk bør for småbarnsfamiliar, uføre, einslege og minstepensjonistar. Ein er ikkje rik sjølv om ein eig sitt eige hus eller si eiga leilegheit. Bustaden til folk skal vera ein heim, ikkje eit skatteobjekt, meiner Framstegspartiet. I regjeringsplattforma har me varsla at me skal senka makssatsen på eigedomsskatt frå 7 promille til 5 promille. Det betyr at ca. 70 kommunar må senka eigedomsskatten dei krev inn frå innbyggjarane sine. Eg blir litt provosert, men ikkje overraska, når eg registrerer responsen frå raud-grøne politikarar til dette. Dei fortel at då må me kutta i eldreomsorg og det er då altså før dei har redusert ei einaste krone i administrasjon, konkurranseutsett ei einaste teneste eller begynt å bruka av dei overskota dei har hatt dei siste åra. For min del har eg aldri forstått kvifor ein fyrst skal ta dei svakaste, og eldreomsorg og skule, når ein skal sjå på kommunebudsjetta sine. Men med den kommuneøkonomien stortingsfleirtalet har lagt til grunn dei siste åra, er eg ikkje i tvil om at det er fullt mogleg å levera gode tenester, òg med mindre eigedomsskatteinntekter i norske kommunar. Eigedomsskatten er usosial. Ingen skal vera i tvil om at Framstegspartiets mål er å fjerna eigedomsskatten fullstendig, og med denne regjeringsplattforma er me godt i

Derfor prioriterer Arbeiderpartiet en styrket kommuneøkonomi og en økt satsing på gode skoler, trygg eldreomsorg og gode helsetjenester, foran alle de store skattekuttene til dem som har mest fra før. Denne regjeringen styrer mot en lærerkrise i store deler av landet. Da er det feil oppskrift å avskilte de lærerne vi har. Da kreves det en satsing på å få flere lærere. Tidligere i dag hørte vi representanten Helleland, som var opptatt av å framheve at Norge er et av verdens beste land å bo i, jeg tror til og med han sa at det var det beste. Nøkkelen til den suksessen er at det er små forskjeller mellom folk, og det har ikke kommet av seg selv. Det er et resultat av en vilje gjennom mange tiår etter andre verdenskrig til å bruke politiske virkemidler for å utjevne urettferdige forskjeller mellom folk. En likeverdig rett til utdanning er en av de aller viktigste forutsetningene. Det at alle i Norge har muligheten til en gratis skole, er en politisk prioritering. Vi har i dette landet bygd en felles, offentlig skole, med tilpasset opplæring for den enkelte. Det er utjevnende i seg selv. Barnehageløftet er et annet eksempel – et offentlig tilbud med maksimalpriser som sikrer likeverdige tilbud til alle barn over hele landet, og en god forberedelse til skole og resten av livet. livet. Det finnes mange flere eksempler på politiske valg og prioriteringer. Det viktige i denne sammenhengen er at det som kjennetegner løsningene, er at det er universelle tilbud. De er innenfor økonomisk rekkevidde for alle, de er likeverdige, uavhengig av hvor man bor i landet, eller hvilke andre forutsetninger man har. Det gir alle en mulighet til å realisere sine ambisjoner og talenter og til å nå sine drømmer og mål det er ikke bare noe som er de få forunt, som har den største lommeboka. Det er løsninger som er gode ikke bare for den enkelte, det er også gode løsninger for landet, for fellesskapet. Med politiske virkemidler og bruk av offentlige løsninger har vi bygd stein på stein for å skape det representanten Helleland omtalte som verdens beste samfunn. Vi har brukt kommersielle interesser, marked og offentlige løsninger i skjønn forening som virkemidler, alt etter hva som ga de beste løsningene. Og det er her regjeringen med de tre høyrepartiene skiller lag med Arbeiderpartiet. I erklæringen slår regjeringen fast at de vil sikre like konkurransevilkår mellom offentlig og privat sektor, fordi de vil ha flere private inn på fellesskapets arena. Der andre partier har et pragmatisk forhold til private tilbydere innenfor offentlig sektor, har denne regjeringen tilsynelatende en ideologisk tilnærming til spørsmålet. Markedet og det å legge til rette for kommersielle interesser er ikke lenger et virkemiddel for å bygge et samfunn. Det er blitt et mål i seg Det er om å gjøre å få et marked ut av flest mulige sektorer. Det er om å gjøre å skape muligheter for å tjene mest mulig penger på å yte grunnleggende velferdstjenester som har sikret sosial utjevning mellom folk. Samtidig som regjeringen gjør det, legger man tydeligvis opp til et løp der man ikke vil forplikte seg til å styrke kommuneøkonomien for å videreutvikle det viktige velferdstilbudet som kommunene yter, og som er grunnlaget for det som er omtalt som verdens beste samfunn i dag. Det finnes ingen slike forpliktelser i plattformen. Det som finnes, er muligheter for å stramme inn kommunenes muligheter til å bruke eiendomsskatt til å videreutvikle lokalsamfunn.

Da er ikke svaret politikken til en regjering som betrakter velferdstjenester først og fremst som en potensiell markedsplass. Da trenger vi en satsing på og en styrking av fellesskapsløsninger for alle, en plan for å bygge verdens beste samfunn videre. Klima- og miljøpolitikken som ble laget av det ikke-sosialistiske flertallet i forrige periode, har beredt mye av grunnen for den nye regjeringserklæringen. Vi skal bygge videre på et krafttak for norsk naturvern, en storsatsing på å kutte utslippene i industrien, rekordbevilgninger til Enova, offensive tiltak for å kutte utslipp i transportsektoren og en tydelig internasjonal satsing som blir lagt merke til. Aldri før har en regjeringsplattform vært så ambisiøs på miljøets vegne. Regjeringserklæringen er tydelig på at vi skal oppfylle Norges klimaforpliktelser, samtidig som vi skal omstille norsk økonomi for å skape flere nye arbeidsplasser og sikre nye ben å stå på. Når vi først har en debatt om den nye regjeringserklæringen, er det interessant å se litt tilbake på tidligere regjeringserklæringer. Det har jeg gjort i dag. Å lese Soria Moria II er egentlig en ganske fin påminnelse om at de lange linjene i norsk klimapolitikk ligger fast. Faktisk gjør det meg undrende til mye av kritikken vi er vant til å høre fra opposisjonen om «for lite for sent», når jeg sammenligner Soria Moria II med Jeløya-plattformen og det borgerlige samarbeidet i forrige periode. Det er denne regjeringen og ikke det ikke-sosialistiske flertallet som har gjennomført flere av målene den rød-grønne regjeringen satte seg, men aldri helt kom i mål med. Det gjelder f.eks. målet om å bruke 3 mrd. kr årlig på klima- og skogsatsingen – det er nå en realitet. Det gjelder klimagassbudsjett, sektorvise utslippsbaner og hvilke tiltak som er nødvendige for å nå målene som er nedfelt i klimaloven, og det gjelder f.eks. skjerping av klimamålene, som nå er mer ambisiøse og ikke minst mer forpliktende enn tidligere. Likevel vil jeg si at denne skrytelisten ikke er det viktigste. det viktigste. Det viktigste er at vi tok det beste fra den rød-grønne regjeringen og så videreførte og gjennomførte det de ikke fikk til. For det er faktisk slik at i Norge er vi enige om alvoret i klimautfordringene, og på tvers av alle partier er det en vilje til å gjøre noe med det. For meg ble det en understreking av hvor stor enighet det egentlig er om hovedlinjene i norsk klimapolitikk, da Arbeiderpartiets leder i sitt innlegg her i dag ikke nevnte klimapolitikk med ett eneste ord. Jeg kan ikke tolke det på noen annen måte enn at når det kommer til ambisjonene den utvidede og nye, blå-grønne regjeringen har for klima og miljø, så er det største opposisjonspartiet rett og slett tilfreds med regjeringens politikk. Mange som har sitt daglige arbeid i olje- og gassnæringen, pustet nok lettet ut da det ble et nytt På den rød-grønne siden vil jo både SV og Miljøpartiet De Grønne avvikle hele næringen, og Arbeiderpartiet snakket både i valgkampen og etterpå om behovet for å vurdere deler av skatteregimet på norsk sokkel på nytt, som f.eks. leterefusjonsordningen. Jeg er glad for at den nye regjeringsplattformen slår fast at dagens rammevilkår for Norges viktigste næring ligger fast. Vi skal sikre næringen forutsigbarhet, slik at vi fortsatt legger til rette for lønnsom produksjon av olje og gass på norsk sokkel. Samtidig skal vi bidra til at også denne næringen kan være med og redusere klimagassutslipp i Norge. Norsk sokkel skal fortsatt være verdensledende innen alt som har med helse, miljø og sikkerhet å gjøre. Det innebærer strenge krav til utslipp under produksjonen og stadige krav til forbedringer. Vi skal jobbe på lag med næringen, ikke imot den, slik som deler av opposisjonen gjør. Vi vil derfor videreføre satsingen på forskning og utvikling i samspill med næringen, slik at norsk olje- og gassnæring opprettholder konkurransekraft og bidrar til verdiskaping og arbeidsplasser i flere tiår fremover. Til slutt har jeg lyst til å si at i fire år har Venstre preget klima- og energipolitikken som samarbeidsparti for regjeringen. Det er et tydelig Venstre-stempel på mye av politikken og de brede enighetene fra forrige stortingsperiode. Nå skal de selv være med og forvalte og følge opp dette i regjering. Det mener jeg er helt ubetinget positivt. Personlig vil jeg si at etter fire år med til dels tøffe forhandlinger skal det bli fint nå å sitte på samme side av bordet som Ola Elvestuen når det skal forhandles i Stortinget fremover. Det har vært interessant å følge med på debatten så langt. Den er

For oss er det viktig å sikre at alle får trygge, likeverdige og gode helse- og omsorgstjenester i hele landet. Derfor er jeg glad for at Fremskrittspartiet i regjeringsplattformen har fått gjennomslag for at eldre mennesker skal sikres en god og verdig eldreomsorg, en eldreomsorg som skal sikre trygghet for at man skal få tilbud om omsorg når man trenger det, og der man trenger det, ved at det er nok sykehjemsplasser og omsorgsboliger i alle landets kommuner når behovene oppstår. Vi vil at ektepar som har levd sammen hele livet, også skal få dele de siste årene selv om den ene eller begge er sterkt hjelpetrengende. Se til Frogn kommune – de har skjønt at dette er viktig. Det er litt verre i flere Arbeiderparti-styrte kommuner som ikke vil gi en samboergaranti, som f.eks. Arbeiderparti-styrte Skien i Telemark. Fremskrittspartiet har de fire siste årene fått gjennomslag i regjeringen for å gi et høyere tilskudd til kommunene for hver sykehjems- og de bygger ut. Dette tilskuddet var langt høyere enn under den rød-grønne regjeringen. Dette har bidratt til at mange kommuner har hivd seg rundt og satt i gang med planlegging, utbedring og utbygging av flere plasser. Dette er utrolig bra og er en viktig faktor for full sykehjems- og omsorgsboligdekning i framtiden. Det er vel gjerne også et paradoks at mens opposisjonens alternative budsjett ønsker å fjerne forsøksordning for statlig finansiering av helse- og omsorgstjenester,

har ført til bedre styringsinformasjon og likere behandling. Dette står i grell kontrast til det Jonas Gahr Støre sa i sitt innlegg tidligere i dag om at knapt noen tror på statlig finansiert eldreomsorg. Jo, det er mange som tror på dette prosjektet, er strålende fornøyd og gjerne vil at det fortsetter. Det er tilbakemeldingen fra de kommunene som er med.

Lederen sier at han synes det er utrolig kjekt å slippe å kjenne på det økonomiske presset hele tiden. Tro meg, økonomisk press er noe som jeg tror de aller fleste ledere i helse- og omsorgssektoren kjenner på hver eneste dag, så her er vi på god vei. Dessverre finnes det i verdens lykkeligste land eldre som opplever vold. Vold og overgrep mot eldre personer i Norge er et alvorlig samfunns- og folkehelseproblem. Ifølge den første nasjonale undersøkelsen om dette temaet er vold og overgrep i den er vold og overgrep i den eldre delen av befolkningen fortsatt et usynlig samfunnsproblem. Hvorfor? Voldsutsatte eldre kontakter i liten grad tjenesteapparatet for hjelp, og eldre som har vært utsatt for alvorlig fysisk vold og andre alvorlige overgrep tidligere i livet, er også mer voldsutsatt i eldre år. Noen av dere spør hvorfor vi trenger en eldreminister. For meg er det helt klart. Regjeringen har faktisk tatt disse utfordringene på største alvor gjennom å opprette en eldre- og folkehelseminister en minister som skal se til at alle våre eldre skal kunne oppleve lykke. Så er det litt artig å se på alternative budsjetter og registrere at SV har blitt opptatt av eldreomsorg. I alternativt budsjett for 2018 er det altså nevnt én gang, ett sted i hele budsjettet at eldreomsorg er viktig. Det er en oppramsing i det alternative

kritisere. Taleren klarte heller ikke å la være å kritisere opposisjonspartiene, så man har kanskje en litt skinnhellig holdning til dette. Det er ikke så stor forskjell på det som står om utenriksfeltet i regjeringsplattformen, og regjeringens politikk de siste fire årene. Det er bred enighet om hovedlinjene i utenriks- og sikkerhetspolitikken – det er bra. Min kritikk handler om at regjeringserklæringen i stor grad og ikke sier så mye om hvordan regjeringa vil forandre den. Før valget fikk vi en gjennomgang av hvordan regjeringa ville prioritere sterkere i utenrikspolitikken, i den såkalte veivalgsmeldinga. Jeg kan ikke se veldig mye prioritering i erklæringen, slik den foreligger. Jeg er glad for at regjeringa har lyttet til bl.a. oss og har opprettet en egen utviklingsminister. Her er det mange viktige prioriteringer som skal gjøres i årene som kommer, og eksperimentet med en egen EU/EØS-minister fungerte ikke, slik som vi advarte mot, og jeg er glad for at regjeringa har endret på det. Det mest iøynefallende med regjeringsplattformen er de lave ambisjonene knyttet til NATOs mål om å øke forsvarsbudsjettet til 2 pst. i 2024. Her er plattformen mye Jeløya-erklæringen sier at NATOs mål skal nås på sikt. Men det går i feil retning. Bakke-Jensen innrømmer at BNP-prosenten til forsvar er på vei ned. Sommeren 2016 lovte forsvarsministeren i et skriftlig svar til Stortinget – på spørsmål fra oss – at uansett BNP-prognose skal BNP-andelen til forsvar øke i 2020. Hun

Man kan jo lure på om statsministeren informerte ham om at prosenten faktisk går ned. Høyre, Fremskrittspartiet og Venstre var med på å vedta fordyrende forbedringer i landmaktsplanen, men de ville ikke endre budsjettet for 2018. Arbeiderpartiet la inn 250 mill. kr ekstra til Hæren og Heimevernet allerede i år, mens Høyre, Fremskrittspartiet og Venstre kuttet i forsvarsbudsjettet i budsjettforliket – både til Hæren og til Heimevernet og i hele forsvarsbudsjettet. forsvarsbudsjettet. Jeg forventer at regjeringa fullfinansierer langtidsplanen og kommer tilbake med mer penger i revidert. En annen sak hvor det er nødvendig å reagere på vår nærmeste alliertes politikk, er Trump-administrasjonens beslutning om å nekte støtte til utviklingsrettede helseorganisasjoner som informerer om abort som en del av sitt helsetilbud. Denne administrasjonens grep er mye mer dramatisk enn liknende tiltak fra Bushs presidentperiode. Den gangen gjaldt støttenekten kun midler til familieplanlegging. Nå sperres organisasjoner ute fra amerikansk helsebistand med en pengepott som er 15 ganger større enn det som var tilfellet under Bush-administrasjonen. Her mener jeg at regjeringa i Norge har reagert for sent og altfor svakt – for fire av våre tradisjonelt likesinnede land, Nederland, Belgia, Danmark og Sverige, sammen tok initiativ til en giverkonferanse under mottoet «She Decides», «hun bestemmer». Her kunne og burde Norge vært på ballen tidligere og vært medarrangør. De arrangørlandene som ble listet opp, og som sluttet seg til initiativet, var Canada, Kapp Verde, Estland, Finland og Luxembourg. Norge kom for sent på banen. Derfor vil vi i løpet av de neste årene følge opp og presse på for mer penger til prevensjon og abort. Det er altfor svakt, det som regjeringa har gjort på dette området: først kutte midlene til FNs befolkningsfond og så få det tilbake til 2013-nivå. Nå må vi øke støtten på disse områdene for å demme opp for kuttene som Trump-administrasjonen gjør. Et viktig element i et bærekraftig velferdssamfunn er en god, trygg og befolkningsfond og så få det tilbake til 2013-nivå. Nå må vi øke støtten på disse områdene for å demme opp for kuttene som Trump-administrasjonen gjør. Et viktig element i et bærekraftig velferdssamfunn er en god, trygg og velfungerende infrastruktur. Moderne og effektive veier, jernbane, flyplasser, havner og skipsfart sammen med et godt bredbånds- og mobilnett betyr økt konkurransekraft og produktivitet for næringslivet. Det gir grunnlag for vekst og verdiskaping i hele landet. Høyre–Fremskrittsparti-regjeringa, sammen med prioritert samferdsel høyt i fem statsbudsjett og i en svært ambisiøs Nasjonal transportplan for perioden 2018–2029. Samferdselsbudsjettet for 2018 er mer enn 60 pst. høyere enn i 2013. Det er et historisk løft som blir videreført i denne regjeringserklæringen. Nasjonal transportplan er Stortingets overordnede strategidokument for samferdselssektoren og legger føringer for satsinger og prioriteringer på samferdselsområdet de neste tolv Regjeringa har selvfølgelig en klar ambisjon om å følge opp Nasjonal transportplan og sørge for en fortsatt stor satsing på vedlikehold og fornying, gjennomføre de planlagte investeringsprosjektene, legge til rette for bruk av ny teknologi og ikke minst omstilling til en lav- og nullutslippstransportsektor. En viktig forutsetning for å gjennomføre Nasjonal transportplan er streng kostnadskontroll. I altfor mange år har prosjekter blitt dyrere enn forutsatt og gjennomføringsevnen svekket – det kan ikke fortsette. Derfor gjennomfører vi nå mange viktige reformer som vil gi økt kostnadseffektivitet og et bedre tilbud til de reisende. Nye Veier AS viser allerede at de kan bygge sin portefølje nærmere 20 pst. rimeligere og betydelig raskere enn først anslått. Denne reformen har opposisjonen vært imot. Nye Veier har vist at det er mulig å tenke annerledes. Ved å skape mer forutsigbarhet, invitere entreprenørene inn i prosjektene på et tidlig stadium i planprosessen, detaljplanlegge mindre og utfordre etablerte standarder har vi fått økt innovasjon og nytenkning i norsk veibygging. At vi nå har to viktige fagmiljø som bygger vei, gir en positiv konkurranse. Nye Veier og Statens vegvesen utfordrer hverandre, samtidig som de utfyller hverandre. Da får vi mer vei for pengene, og flere prosjekter kan realiseres tidligere. Jernbanereformen er i oppstartsfasen. Organisasjonsstrukturen er lagt, og ansvaret er tydeliggjort Bane NOR vil ha et tydelig utbyggings- og vedlikeholdsansvar, mens Jernbanedirektoratet vil ha ansvar for å kjøpe togtjenester. De første strekningene er allerede lagt ut på anbud, der målet er å skape et bedre tilbud til de reisende, både når det gjelder kvalitet og frekvens. Opposisjonen er imot, men et fortsatt borgerlig flertall sørger for at jernbanereformen blir rullet ut i hele landet i løpet av de neste fire årene. Samferdselsdebattene blir ofte preget av de enkelte vei- og banestrekningene.

Nå er det like om hjørnet. Flere ønsker å prøve ut selvkjørende konsept, og «Yara Birkeland» er under utvikling som det første autonome lasteskipet. Elektrifisering av transportsektoren går i et stort tempo, godt hjulpet av avgiftslettelser og andre fordeler samt gode tilskuddsordninger gjennom Enova. Vi ser at elbilrevolusjonen har satt en ny standard for utslipp fra biler. Samtidig er elektriske løsninger på full fart inn i maritim sektor. Innen 2020/2021 vil kanskje så mange som 60 ferger være lav- og nullutslippsferger ved bruk av batterielektriske løsninger. I tillegg er det etablert en utviklingskontrakt for hydrogenferger, som kan gi spennende muligheter i hele maritim sektor og skape nye arbeidsplasser. Vi har bare sett begynnelsen på denne utviklingen. Regjeringa har en ambisiøs politikk for omstilling av transportsektoren til lav- og nullutslipp. Det får vi ikke til ved å begrense folks mobilitet og næringslivets vekstevne, men ved å sørge for at alle transportformer omstilles til lav- og nullutslippsløsninger. Da får vi en bærekraftig transportsektor. Vår evne til å håndtere framtidas transportutfordringer handler i stor grad om ny teknologi. Vi er på vei inn i en ny epoke, der ny teknologi vil skape et bedre tilbud for de reisende og bidra til mer miljøvennlig transport.

næringspolitikk og ein næringspolitikk for å tryggja og utvikla norske arbeidsplassar. Regjeringa snakkar både titt og ofte om å vera føreseieleg, men det hjelper lite når ein lagar statsbudsjett etter innfallsmetoden. Seinast i haust vart næringsmiddelindustrien påført ei avgiftsrekning på 2 mrd. kr. Reiselivsnæringa vår har fått ei kraftig skjerping av momsen. Og viss ein ser på formuleringane i regjeringsplattforma, er det mykje som kan tyda på at reiselivsnæringa vil få nye avgiftsskjerpingar i åra som kjem. Det er ei feil utvikling. Det er ikkje å byggja opp under viktige næringar; det er å byggja ned viktige næringar og ikkje leggja til rette for norske arbeidsplassar. Me har lagt bak oss fire år der kvar ting som har gått dårleg, har

Finland. Dei landa kunne òg fortelja om vekst og positiv utvikling, som jo kjem av ei positiv utvikling i den internasjonale økonomien. Eg trur ikkje eingong denne regjeringa vil våga å ta æra for ei positiv utvikling i Sverige og Finland, og det er sannsynleg at utviklinga me ser i Noreg, kjem av same forhold som der. Òg i jordbrukspolitikken opplever me ei litt rar haldning frå denne nye regjeringa. Det står i regjeringsplattforma at ein skal leggja til grunn den landbrukspolitikken som dei såkalla ikkje-sosialistiske partia står bak. Her gjer altså regjeringa ei prioritering av kva fleirtal i Stortinget dei ønskjer å halda seg til, og kva fleirtal dei ikkje ønskjer å halda seg til. Eg har utfordra landbruksministeren på dette to gonger, og han greier ikkje anna enn å seia at det er den felles politikken til dei fire partia som skal leggjast til grunn. Men realiteten er at det meste av den landbrukspolitikken som Stortinget har vedteke, er eit resultat av eit anna fleirtal, eit fleirtal som Høgre, Framstegspartiet og delvis òg Venstre ikkje er ein del av. Eg meiner det er ganske openbert at regjeringa òg må ta omsyn til den biten av politikken. Det kjem til å tøffe tak i landbrukspolitikken, og ein del av landbruket som har fått opplevd regjeringa si uvisse til fulle, er pelsdyrnæringa. Det at me innfører eit næringsforbod mot å produsera ei vare i Noreg som er fullt lovleg å omsetja, som òg skal vera lovleg å omsetja, som kan ha vorte produsert kvar som helst i verda og på kva måte som helst – det må – er ein næringspolitikk som står til stryk. Høgre og Framstegspartiet skuldar på Venstre i denne saka – tru det. Det var ein statsråd frå Framstegspartiet som først gav statsstøtte til den ekstreme dyrevernorganisasjonen NOAH. Det var Framstegsparti–Høgre-regjeringa som kutta distriktstilskotet til pelsdyrnæringa. Det er ein som før valet i 2013 uttalte til NRK at «pels er best på dyr». Eg har ein sterk følelse av at når Høgres og Framstegspartiets representantar i distrikta feller tårer over dette nederlaget, då snakkar me verkeleg om krokodilletårer. Fiskeripolitikken vil òg verta viktig i denne perioden, og der er mitt råd til regjeringa: Lytt til Stortinget! Me kan ikkje utsetja ei næring som er så stor og viktig, for den måten å driva politikk på som me såg i førre periode, der regjeringa måtte trekkja ei stortingsmelding om eit sentralt område innan fiskeripolitikken fordi dei ikkje hadde gjort forarbeidet. Eg klarer ikkje hugsa sist ei stortingsmelding vart trekt utanom i forbindelse med eit val, og det er sannsynlegvis fordi eg ikkje var fødd då det skjedde.

fordi det handler om å gi folk muligheter til å skape seg et godt liv. Utdanning er avgjørende for å få flere i arbeid og for å møte digitaliseringen og andre store endringer. Utdanning er svaret på de virkelig alvorlige problemstillingene i vår tid, som klimakrisen, økende forskjeller og velferdsstatens framtid. Arbeiderpartiet vil ha en skole som ser hele eleven, en trygg skole der alle opplever mestring og fellesskap, for det er sånn vi lærer best. Vi vil ha en skole som gir tid til læring, og som gir tillit til læreren og de andre som jobber der. Etter fire år med Høyre og Fremskrittspartiet i regjering står utfordringene i skolen i kø. Likevel viser den utvidede regjeringen liten vilje til fornyelse av skolepolitikken og tar ikke tak i viktige problemer. I erklæringen ser jeg ingen nye løsninger for en mer praktisk skole, for økt innsats mot mobbing eller mot frafall. I dag utsettes rundt 50 000 elever for mobbing. Hver fjerde elev gjennomfører ikke videregående opplæring. Vi har stor mangel på fagarbeidere og andre med mer praktisk opplæring. Altfor mange barn og unge blir syke av stress og press i skolen. Så vet vi at tidlig innsats starter i barnehagen, og at det viktigste for å bedre kvaliteten er flere kvalifiserte voksne. Der regjeringen foreslår en minimal vekst i andelen barnehagelærere, vil Arbeiderpartiet at minst halvparten av de barnehageansatte skal være pedagoger. Vi foreslår 3 000 flere lærere i skolen, en mer intensiv læring tidlig gjennom en lese-, skrive- og regnegaranti og en mer praktisk skole. Vi foreslår langt sterkere innsats mot mobbing og trakassering. Vi vil ha et sunt skolemåltid og fysisk aktivitet i skolen, fordi helse, næring og læring henger sammen. Og vi foreslår en yrkesfagmilliard for bedre utstyr og mer praksis tidlig. Erklæringen gir dessverre fortsatt inntrykk av en litt tafatt regjering som ikke leder an i skolepolitikken. De siste årene har stadig flere av initiativene blitt tatt av opposisjonen i Stortinget. Regjeringspartiene har vært imot eller uinteressert, men har måttet følge etter i sak etter sak: lærernorm, digital strategi, tidlig innsats, kompetansereform, heldekkende ansiktsplagg. Eksemplene er mange. Den nye regjeringen bruker ikke muligheten til å ruste Kunnskaps-Norge for framtiden. Den kanskje største saken det siste halvåret – lærernormen – ble vedtatt mot Høyres og Fremskrittspartiets vilje. I erklæringen er den – oppsiktsvekkende nok – ikke engang nevnt. Signalet til landets lærere er jo da at dragkampen fortsetter. Regjeringen styrer med åpne øyne mot Som tidligere ordfører blir jeg bekymret når regjeringserklæringen overser behovet for lærere, ikke omtaler lærernormvedtaket og mangler konkrete tiltak for å rekruttere flere lærere til skole og barnehage. Høyre hadde ikke midler til en eneste ny lærer i sine budsjettforslag. Arbeiderpartiet hadde 3 000 flere. Budsjettforlikets 200 mill. kr til økt Mange kommuner kommer til å få en stor ekstraregning hvis lærernormen ikke fullfinansieres. Vi vet allerede at mange kommuner strever med å oppfylle bemanningsnormen i barnehagene, fordi det ikke følger ekstra midler med fra regjeringen. Mange har allerede en hardt presset kommuneøkonomi. Derfor foreslo vi i Arbeiderpartiet langt mer til kommunesektoren i vårt budsjett, fordi vi prioriterer barn, barnehage og skole høyt. Vi er for flere lærere og en norm for lærertetthet. Hvis Kristelig Folkeparti hadde forhandlet om lærernorm med oss, kunne vi brukt tiden på å bli enige om hvordan vi best lykkes med normen, istedenfor å strides om hvorvidt den skulle innføres, som nå har skjedd. Vi i Arbeiderpartiet håper at plattformen ikke er et forvarsel om at Høyres opprinnelige motstand mot lærernormen vinner fram.

men Bent Høie er for lengst den helseministeren i norsk historie som har sittet lengst. Det viser at vår helsepolitikk har bred forankring, og at det leveres god politikk hver eneste dag. Store oljeinntekter, lav arbeidsledighet og høy yrkesdeltakelse gjør at vi kan tilby helsetjenester i verdensklasse. Skal vi bevare vår felles helsetjeneste, må vi være villige til å gjøre endringer for å tilpasse den til en ny tid med nye utfordringer. Det er vår plikt å sikre velferdsstatens bærekraft. Dette handler ikke bare om penger. Det handler først og fremst om gode hoder og gode hender. Det handler om å jobbe på nye måter, bl.a. gjennom å ta i bruk ny medisinsk kunnskap, bruke teknologi, samhandle bedre og mobilisere pasientenes egne ressurser. I dag debatterer vi en ny regjeringserklæring. Det passer bra, for regjeringen har allerede oppfylt mye av Sundvolden-erklæringens helsekapitler. Den nye erklæringen er ikke mindre ambisiøs og vil ta landets helsetjenester videre for å møte morgendagens utfordringer. helsetjenesten. Det skal være slik at ingen beslutning om deg skal tas uten deg. Pasientene skal også slippe unødvendig ventetid, og helsekøene skal reduseres videre. Det siste året har alle ansatte i helsetjenesten jobbet hardt for å nå dette målet, og det har ført til at det for første gang ligger an til at gjennomsnittlig ventetid på helsehjelp blir under 60 dager. Innen 2021 skal den under 50 dager. Samtidig må tilbudene forbedres gjennom nye og bedre måter å jobbe på. Vi må styrke kompetansen og gi brukerne større valgfrihet. Derfor belyser regjeringsplattformen viktigheten av å samarbeide med ulike aktører, som bidrar til innovasjon, mangfold, kvalitet og valgfrihet i tjenestetilbudet. Kvaliteten på tjenestene må alltid være viktigere enn hvor de som leverer dem, er ansatt. Samtidig er det viktig å understreke at det er et offentlig ansvar å sikre gode helse- og omsorgstjenester til alle. Tilbudet til de mest utsatte, særlig innen rus og psykiatri samt syke eldre, må fortsatt styrkes. Mennesker som har levd et langt liv, og som nå har behov for hjelp, skal også ha et liv med mening og verdighet. Regjeringen vil sikre en god og verdig omsorg tilpasset individuelle behov. Velferdsteknologi må i større grad tas i bruk for å øke kvaliteten på tjenestene. Tilbudet må bygges videre ut for å gi alle som trenger det, et tilbud med kvalitet og aktivitet. Eldrereformen «Leve hele livet» må derfor gjennomføres, for vi lever lenger. Og i år er vi tilbake blant de ti landene på topp i verden i forventet levealder. Helse- og omsorgstjenestene i kommunene må moderniseres og styrkes. Det må jobbes for et helhetlig og sammenhengende tilbud

For pårørende er en ressurs, og regjeringen skal i løpet av perioden legge frem en egen pårørendestrategi. Det er behov for å tydeliggjøre kommunenes ansvar for å sikre bruker- og pårørendemedvirkning. Denne regjeringen vil at pårørende skal tas mer på alvor i alle deler av behandlingskjeden. Det er ikke bærekraftig at mange pårørende får en belastning som går ut over helse, karriere og livskvalitet. Mange blir sykmeldt i lengre eller kortere perioder grunn av belastningen det er å være pårørende. Skal vi fortsatt ha et helsesystem i verdensklasse, må vi prioritere hardere i årene som kommer. Vi kan ikke si ja til alle og møte ethvert utspill med lovnad om flere penger eller nye ordninger. I forrige periode fikk prioriteringsmeldingen bred tilslutning her i salen. Vi er enige om prinsippene for Den enigheten må vi ta med videre, og jeg ser derfor frem til et konstruktivt samarbeid i Stortinget for å sikre en bærekraftig

ti blir voldtatt, men ikke melder fra eller oppsøker hjelp, er bekymringsfullt. Derfor er det viktig at vi styrker innsatsen mot voldtekt og hever politiets kompetanse på dette området. Det å få opprettet offeromsorgskontor over hele landet, som jeg sa, har vært en viktig oppgave for Fremskrittspartiet, og det er nå på plass. plass. Når vi vet at disse offeromsorgskontorene skal kunne følge saken helt fra en anmelder en sak, og til en har dom i en sak, håper jeg at dette skal være med og bidra til at flere ofre skal kunne ta det steget og søke hjelp, melde fra og få hjelp hele veien. Det å endre straffeloven slik at forvaringsdømte ikke kan slippe ut tidligere enn de hadde hvis de hadde fått ordinær fengselsstraff, er også viktig, og det å utrede utrede et kriminalitetsofferfond etter svensk modell, der det er lovbryterne som må betale en bot inn til et fond, og at disse midlene skal gå direkte til tiltak som kan hjelpe kriminalitetsofre, er noe av det Fremskrittspartiet har snakket om i mange år. Nå er det kommet inn i denne plattformen og er noe som vi skal jobbe med. I den senere tid har vi sett flere saker der kvinner og barn lever på Jeg har fått møte noen av disse og hørt historiene deres – også at det ikke er bare denne ene som sitter på kode 6, som må rømme fra en overgriper, men hele familien, spesielt alle de barna som lever i de familiene som blir angrepet. Jeg er glad for at vi nå får på plass og jobber mer for omvendt voldsalarm, omvendt voldsalarm, for det er viktig at vi ser de kvinnene og de barna som er i denne situasjonen, og at det er de som skal ivaretas, ikke den som har utført handlingen. Hvis en skal klare å få til alt dette, trenger vi et styrket politi. Disse fire årene har det blitt opprettet over 300 nye politistillinger årlig, og totalt har Solberg-regjeringen sørget for ca. 1 300 flere politifolk enn det var i 2013. I tillegg er det opprettet om lag 100 nye stillinger i påtalemyndighetene, og det er altså nå flere politifolk enn det var i 2013. Det er viktig. Vi skal jobbe videre med politireformen, vi skal fortsette å øke antallet politifolk for å nå det målet som er satt, og vi skal styrke politiets kapasitet og kompetanse med hensyn til å bekjempe viktig datakriminalitet for også å øke politiets tilstedeværelse på nett. Men alt henger sammen med alt. Vi er nødt til også å styrke domstolene. Det er ikke nok at politiet klarer å ta dem som gjør en kriminell handling. Domstolene må dømme, og det må være soningsplasser når en har fått en dom.

Eldrepolitikken må bygge på at eldre er en mangfoldig ressurs, og vi må vri oppmerksomheten i eldrepolitikken fra bare å handle om sykehjem til å handle om ulike botilbud for eldre som trenger helsetjenestene våre. Så må vi dreie fokuset fra sykdom til Alle skal føle trygghet for at en blir tatt godt vare på når en opplever at livet blir vanskeligere fordi man blir gammel, og når sykdommen rammer. Og vi i Arbeiderpartiet venter ikke på regjeringen når vi skal sikre en trygg og god alderdom for våre eldre, verken vi som er politikere her på Stortinget, eller Arbeiderparti-politikere rundt om i kommunene. I går viste stortingsflertallet en annen retning enn Solberg-regjeringen, nemlig framover. Arbeiderpartiet, Senterpartiet, SV og Kristelig Folkeparti likestiller investeringstilskudd for sykehjem og omsorgsboliger med oppgradering og modernisering av gamle bygg. Mange kommuner trenger denne fleksibiliteten – for å gjøre dobbeltrom om til enkeltrom, sette inn flere bad Og i dag fremmet de samme partiene også forslag om flere og nye boformer for framtidens omsorgsbehov. Arbeiderpartiet og en samlet opposisjon står også bak det flertallet som nå øker statens bidrag når det gjelder å etablere gode dagaktivitetstilbud. 50 pst. av kostnadene skal nå staten ta, og vi trenger å bygge ut dette tilbudet for det store behovet vi vet er der. For pårørende, og for den enkelte som opplever at deler av livet glipper gjennom begynnende demens, er et dagaktivitetstilbud rett og slett gull og kan utgjøre hele forskjellen mellom en grei og en vanskelig livssituasjon. Det er et flertall fra Stortingets opposisjon som har satt seg i førersetet for en av de største utfordringene våre framover, nemlig å omstille oss til en endret demografi med flere eldre, å utvikle og forbedre helsetjenesten, å forebygge sykdom og å sikre god helse og livskvalitet for våre eldre. Høyre og Fremskrittspartiet er ikke enige om eldrepolitikken. Fremskrittspartiet vil ha statlig styring av omsorgen. Det vil ikke Høyre. Og som et plaster på såret har Fremskrittspartiet fått et forsøk i seks kommuner, som sluker ressurser. Dette er et forsøk med seks kommuner – men vi har nesten 400 kommuner! Hva er det? Høyre vil heller ikke gi tilskudd til annet enn nye sykehjemsplasser.

til å skaffe flertall for en framtidsrettet helsepolitikk som forebygger, gir muligheter og ikke bare reparerer, en eldreomsorg som er tilpasset den enkeltes behov, en eldrepolitikk som treffer en vital, voksende gruppe av aktive eldre mennesker, og ikke minst en økonomi for sykehusene våre som gjør dem i stand til å ta i bruk nye, gode og skånsomme

Nå er det lysere tider i norsk økonomi og i arbeidsmarkedet. Det er vi glade for, men vi skal huske på at det alene ikke er nok for at de som strever – det være seg ungdom med lav kompetanse, innvandrere eller mennesker med nedsatt arbeidsevne – raskere kommer i jobb. Inkludering av utsatte grupper er viktigere enn noen gang før. Spesielt unge mennesker som strever med å få fotfeste i arbeidslivet, bekymrer De bør ha et helt og langt yrkesaktivt liv foran seg. Unge skal motiveres til utdanning og jobb, ikke til en trygdetilværelse. Vi må sørge for at de som står på utsiden av arbeidslivet på grunn av manglende kompetanse, har de nødvendige kvalifikasjonene som kreves for å komme inn. Samtidig må vi sørge for at de som er i arbeidslivet, skal få et godt tilbud om kompetanseutvikling gjennom hele yrkeslivet. Derfor vil regjeringen igangsette en kompetansereform. Et bærekraftig velferdssamfunn handler ikke bare om økonomi. Et bærekraftig velferdssamfunn handler også om den sosiale bærekraften – å inkludere alle i samfunnet. Dette er en stor og krevende oppgave. Tilliten til politiske institusjoner kan utfordres hvis mange mennesker føler seg utenfor og lite verdsatt. Et bærekraftig velferdssamfunn må være et prosjekt for hele samfunnet. Regjeringen inviterer derfor til en inkluderingsdugnad for å få flere mennesker inn i arbeidslivet. Det offentlige kan ikke og klarer ikke å løse inkluderingsjobben alene. Arbeidsgivere har en særlig viktig rolle. Regjeringen vil derfor sørge for at det blir enklere for arbeidsgivere å inkludere folk i arbeidslivet. For tre uker siden oppnevnte regjeringen en ekspertgruppe som skal komme med analyser og utrede tiltak for å øke sysselsettingen. Regjeringen vil også styrke innsatsen for å redusere sykefraværet. IA-avtalen har ikke innfridd våre forventninger på alle områder eller i alle sektorer. Regjeringen vil derfor gjennomgå mål og virkemidler i avtalen sammen med partene i den tiden som gjenstår av dagens avtaleperiode.

Det er det samlede engasjementet til kontrollmyndighetene og partene i arbeidslivet som kan få satt kriminelle ut av spill gjennom forebygging, holdningsendring og avdekking. Regjeringen vil vurdere økte strafferammer for arbeidslivskriminalitet, og det arbeidet er vi allerede i gang med. Trygge jobber handler også om hvordan vi har det på jobb. Det er alvorlig at et stort antall opplever trakassering, også seksuell trakassering, og særlig stort er dette problemet innenfor helse- og omsorgssektoren og innenfor utelivsbransjen. Alle former for trakassering og diskriminering er uakseptabelt. Regjeringens mål er et trygt og godt organisert arbeidsliv, der de fleste har faste, hele stillinger og opplever en god balanse mellom arbeid og fritid. Norge har gode muligheter. Å ruste oss for et bærekraftig velferdssamfunn inn i framtiden er ikke kostnadsfritt. Her må alle bidra.

Jeg bet meg merke i at Høyres parlamentariske leder i et replikkordskifte ved møtets start hevdet at mitt parti er imot det som gjør velferdssamfunnet bærekraftig. Det er en historiefortelling på linje med ren fantasi. Ta bare pensjonsreformen: Allerede i år sparer vi 30 mrd. kr over statsbudsjettet. Hovedårsaken er at flere eldre står lenger i arbeid. arbeid. Siden Høyre angriper Arbeiderpartiet på dette, er jeg veldig spent på å høre statsrådens planer for reformer som i de neste ti årene kan ha i nærheten av samme effekt for arbeidsmarkedet som pensjonsreformen har. Takk for hyggelig hilsen, og jeg vil gjerne replisere tilbake: Gratulerer med sete i en viktig Ja, vi planlegger flere reformer. Det kanskje mest umiddelbare nå er å få fullført den pensjonsreformen som ikke ble ferdigstilt under Stoltenberg II-regjeringen. Vi sitter nå og forhandler med partene, og jeg håper vi kommer i mål, slik at pensjonsreformen også vil gjelde for ansatte i offentlig sektor. Men det må vi komme tilbake til når vi forhåpentligvis har et sluttresultat der.

jobbe enda mer med, og særlig på mitt område. Og så er det reformer innenfor de andre sektorene som andre statsråder kan gjøre rede for. Men de jeg nevnte, er blant de viktigste innenfor sosialsektoren. Ja, jeg hørte løft og dugnad og fine ord, men få konkrete reformer og planer for å styrke sysselsettingen og redusere forskjellene. Tvert imot, i regjeringsplattformen står det svart på hvitt at det også i de kommende fire årene skal være dyrere å være organisert arbeidstaker. Fallende organisasjonsgrad er en langvarig trend som dagens regjering åpenbart ikke bærer hele ansvaret for, men det betyr likevel ikke at det er en god idé gjennom politiske vedtak å forsterke trenden med et uorganisert arbeidsliv. Dagens regjering skriver til og med i sin plattform at de Regjeringen har mange fine ord og formuleringer om et trygt arbeidsliv og økt sysselsetting. Men disse ordene er ikke verdt papiret de er skrevet på, så lenge statsråden år etter år fremmer det uorganiserte arbeidslivet, både i sin plattform og i sine budsjetter. Derfor lurer jeg på: Har statsråden noen konkrete planer om å fremme det organiserte arbeidslivet, som kanskje kan veie litt opp for regjeringsplattformens styrking av det

om man vil. Den eneste forskjellen på formuleringen i den stortingsmeldingen og i regjeringserklæringen er at det står på nynorsk i stortingsmeldingen. Ellers er det ingen forskjell i realiteten i dette. Så er jeg opptatt av at vi også skal ha et organisert arbeidsliv. Fra myndighetenes side gjelder det særlig å legge til rette for gode arenaer for partene i saker og spørsmål som er av særlig betydning for dem. Regjeringen har en rekke arenaer hvor vi nettopp involverer partene: regjeringens kontaktutvalg, som er ledet av statsministeren, Arbeidslivs- og pensjonspolitisk råd, som er ledet av undertegnede, og en rekke andre arenaer som vi involverer partene i. Så er det viktig at vi framover nå klarer å skape flere jobber, klarer å trygge jobber, klarer å omstille Norge for den tiden vi nå står i, slik at vi får flere bein å stå på, og det vil også bidra til økt sysselsetting framover.

Kontantstøtten har i løpet av året 20-årsjubileum. Den er ikke nevnt i regjeringsplattformen, og med det har Stortinget og regjeringen en unik mulighet til å samarbeide om en sak som vil få flere i arbeid, gi bedre integrering, og – ja – et mer bærekraftig velferdssamfunn. Mitt spørsmål til slutt i dag er: Er statsråden villig til å arbeide for på sikt å fase ut kontantstøtten, slik at arbeidslinjen blir